Vararepresentanten, Ingalill Olsen, innkalles for å møte i permisjonstiden. Ingalill Olsen er til stede og vil ta sete. Representanten Tove Karoline Knutsen vil

og foretar votering etter at sak nr. 3 på dagens kart er ferdigbehandlet, deretter samlet votering etter sakene nr. 4–39 ved slutten av dagens møte. – Ingen innvendinger har kommet mot presidentens forslag, og det anses vedtatt. Videre vil presidenten opplyse om at møtet fortsetter utover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

Så er det noen viktige lovendringer som et flertall stiller seg bak, som gjelder overføringer av oppgaver fra toll- og avgiftsetaten til skatteetaten. Dette er en del av en større reform som regjeringen har igangsatt for å skape en bedre skatte- og avgiftsforvaltning, gjennom å samle forvaltningen av skatt og avgift i skatteetaten. I reformen er det også forutsatt at tollvesenets kjerneoppgaver knyttet til vareførsel og grensekontroll skal styrkes. Skatteetaten skal få et helhetlig kontrollansvar på skatte- og avgiftsområdet, inkludert vareavgiftene, noe som samlet vil styrke kontrollen på området. Disse endringene er en del av regjeringens arbeid for å få en bedre og mer effektiv ressursbruk innenfor offentlig forvaltning, og disse endringene skal også bidra til at innbyggerne får bedre tjenester. Jeg legger til grunn at mindretallet vil argumentere for sitt syn i disse spørsmålene. Det gjelder også spørsmålet om statliggjøring av kemnerfunksjonen, som kanskje er det området som har fått størst oppmerksomhet i forbindelse med nasjonalbudsjett denne våren. Ulike organisasjoner, kommuner, regioner og enkeltpersoner har hatt et stort engasjement i denne saken.

og ikke minst skal det også være et forenklingstiltak for skattyterne, som slipper å forholde seg til flere etater, som i dag. Gjennom behandlingen av denne saken i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, har et flertall notert seg at det er en del spørsmål som kan utdypes nærmere knyttet til bl.a. virksomhetsoverdragelse og ansattes rettigheter i den forbindelse, og hvilke konsekvenser en endring vil ha for kommunene. Videre er det naturlig at de foreslåtte endringene også kan ses i en større sammenheng med andre endringsprosesser som pågår. Dette innebærer at flertallet ikke støtter denne endringen fra 1. januar 2016, men ber om at regjeringen belyser disse spørsmålene ytterligere. Et mindretall fremmer forslag om en utvidet land-for-land-rapportering. Det er stor enighet om betydningen av å sette søkelyset på spørsmål knyttet til kapitalflukt og åpenhet til kapitalstrømmer over landegrensene. Regjeringen er også veldig opptatt av å finne gode løsninger for å bekjempe dette, og Norge er allerede et foregangsland når vi har gjennomført og satt i kraft nasjonale krav til land-for-land-rapportering for å synliggjøre bedriftenes aktivitet og for å unngå at foretak tapper fattige land for ikke fornybare naturressurser. Vi går allerede lenger enn EU- reglene på dette området. Flertallet støtter ikke dette forslaget, fordi det allerede er varslet en evaluering av det norske land-for-land-regelverket etter tre år, og EU skal selv evaluere sitt regelverk i 2018. I tillegg er dette globale problemstillinger som flere land er opptatt av – fordi det er viktig i kampen mot fattigdom, men også fordi det er viktig for å skjerme eget skattegrunnlag i Norge så vel som i andre land vi kan sammenligne oss med. Derfor er det allerede mye fokus på såkalte skatteparadiser i mange vestlige land, og derfor er også det internasjonale samarbeidet gjennom bl.a. organet Financial Action Task Force viktig. Til slutt vil jeg takke komiteens medlemmer for et godt samarbeid i denne saken. Jeg tenkte jeg ville kommentere avgiftsbiten spesielt. Det er

Jeg tenkte jeg ville kommentere avgiftsbiten spesielt. Det er mye som tyder på at regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti har utfordringer når det gjelder å finne inndekning for postene de har forhandlet seg fram til i budsjettet for i år. Istedenfor å omprioritere innenfor budsjettet foreslår de fire partiene økninger i avgifter også nye avgifter for å dekke inn påplussinger til formål som Venstre og Kristelig Folkeparti framforhandlet, og som vi nå i revisjonen av budsjettet ser at de må gå tilbake på. Dette gjelder f.eks. miljøavgiften på plastposer og papirposer som regjeringen forhandlet fram og vedtok sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre i statsbudsjettet for 2015. Begrunnelsen som framheves, er at i høringen om forslaget kom det fram at den vedtatte avgiften mangler miljøbegrunnelse. pst. av bæreposene som brukes i Norge, gjenbrukes og utgjør ikke et forurensningsproblem, ifølge Statens forurensningstilsyn. Skillet på plastposer laget av plast og papir og annet organisk materiale som f.eks. stivelse viste seg ikke å være mulig å gjennomføre. Heller ikke her var det mulig å finne en miljøbegrunnelse. Hensynet til miljø ble framhevet av de fire partiene som hovedbegrunnelsen for å innføre avgiften fra mars 2015. Det var altså ikke en reell begrunnelse, og vedtaket viste seg ikke å være gjennomførbart i praksis. Vi i Arbeiderpartiet gikk ikke inn for å innføre en miljøavgift på plast- og papirposer og er glad for at den er skrinlagt. Vi merker oss imidlertid at avgiftsvedtaket nå oppheves med et provenytap på rundt 1 mrd. kr, påløpt og bokført for 2015. For å dekke inn de tapte inntektene fra fra poseavgiften foreslår regjeringen bl.a. å øke avgiften på elektrisk kraft. Regjeringen anslår at husholdningene vil få en økt strømavgift på 175 mill. kr, tjenesteytende næringer vil få økt en strømavgift på 100 mill. kr og offentlig forvaltning på 20 Arbeiderpartiet mener det blir feil å belaste husholdningene og næringslivet for å dekke inn et vedtak om å innføre en avgift på plastposer som ikke viste seg å være gjennomførbart i praksis. Jeg er egentlig veldig forundret over at ikke Fremskrittspartiet også mener at det er feil. Hvert år i opposisjon foreslo Fremskrittspartiet å senke elavgiften. I regjering går de motsatt vei. Det går jeg ut ifra at velgerne merker seg. Fremskrittspartiet sier én ting i opposisjon, men når de har muligheten til å gjennomføre sin politikk, så gjør de det ikke. Arbeiderpartiet gikk ikke inn for å innføre miljøavgift på plast- og papirposer. Derfor går vi imot økningen på elavgiften. Vi ser også at flere av avgiftsendringene som Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet ble enige om i statsbudsjettet, og som av nevnte partier ble kalt «starten på det grønne skatteskiftet i budsjettkompromisset», ikke holder mål. Flere av avgiftsvedtakene reverseres nå. For eksempel vil innføring av veibruksavgift på naturgass og LPG ifølge flere organisasjoner gå ut over satsingen på biogass i kollektivtrafikken – altså det motsatte av et grønt skifte. Dette viser en regjering på etterskudd som ikke overskuer konsekvensene av sine egne vedtak, og som i ettertid må gå tilbake på vedtakene. Det svekker tiltroen til regjeringens inndekning i statsbudsjettet. Vi har også merket oss at regjeringen har hatt den helhetlige gjennomgangen av bilavgiftene, som ble varslet i regjeringserklæringen. Det synes vi er veldig bra. Det hadde også Stoltenberg-regjeringen i 2006, og det la grunnlaget for en politikk i årene etterpå og fram til 2013 som har vist at det å bruke avgifter til å fremme en miljøvennlig bilpark har effekt. Vi ser at utslippene fra transportsektoren har gått ned med over 30 pst. på de årene. Politikken vi førte, og som la om avgiftene i en mer miljøvennlig retning, vektla utslipp framfor effekt, bl.a. Det har en effekt, og denne veien vil vi fortsette på. Vi ser at regjeringen også vil gjøre dette, og det kommer vi til å støtte videre. Vi ser også at regjeringen har vektlagt en teknologinøytral innretning, og at de vil komme tilbake til dette i budsjettet. Det ser vi fram til og er overbevist om at akkurat der vil vi kunne bli enige om en del, i motsetning til resten av inndekningsforslagene fra regjeringen. Skal representanten ta opp forslag? Ja. Representanten Irene Johansen har tatt opp forslaget hun refererte til. Først til representanten Irene Johansen: Det er

for på best mulig måte å effektuere Stortingets vedtak i saldert budsjett 2015 innenfor bl.a. EØS-regelverket og krav til ESA-notifisering. Utslagene av Stortingets tidligere vedtak om uførereformen har fått stor offentlig oppmerksomhet siden innføringen 1. januar i år, på grunn av overgang til bruttoytelser og nye skatteregler. Overgangsordningen som ble foreslått av Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen i budsjettet for 2015 for uføre med store rentefradrag, blir nå ytterligere styrket ved at grensen for kompensasjon ved nedgang i inntekt endres fra 6 000 kr til 4 000 kr. Det betyr at enda flere blir omfattet av ordningen, og de som allerede var omfattet, får et større skattefradrag. Overgangsordningen på tre år gir denne gruppen uføre tid til å tilpasse seg en ny inntektssituasjon og benytte mulighetene til å kombinere arbeid og trygd for fremtidig inntektssikring. Ved Stortingets debatt og vedtak om ny uføreordning i 2011 var Fremskrittspartiet opptatt av at regjeringen skulle ha fokus på eventuelle negative utslag av den omfattende reformen, og det er derfor tilfredsstillende at Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen følger opp dette og gjør tilpasninger for å sikre en myk overgang til et nytt trygdesystem. Reformer er vanskelig – ikke å foreslå, men å gjennomføre. Norsk økonomi preges nå av behovet for omstilling, og en vellykket omstilling i privat sektor forutsetter at det også er vilje og evne til omstilling i offentlig sektor. Derfor er regjeringens forslag til reformer i skatte- og avgiftsforvaltningen viktige bidrag til bedre ressursutnyttelse, samordning av offentlige etaters virksomhet, avbyråkratisering I en omstillingstid blir det ekstra viktig for regjering og storting å ivareta helheten og ta et overordnet ansvar for at organiseringen av offentlig forvaltning ikke er statisk og bundet opp i tradisjonell tenkning, men dynamisk og proaktiv for å møte nye utfordringer som oppstår i et samfunn som er i konstant forandring. Regjeringen har foreslått en rekke organisatoriske endringer for å skape en bedre skatte- og avgiftsforvaltning med fokus på forenkling, likebehandling, rettssikkerhet og samordnet innsats mot økonomisk kriminalitet. Ved å overføre innkrevingsoppgaver fra toll- og avgiftsetaten til skatteetaten samles skatte- og avgiftsforvaltningen i én etat, og Tollvesenets kjerneoppgaver knyttet til vareførsel og grensekontroll blir styrket. Dette er en del av en større reform som skal bidra til å bygge gode kompetansemiljø og utnytte eksisterende IT-systemer i arbeidet med forenkling og avbyråkratisering, til beste for brukerne. En viktig konsekvens av endringene er forenklet avgiftsbehandling for næringsdrivende som driver import. Regjeringens forslag om å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til skatteetaten innebærer en omfattende og viktig reform – ikke bare på grunn av effektiviseringsgevinster, men for å styrke arbeidsgiverkontrollen og kampen mot arbeidslivskriminalitet.

av arbeidsgivere uten innfordring, og regjeringens forslag til ny organisering er primært for å styrke arbeidsgiverkontrollen og etablere et mer effektivt kontrollapparat for å avdekke økonomisk kriminalitet og derved gi mulighet til å utvide skattegrunnlaget. De mange høringsuttalelsene fra ulike instanser bekrefter behovet for endringer og gir sin støtte til reformen, med unntak av dem som utfører oppgaven i dag. De strukturelle endringene som er foreslått, berører ulike forvaltningsnivå og har konsekvenser for ansatte og kommunene som arbeidsgiver. Komiteens flertall vil at disse spørsmålene utredes nærmere og ses i sammenheng med øvrige reformer og strukturering av skatteetaten. Derfor blir ikke regjeringens forslag vedtatt nå.
Takk til saksordføreren, som har geleidet denne saken vel igjennom i komiteen. La meg først komme med en erkjennelse: Vi må erkjenne at vedtaket knyttet til plastposeavgift som vi var med på før jul, viser seg rett og slett ikke å la seg gjennomføre og få den hensikt som vi hadde tenkt da vi

Men det får vi ta ved neste høve. Jeg synes det er positivt at man når man ser at et vedtak som ble fattet, faktisk ikke lar seg gjennomføre, tar en tenkepause og finner en annen løsning. Det synes jeg faktisk tjener Stortinget til ære. Representanten Limi var innom uførereformen. Det er også en reform som har vært mye diskutert i denne sal i mange ulike Når det gjelder skatt og avgift, er det ett tema som særlig har vært oppe. Det er det forhold at mange uføre har nytt godt av et – kall det – ekstra skattefradrag for gjeldsrenter. Det har medført at en del har fått mer skatt enn tidligere. Det har regjeringen og Stortinget i to omganger tidligere forbedret ut fra den reformen som ble vedtatt her i 2011, og nå gjør vi det ytterligere en gang i revidert budsjett. I tillegg er Stortinget også enige om å be regjeringen se på hvordan ytelsene for dem som har lavest uføretrygd, har slått ut etter reformen, og det kommer vi da tilbake til. Så skal ikke jeg bruke mye tid på bilavgiftene her, men vil bare si at den enigheten som de fire partiene har kommet fram til når det gjelder bilavgifter, er uhyre viktig for forutsigbarhet og sikkerhet for at det å velge miljøvennlig skal lønne seg også i mange år fremover. Det tror jeg er et mye viktigere vedtak enn det mange er klar over.

Det er, som det er nevnt, en stor pågående omstrukturering i skatteetaten og også tolletaten. Vi gir vår tilslutning til den rollefordelingen som regjeringen har vist til når det gjelder toll og skatt, men vi ber regjeringen være oppmerksom på at det er noen grensesnitt her når det gjelder innkreving av enkelte av særavgiftene, som jeg håper blir løst, slik at oppleves å bli bedre og ikke det motsatte. Det er en liten hilsen med i det arbeidet. Så til spørsmålet om kemneren. Det kommer vi jo tilbake til. Det er, som det er sagt fra flere her, saksordføreren bl.a., enighet om at det bør ses på en del forhold før vi eventuelt får den saken tilbake. Men vi er – og det har jeg lyst til å gi uttrykk for – fortsatt av den oppfatning at det arbeid som gjøres på kemnersiden i kommunene, fungerer meget godt. Til slutt: Det har vært litt fokus på land-for-land-rapportering. Jeg har lyst til å minne om da at det nye flertallet tok et betydelig steg i retning av en forbedret forskrift på land-for-land-rapportering for halvannet år siden. Jeg regner med, selv om vi ikke stemmer for det forslaget som ligger fra mindretallet, at de fire partiene vil sette seg ned og arbeide fram forbedringer også i det gjeldende regelverk, slik at det som er vårt mål, nemlig at skatt skal bli igjen også i det landet hvor virksomheten drives, kan oppnås.

for arbeidsplasser spredt rundt i hele landet. Det vil også være et tap for skatteinnkrevingen, fordi man vil miste lokal kunnskap og oversikt over lokale forhold, noe som er avgjørende viktig hvis man skal ha en effektiv og god skatteinnkreving, og som er avgjørende viktig hvis man skal ha tillit til skatteinnkrevingen. Det er også litt forunderlig at man har et så stort hastverk med å gjennomføre denne reformen, når man ser at kommunene i dag gjennomfører svært god og effektiv måte og krever inn nesten opp mot hundre prosent. De har en meget god «record» når det gjelder sitt arbeid. Som flere har vært inne på, har det vært mange runder rundt skatteinnkrevingen i høringen. Det som er interessant når man leser merknaden, og som også kommer fram i innleggene, er at det her er en midlertidig stopp. Det står at man går imot å overføre skatteoppkreverfunksjonen til kommunene med virkning fra 1. januar 2016. Det er det som står i merknaden, og som også blir sagt av flere talere. Det som er litt interessant når man ser denne saken i sammenheng med det som skjer på fredag, er jo at bevilgningen til reformen fortsatt ligger der. Når det gjelder det vi skal behandle på fredag, kommer det fram at det kostnadanslås til 240 mill. kr, og Stortinget blir bedt om å bevilge 120 mill. kr til å gjennomføre en reform som stortingsflertallet nå er imot. man er imot, så jeg synes jo det er rart at Kristelig Folkeparti og Venstre, når man har fått til en sånn midlertidig stopp som de her har fått til, aksepterer at det skal bevilges 120 millioner skattekroner til å fortsette den prosessen. Men i tillegg til i tillegg til å overføre skattekontorene skal man overføre mange av oppgavene som toll- og avgiftsetaten har i dag med å kreve inn toll og avgifter til rundt 200 mrd. kr – en kjempestor oppgave som tolletaten gjør på en god måte. Der har vi også store datamessige utfordringer og kostnader, for tolletaten skal jo fortsatt klassifisere, de skal drive med grensevern, og de skal gi opplysningene til Skattedirektoratet, som så skal kreve inn kreve inn pengene. De datasystemene må jo snakke sammen. Det er litt forunderlig, når vi i dag skal vedta den lovendringen, at tallgrunnlaget for kostnadene rundt reformen er svært usikkert. Når vi leser revidert nasjonalbudsjett, blir det nye datasystemet som skatteetaten skal utvikle, kostnadsanslått til 710 mill. kr. Vi som har jobbet litt med den saken, ser jo av de sentrale styringsdokumentene som regjeringen har fått, fått, at de bevisst ikke har tatt med kostnader som ikke er en del av prosjektet. Det foreligger et sentralt styringsdokument fra skatteetaten som finansministeren fikk i mars i år, der man er veldig tydelig på at man ikke har tatt med kostnadene som gjelder å tilpasse tollsystemer for å levere deklarasjoner til skatteetaten om mange andre forhold. Hvis man tok med de forholdene, ville jo kostnadene til prosjektet kommet langt over 750 mill. kr, og det ville krevd et helt annet kvalitetssikringsarbeid for at Stortinget skal gi en sånn bevilgningsfullmakt som vi gir i dag. Jeg har en utfordring til finansministeren. Først skal vi i dag vedta en lovendring – på bakgrunn av det dokumentet – og så skal vi vedta budsjettbevilgninger på fredag. Er finansministeren trygg på at alle datakostnader er synliggjort, når det har vært så tydelige signaler, også i sentrale styringsbrev til finansministeren, om at det er mye usikkerhet knyttet til om 710 mill. kr er rett?

til en reform som vi ikke har den fulle og hele oversikt over, og at det er store kostnadsutfordringer og store datautfordringer. Det burde regjeringen og stortingsflertallet ha tatt seg tid til å belyse bedre, før vi i dag vedtar de lovendringene som vi faktisk dessverre gjør, mot vår stemme. Vi kommer for øvrig til å stemme for forslaget til nye avskrivningsregler for vindkraft. I denne saka er

er kanskje det tyngste argumentet, då målet til Venstre tvert imot er å styrkja kommunane på kostnad av staten. Me stiller òg spørsmål om staten verkeleg er ein meir effektiv skatteinnkrevjar enn kommunane, og me stiller spørsmål om staten verkeleg kan driva ei slik teneste meir kostnadseffektivt enn det kommunane gjer i dag, som reforma føreset. føreset. Som me skriv i fleirtalsmerknaden, er det òg uavklarte spørsmål, då særleg knytte til om dette vert å sjå på som ei verksemdsoverdraging, og til det å sjå dette i samanheng med den pågåande kontorstrukturreforma i skatteetaten. Også frå Venstre si side merknaden ikkje er å oppfatta som eit pålegg ifrå Venstre om å få saka tilbake til Stortinget. Men vel regjeringa likevel å koma til Stortinget med saka på nytt, på eit seinare tidspunkt, skal me sjølvsagt vurdera forslaget – utan at det betyr at me då kjem til ein annan konklusjon enn i dag. Eg har eit par kommentarar knytte til den merknaden ifrå mindretalet i komiteen som gjeld Venstre er heilt samd i hovudintensjonen med den merknaden, men som kjent har Venstre inngått ein heilskapleg budsjettavtale med samarbeidspartia som òg inkluderer at me ikkje kan gå inn i merknadar/forslag frå andre parti, med mindre alle fire er samde om det – ikkje ulikt det som var tilfellet for dei raud-grøne i førre periode. Dette kan me sjølvsagt beklaga, men sånn er det. Så er heldigvis dette ei sak der òg regjeringspartia er samde i intensjonen i merknaden, jf. interpellasjonsdebatten i denne salen førre fredag. Eg føler meg difor trygg på at me rimeleg raskt kjem tilbake med ei løysing som varetek både intensjonen og målet

Omstillingsbehovet i næringslivet tilseier òg at budsjettet må representera starten på ei skattereform som sikrar verdiskaping og arbeidsplassar, og ei skattereform må nødvendigvis òg ha sterke grøne forteikn. Og berre for å understreka når det gjeld grøne skattar og avgifter: ikkje berre fullt mogleg å gjennomføra og enda opp med at folk flest får mindre i skatt, det er rimeleg enkelt – jf. Venstres alternative budsjett for 2015, der me har forslag med omsyn til grøne skattar og avgifter i storleiken 13 mrd. kr og enda opp med ein gjennomsnittleg skattelette for folk flest på 2 000 kr–3 000 kr. Stortinget ga i 2013 sin tilslutning til
neste er planlegging. Det

De rapporteringsreglene som ble innført for et par år siden, bidro til større åpenhet rundt utvinningsindustriens virksomhet. Det er en industri med store globale utfordringer når det kommer til gjennomsiktighet og bekjempelse av korrupsjon og frarøvelse av fattige lands verdier. Forslagsstillerne den gangen var svært opptatt av at loven skulle kunne virke, at den skulle kunne bli mest mulig formålstjenlig, og at den skulle kunne skape minst mulig kostnader for selskapene – selv om det siste hensynet er noe underordnet i denne sammenhengen. Siden den gang har det ikke skjedd så mye. Norske sivilsamfunnsorganisasjoner har bidratt med betydelig kunnskap, som har belyst både saken og prosessen. Gjennom en rekke medieoppslag de siste åra har det blitt avdekket store samfunnskostnader ved et utilstrekkelig rapporteringslovverk. Forskriften som i sin tid ble lagt fram av Finansdepartementet, var et viktig steg for å redusere samfunnskostnadene ved manglende åpenhet. Men samtidig er det blitt påpekt av flere aktører at de forskriftene vi har i dag, har hull som vil være til hinder for en effektiv oppfylling av hensikten med dette regelverket, nemlig å bekjempe ulovlig kapitalflyt, skatteunndragelse, ran fra fattige lands befolkninger. Ifølge organisasjonen Publish What You Pay Norge gjenstår det egentlig bare noen små justeringer før land-for-land-rapporteringen kan sikre en tilfredsstillende rapportering. For det første må alle land som er inkludert i den finansielle rapporteringen av oppstrømsresultater, omfattes av forskriften. Dette gjelder altså alle land selskapene selv har definert å være innenfor sin oppstrømsvirksomhet. I forskriftens § 3 er det lagt opp til at rapporten skal være

for oppstrømsvirksomheten. For det tredje må land-for-land-rapporteringens regnskapskontekst i sin helhet tas inn som note til årsregnskapet istedenfor at det henvises til en separat rapportering. Dette kan høres veldig teknisk og kjedelig ut, men det er viktig. Det er allerede gjort i Frankrike, som allerede har importert EUs regler på feltet. Det inkluderer krav om land-for-land-rapportering også for banker, og at informasjonen skal oppgis i noter til årsregnskapet, land for land, ikke konsolidert. Siden kravet om land-for-land-rapportering også og at informasjonen skal oppgis i noter til årsregnskapet, land for land, ikke konsolidert. Siden kravet om land-for-land-rapportering også vil komme til å gjelde banker i Norge på sikt, bør det skapes like konkurranse- og rammevilkår. Det er også den billigste måten å rapportere på. Publish What You Pay Norge – bl.a. – argumenterer for at det er fullt mulig å lage noteopplysninger som ikke er særlig omfattende. For det fjerde er det en del uheldige unntak som må fjernes. Forskriften i dag gir omgåelsesmuligheter ved at datterselskap kan utelates fra oppstillingen. Det er veldig uheldig i en verden der skatteparadis forårsaker at tusenvis av milliarder av kroner er stukket unna ordinær beskatning og deling med fellesskapet. Vi har muligheten i dag til å vedta et forbedret rapporteringsregelverk for Det kommer ikke til å bli vedtatt, fordi – som vi har hørt Venstre gjøre rede for nå – det er sånn at samarbeidspartiene har inngått en forpliktende avtale med regjeringen om ikke å gå inn i andre merknader eller forslag. Det betyr at vi har en uke på oss for å finne en måte å fremme dette på igjen – på fredag – som gjør det mulig for samarbeidspartiene å stemme for. Vi er i en litt merkelig parlamentarisk situasjon når regjeringspartiene stemmer i «hytt og gevær» mot hverandre i spørsmål om pensjon, i spørsmål om Syria-flyktninger, som har store budsjettkonsekvenser, mens opposisjonspartier tvinges inn i geledd av regjeringen. I denne saken er det uakseptabelt. Det kan avfeies som en teknikalitet og en litt komplisert sak for spesielt interesserte, men det dreier seg om Norges bidrag til en verden der det ikke er sånn at enorme verdier stikkes unna dem som skulle tjent godt på disse inntektene, i første omgang. Jeg vil oppfordre Venstre og Kristelig Folkeparti til å tenke seg om en gang til og sørge for flertall for utvidet land-for-land-rapportering. Jeg konstaterer at det er bred enighet i Stortinget rundt de aller fleste forhold som er

Jeg har også merket meg det flertallet skriver når det gjelder skatteoppkreverne, og vi vil selvsagt komme tilbake til Stortinget med utfyllende informasjon slik at vi kan få fyldig dekket opp den eventuelle mangelfulle informasjonen som Stortinget etterlyser. La meg bare kort si at hele poenget med denne store reformen handler om å handler om å lete etter de nødvendige forenklingsmulighetene vi har i en stor skatte- og avgiftsforvaltning. Målet må hele tiden være å gjøre det enklest mulig for næringsdrivende, for skattyterne, samtidig som vi ivaretar rettssikkerhetsutfordringene, noe jeg vet mange er veldig opptatt av. Det å klare å få mest mulig ut av de skattekronene vi tross alt bruker på en etter hvert ganske omfattende forvaltning, mener jeg er et viktig ansvar, og at vi nå klarer å rendyrke oppgavene på en bedre måte, vil være bra for næringslivet, for den enkelte skattyter, og ikke minst vil det gjøre det mulig for oss å kunne rendyrke oppgavene, ikke minst for tolletaten, som etter hvert får betydelige utfordringer med en stadig mer grenseoverskridende kriminalitet. Så stilte Slagsvold Vedum noen spørsmål vedrørende vedrørende det han kalte prestisjeprosjektet. I den grad dette er et prestisjeprosjekt, må det i så fall være på vegne av skattebetalerne, men å si at vi har hastverk, er jo ikke riktig. Denne saken har vært gjennomutredet ved en lang rekke anledninger, og jeg mener den er godt belyst og godt presentert. Jeg merker meg som sagt at det er visse temaer Stortinget ønsker mer informasjon om, og det skal de selvsagt få. Slagsvold Vedum stilte også spørsmål om noen IKT-kostnader, og når det noen IKT-kostnader, og når det gjelder det, har jeg registrert at det har vært enkelte oppslag, særlig i Bergens Tidende, som etter min oppfatning ikke er korrekt. Alle IT-tilpasninger som må gjøres, har Stortinget blitt informert om, og de er bevilget i 2015-budsjettet. Eksempelvis er kostnadene til dette beregnet til 20 mill. kr i tolletaten og ikke 400 mill. kr, som BT skriver. Men dette er – som også Stortinget er orientert om gjennom flere dokumenter – omfattende reformer, og ved behov vil vi selvsagt også gi Stortinget ny informasjon hvis det skulle oppstå. Men på det nåværende tidspunkt har vi informert Stortinget om alle IKT-kostnader som krever sine bevilgninger, og det har vi også fått. La meg da bare helt avslutningsvis si to ord om land-for-land-rapportering. Her er det egentlig ganske bred enighet om hvor viktig dette er, og vi hadde en veldig god debatt i Stortinget for bare få dager siden rundt bredden og helheten av disse spørsmålene. Jeg opplever at Stortinget i alt det vesentlige er enig om retning og hvor vi skal. Samtidig må vi bare slå fast at Norge har antageligvis, i hvert fall – de mest omfattende kravene til land-for-land-rapportering i verden. Så betyr ikke det at vi skal lene oss tilbake og la det bli med det, vi skal løpende og hele tiden være opptatt av ytterligere forbedringer. Det signaliserte også jeg i forbindelse med behandlingen her i Stortinget for få dager siden, og da er det naturlig at vi følger det opp på egnet måte i tiden som kommer.

det er stor bekymring i næringslivet med tanke på at de er redd for økt byråkrati og mindre effektivitet med innkreving og kontroll. Vi har også registrert at etaten er bekymret for at omorganiseringen kan ta fokuset bort fra det de skal gjøre, nemlig å kontrollere og innkreve skatter og avgifter, med eventuelt provenytap som resultat.

er å forenkle, av hensyn til både næringsdrivende og skattytere. Da synes jeg kanskje det er litt feil av representanten Johansen å ta utgangspunkt i provenyet for staten. Jeg mener at hele poenget med å organisere en god skatte- og avgiftsforvaltning er å legge til rette for en smidigst mulig håndtering av vanskelige skatte- og avgiftstekniske spørsmål overfor næringsdrivende og skattytere. Det er jo hele hovedpoenget med denne omorganiseringen. Den har vært godt belyst. Stortinget har fått mye informasjon om dette løpende og i flere dokumenter. Vi er jo ikke ferdige, vi vil fortsette å informere Stortinget løpende om enkeltelementer av denne store helheten. Men poenget er altså: en mer effektiv innkreving, en bedre rendyrking av oppgaver. Og det mener jeg vil tjene skattyterne på sikt.

som Skatteetaten normalt ville ha gjort.» Det står altså i skatteetatens brev til finansminister Siv Jensen: «Grunnet stramme tidsfrister har ikke alle delene av løsningene blitt utredet like grundig som Skatteetaten normalt ville ha gjort.» Hvorfor sier skatteetaten at de har så stramme tidsfrister, når finansministeren sier at her er alt blitt utredet så grundig og godt? Jeg tror jeg skal minne representanten Slagsvold Vedum på at det har vært gjennomført to offentlige utredninger av dette spørsmålet, og gjennom det er det rom for betydelig kunnskapsinnhenting. Så vet vi at det historisk ikke har vært en reform som det har vært grunnlag for å få gjennomført. Jeg vet at tidligere regjeringer har drøftet dette – sikkert også den som representanten Slagsvold Vedum var del av – men jeg har merket meg at gjennom den siste høringen som regjeringen avholdt om dette, var det bred tilslutning til hovedtrekkene i denne reformen fra næringslivet og fra byggebransjen, som mener at dette kanskje vil være et av de viktigste verktøyene vi har for å bekjempe svart arbeid gjennom sterkere regionale kontorer, og at de som først og fremst er uenig i dette, er de som eier oppgaven i dag. Det betyr ikke at det gjøres dårlig håndverk hos kemnerne, men at det kan gjøres bedre i fremtiden.

de på grunn av tidsfrist ikke har hatt tid til å utrede like grundig som de pleier å gjøre. Hvorfor vil finansministeren presse et slikt prosjekt igjennom i Stortinget når skatteetaten selv sier at det ikke er grundig nok utredet? Og er representanten – nei finansminister Siv Jensen – uenig med skatteetaten når de sier at de ikke har fått tid nok til grundig nok å utrede det prosjektet? Vi kan høre om statsråden er uenig.

Når det gjelder SAFIR, er det et nytt system som handler om oppgaveoverføringen fra tolletaten til skatteetaten og det faktum at systemet for særavgifter nå skal utvikles i skatteetaten istedenfor i tolletaten. Vi mener det er betydelige synergieffekter å hente i dette, og jeg tror representanten Slagsvold Vedum kan slå seg til ro med at vi løpende jeg tror representanten Slagsvold Vedum kan slå seg til ro med at vi løpende informerer Stortinget om de behovene som eksisterer for oppgradering. Reglene for ekstern kvalitetssikring når staten skal gjennomføre et stort prosjekt, er på 750 mill. kr. Dette prosjektet er kostnadsanslått til 710 mill. kr, og i det sentrale styringsdokumentet står det svart på hvitt fra skatteetaten selv at de har veldig stramme tidsfrister og derfor er usikre. Det kan finansministeren selv lese. Det står også i det sentrale styringsdokumentet at kostnadene knyttet til tolletatens utfordringer ikke er tatt med i anslaget på 710 mill. kr. Er finansministeren trygg på at kostnadene blir 710 mill. kr, og at de ikke overstiger 750 mill. kr, som ville ha medført at vi måtte hatt en helt annen prosess? Det forunderlige her er også at finansministeren har latt skatteetaten

slik at han kan bruke sommeren på å få gode svar på mange av de spørsmålene han har. Jeg mener det er helt legitimt å være opptatt av at disse tingene går bra. Jeg synes det er et ærlig engasjement, og derfor vil jeg veldig gjerne få lov å utfylle skriftlig til representanten Slagsvold Vedum, slik at han kan få innsikt i alle detaljene i det. Og så ønsker vi representanten Slagsvold Vedum god sommerunderholdning! Spør man partiene på Stortinget, er Og så ønsker vi representanten Slagsvold Vedum god sommerunderholdning! Spør man partiene på Stortinget, er det egentlig flertall for en såkalt utvidet land-for-land-rapportering. Både Senterpartiet, SV, Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig Folkeparti og Venstre er for det. Likevel blir det ikke vedtatt i dag, og det er fordi Kristelig Folkeparti og Venstre, forståelig nok, vil ære en avtale de har gjort med regjeringspartiene om ikke å danne flertall for forslag utover det som framgår i revidert. Men da hadde det vært interessant å vite, siden det er noe spesielt at Stortingets egentlige vilje ikke kommer til uttrykk i et vedtak, hvorfor det er slik at regjeringspartiene ikke kan slutte seg til vedtaket om utvidet land-for-land-rapportering. Hva slags vurderinger er det finansministeren og regjeringen har gjort, som gjør at

at vi skal ha et velfungerende land-for-land-rapporteringsregelverk. Vi er alle opptatt av å bidra aktivt i internasjonale arenaer for et bedre internasjonalt regelverk, som tross alt egentlig er hovedproblemet, særlig for mange land som opplever skatteunndragelser som de ellers kunne brukt på viktige velferdsoppgaver. Det var en vesentlig del av den debatten vi hadde i forrige uke, og jeg var veldig tydelig på at det er viktig viktig nå å evaluere de erfaringene vi har gjort som grunnlag for eventuelt ytterligere utvidelser. Så jeg tror ikke man skal prøve å gjøre dette til et spill mellom de fire samarbeidspartiene. Jeg mener engasjementet er ekte og på tvers av alle partier, og at vi også i tiden fremover kommer til å få utvidet dette regelverket.

at det antas at det er mulig i dag. Snorre Serigstad Valen beskriver det på en god måte i sitt innlegg. Da kan ikke jeg skjønne annet enn at det vedtaket Kristelig Folkeparti fikk med hele Stortinget på, nemlig at forskriften skal hindre uønsket skattetilpasning, ikke er oppfylt i det som regjeringen har lagt fram. Er statsråden enig i det? Hvorfor er det i tilfelle så vanskelig å la Stortinget på nytt be om at den viljen oppfylles her i dag? La meg først si at jeg mener at alle partier i dette stortinget og vekslende regjeringer ha hatt et sterkt engasjement rundt disse spørsmålene. spørsmålene. Det mener jeg er et godt utgangspunkt, for med det tverrpolitiske engasjementet som er rundt disse spørsmålene, klarer vi å finne gode løsninger på flere spørsmål. Dette handler jo ikke bare om land-for-land-rapportering; det handler vel så mye om gode internasjonale avtaler, som vi vil være helt avhengig av

gjøre. Dermed er replikkordskiftet omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.

forsvinner gjennom ulovlig kapitalflukt hvert eneste år. Vi så også på trykk noen dager etter en ny rapport fra Redd Barna, som avdekket at Afrika alene hadde tapt skatteinntekter tilsvarende 1,8 millioner helsearbeidere, og at Redd Barna anslår at skatten som blir unndratt i disse 75 landene med høyest barne- og mødredødelighet, langt på vei kunne ha sikret tilfredsstillende helsetjenester. Jeg tror nok det er i dette bildet vi må forstå hvorfor veldig mange av de humanitære organisasjonene engasjerer seg så sterkt i dette spørsmålet. Vi diskuterer i dag et forslag som helsetjenester. Jeg tror nok det er i dette bildet vi må forstå hvorfor veldig mange av de humanitære organisasjonene engasjerer seg så sterkt i dette spørsmålet. Vi diskuterer i dag et forslag som ikke omfatter alle de spørsmålene som statsråd Siv Jensen tok opp nå. Det er nok slik at på veldig mange områder handler det om internasjonalt samarbeid, det handler om gode avtaler – men det handler også om hva vi som land og nasjon kan gjøre alene. Forskriften omhandler i dag selskaper i utvinningsindustrien. Det selskapene. Når det i dag ikke er mulig å følge kapitalstrømmene inn i skatteparadiser, og vi også har sett påstander om at den første land-for-land-rapporteringen som Statoil har kommet med, ikke følger formålet med dagens forskrift, er det all mulig grunn til å se på dette på nytt. Siv Jensen sier at det er et godt regelverk i dag. Vel, Kirkens Nødhjelp, Publish What You Pay, Tax Justice Network, Redd Barna – alle de organisasjonene som er opptatt av dette – tar antakeligvis ikke feil. Det er rart at Venstre og Kristelig Folkeparti med god samvittighet her i dag bare kan vise til at de har en avtale med regjeringen, når jeg i min replikk til statsråd Siv Jensen prøvde å redegjøre for

til å minne finansministeren og regjeringen om Stortingets vilje – og stemme for forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti i dag. Ansvaret for skatteoppkrevjinga er

Skatteoppkrevjing er ikkje ei naturleg kommunal oppgåve der lokalpolitiske forhold har innverknad, men ei regelstyrt oppgåve som i liten grad skal vere prega av skjøn. Det skal ikkje vere slik at det er stor skilnad mellom kommunane når det gjeld innkrevjing av skatt. Skattytarane vil derfor få auka rettssikkerheit og likare behandling ved dette forslaget. Så registrerer me, gjennom høyringsrunden, at motstanden mot forslaget har vore stor frå kommunane;

Oslo kommune peika på og talte varmt om kor viktig det er med kompetente og tverrfaglege fagmiljø. Min refleksjon i den samanhengen var at dette var eit veldig godt innlegg for å overføre skatteoppkrevjinga frå kommune til skatteetat. Eg meiner Oslo kommune ikkje er representativ for dei men at dei med sine mange årsverk og sitt sterke fagmiljø nettopp m.a. kan drive ei aktiv kontrollverksemd mot svart økonomi. Vi ser at forslaget om å statleggjere skatteoppkrevjarfunksjonen frå 1. januar 2016 ikkje har fleirtal i komiteen, men eg er glad for merknaden frå fleirtalet i komiteen, som ser at det er spørsmål knytte til verksemdsoverdraging og tilsette sine rettar som må utgreiast og at det vil vere naturleg at ei så omfattande endring blir sett i samanheng med m.a. andre reformer som er i gang, og oppgåvefordelinga mellom stat og kommune.

raskt kan koma tilbake med ei løysing alle kan stilla seg bak. Serigstad Valen fann det òg merkeleg at Venstre og Kristeleg Folkeparti er meir lojale overfor samarbeidsavtalen enn eitt av regjeringspartia sjølv er, som han uttrykte det. Utan at eg vil kommentera det siste i detalj, så viser dette at Venstre og Kristeleg Folkeparti òg i praktisk handling tek ansvar for å gje landet ei regjering og eit styringsdyktig fleirtal på Stortinget som landet fortener – med minst mogleg politisk spel og snevre partistrategiske omsyn. Så får regjeringspartiet som Serigstad Valen eventuelt sikta til, sjølv svara på om dei kjenner seg igjen i skildringa eller

virke. Det er ikke god forvaltningspraksis å endre regler før de har fått tid til å virke, og før man har et grunnlag for å evaluere effekten. For private bedrifter som berøres av regelverket, er det viktig med forutsigbarhet, det er viktig at eventuelle endringer blir varslet i god tid, og at konsekvenser og kostnader blir grundig belyst. Jeg oppfatter representanten Serigstad Valen hen i hans innlegg at det siste nærmest er underordet, og det er vi uenige om. Når det er sagt, er det viktig å understreke at Fremskrittspartiet er tilhenger av åpenhet og innsyn, og jeg tror debatten og Stortingets vedtak om eierskapsregister nettopp viste at det er bred enighet om at dette er viktig, fordi det bidrar til effektiv prising av selskap og kapital, fordi det bidrar til effektiv prising av selskap og kapital, og fordi det bidrar til en bærekraftig kapitalisme og en velfungerende markedsøkonomi som ikke utnytter fattige land. Hvis det er målet, er representanten Valen og jeg helt

hun klarer ikke å svare på om hun er enig eller uenig med skatteetaten, som sier at de grunnet tidspress ikke har fått gjennomført en så god utredning som de pleier å gjøre etter skatteetatens egne standarder. Det ble opplyst til Finansdepartementet i mars, i god tid før Stortinget fikk denne proposisjonen til behandling. Hvorfor står det ingenting i proposisjonen om at skatteetaten selv mener de har blitt satt under så sterkt tidspress at de er usikre på sine egne anslag? Hvorfor er det utelatt? Det er en ganske vesentlig opplysning for Stortinget når vi skal bevilge nesten 750 mill. kr, å vite at skatteetaten selv er usikker på prosjektet. Hvorfor står det heller ingenting i proposisjonen om at kostnadene når det gjelder overføring til toll, når det gjelder kartverk, den totale pakken, hovedsakelig ikke blir en del av kostnadsanslaget på 710 som de bevisst i sitt styringsbrev skriver at de har tatt ut fordi de ikke har oversikt? Da vet vi at når vi er på 710 mill. kr, er vi rett ved grensen for at man skal ha en ekstern kvalitetssikring. Dette prosjektet er kvalitetssikret av skatteetaten selv. Hvorfor det hastverket når de selv sier at det er hastverk? Hvorfor ikke ha en ekstern kvalitetssikring når det er så store beløp det er snakk om? Da må det være et prestisjeprosjekt og ingenting annet. Og da nytter det ikke å få et brev til sommeren, vi må ha et brev før fredag, fordi Stortinget skal gi en bevilgningsfullmakt på nesten 1 mrd. kr. I tillegg er vi bedt om å gi en bevilgningsfullmakt på 120 mill. kr til å overføre kommunale skattekontor til staten, når vi i dagens stortingsflertall viser at det er det ikke flertall for. Hvorfor bevilge 120 mill. kr til en reform det ikke er flertall for? milliardbeløp. Så her bør en trekke i nødbremsen, og hvis en ikke klarer å komme med et ordentlig, skikkelig brev før fredag, bør Stortinget ikke bevilge nesten én mrd. kr til et prosjekt som vi ikke vet enden på. Et par kommentarer til det som er

at det også var mulig å få flertall for det. Men vi tar signalet på alvor. Når det sies at det som ikke fungerer, ikke fungerer fordi man ikke har fulgt opp Stortingets vedtak, så har jeg tenkt å følge opp det og komme tilbake for å sikre at den skattetilpasningen som vi ønsket å fokusere på da forskriften ble vedtatt, faktisk følges opp. Når det så gjelder bevilgningene til SAFIR, er det ingen ekstra bevilgninger i revidert budsjett, men det er et kostnadsanslag. Jeg har også merket meg at kvalitetssikringen er gjort av Skattedirektoratet. Ut fra de erfaringer vi har i andre etater knyttet til

så er det p.t. ikke noe flertall for overføring. For meg betyr det at det også er uaktuelt at det brukes penger til noe det p.t. ikke er flertall for. Det er en klar forutsetning. Så har jeg lyst til å problematisere noe annet rundt kemneren – siden høringen ble nevnt – at tvangsinnkrevingen var svakere fra kemnerens side enn fra den statlige Det har ofte en veldig god begrunnelse: For kommunene hjelper det veldig lite hvis kemneren tvangsinndriver et lite skattebeløp, f.eks. knyttet til en bolig, hvis vedkommende dagen etter står i den kommunale boligkøen og skal ha en bolig som vil være langt dyrere for den aktuelle kommunen. Så jeg kjøper ikke alle disse argumentene før man går nøye inn i det og ser hva som faktisk ligger bak. I mange kommuner har det vært et vesentlig poeng at kemneren ikke skal være i første rekke ved tvangsinnkreving f.eks. når det gjelder bolig, for man vet så utmerket godt at man får den regningen på annet vis i

Syria. Det respekterer jeg, men det blir unektelig rart når representanten Breivik fra Venstre står fast på at samarbeidet mellom regjeringen og støttepartiene ikke bærer preg av spill, akkurat når vi har denne våren bak oss. For alle oss som står utenfor og ser på, er det helt åpenbart at det er spill dette samarbeidet bærer preg av. Den sentrale forskjellen mellom Venstre og SV, og som gjør Breiviks innlegg så rart, er at Venstre er et opposisjonsparti. I motsetning til SV i forrige periode så rart, er at Venstre er et opposisjonsparti. I motsetning til SV i forrige periode sitter ikke Venstre i regjering. Venstre har en partileder som tidligere har uttalt at de skal stemme for det de er for, og mot det de er imot. Det må ha vært en grunn til at Venstre valgte ikke å gå inn i regjering med Høyre og Fremskrittspartiet, og jeg ville tro at den grunnen var at de ville være med og danne flertall for det det er flertall for på Stortinget. Det er mildt sagt oppsiktsvekkende at opposisjonen lar seg plassere på rekke av en mindretallsregjering når regjeringspartienes egne representanter her i Stortinget. Både finansministeren og representanten Limi har i sak i dag uttalt seg svært positivt til målsettingen om sterkere land-for-land-rapportering og hensikten bak et sånt regelverk. Da blir det enda rarere for meg, og jeg vil tro også for Arbeiderpartiet og Senterpartiet, at det ikke er mulig å vedta dette i dag. Vår invitasjon til et samarbeid for å få dette til er helt oppriktig. Når representanten Syversen sier at vi burde ha innrettet vårt forslag på en måte som gjorde det mulig å få flertall for det, så tar vi det på alvor. Vi har fire dager på å formulere et forslag sammen som vi kan fremme som et løst forslag i salen på fredag. Både vi, Arbeiderpartiet og Senterpartiet går gladelig inn i samtaler med Kristelig Folkeparti og Venstre for å finne en måte å formulere et slikt forslag på som gjør det mulig å danne flertall på Stortinget for det det faktisk er flertall for, uten at det krenker budsjettavtalen Venstre og Kristelig Folkeparti har gjort

lagt inn for å gjøre livet vanskelig for Kristelig Folkeparti og Venstre, men for å oppnå reell forandring i verden. Jeg kan lese forslaget: «Stortinget ber regjeringen gjøre endring i forskriften om land-for-land-rapportering som kan synliggjøre uønsket skattetilpasning, herunder forslag om utvidet land-for-land-rapportering som sikrer en sterkere kobling mellom land-for-land-rapportering og årsregnskap.» Dette er ikke et veldig ekstremt forslag, som herunder forslag om utvidet land-for-land-rapportering som sikrer en sterkere kobling mellom land-for-land-rapportering og årsregnskap.» Dette er ikke et veldig ekstremt forslag, som på noen måte søker å ekskludere Venstre eller Kristelig Folkeparti. Det er ganske i bokstav etter det flere talere fra Kristelig Folkeparti og Venstre har vært oppe på denne talerstolen og etterspurt. Jeg får bare får bare slutte meg til det representanten Serigstad Valen sier – vi er gjerne med på å diskutere hvordan vi kan innrette et forslag mot fredag som vi alle kan stå sammen om, sånn at vi kan få bekreftet Stortingets vilje til å innføre en forskrift av denne typen, som gjør at det ikke blir mulig med uønsket skattetilpasning, slik forslaget er i dag. Jeg er veldig glad for at Hans Olav Syversen sier at han tar dette på alvor. Jeg vil også gi en kort kommentar til det Limi tar opp, for jeg skjønner at ting skal evalueres. Jeg skjønner at informasjon må hentes inn. Men det er også sånn at vi har hatt én land-for-land-rapportering, fra Statoil, her i Norge. Der har det kommet påstander om at Statoil blander oppstrøms- og nedstrømstall. Det tok jeg opp også i interpellasjonen her. jeg opp også i interpellasjonen her. Jeg har stilt spørsmål til finansministeren om den saken. Hun sier at det er det Finanstilsynet som skal se på, Finanstilsynet kan velge eller ikke velge å se på det, og de vil etter all formodning ta stikkprøver i denne typen saker. Nå er det bare ett selskap som har levert en rapport, så det er ikke så mye å stikke i. For meg signaliserer det uansett kjempevilje til å ta tak i sakene. Det måtte være ønskelig at man sikret seg at nettopp den første land-for-land-rapporteringen vi har her i Norge, i hvert fall følger det som er dagens intensjon fra Stortinget. Såpass må man kunne forvente dersom man skal ha troverdighet i at man ønsker å gjøre land-for-land-rapporteringen bedre.

aksjonærregister i landet vårt og det som har vært sagt om land-for-land-rapporteringen. Jeg har fremdeles troen på at størst mulig åpenhet her gir den beste muligheten til en dynamisk, kapitalistisk verden, og det er jeg for. Når det gjelder akkurat dette forslaget om at det skulle være så veldig lurt å ta dette inn som en revisorbekreftet note i årsregnskapene, årsregnskapene, kan jeg uten videre fastslå at minst én yrkesgruppe ville synes det var et veldig godt forslag. Ellers har jeg lyst til å knytte et par merknader til kemnerdiskusjonen. Jeg må si jeg er skuffet over at man ikke fikk til denne reformen. Jeg har sagt det før at undertegnede tidligere har vært formann i det kommunale skatteutvalget i Bergen i åtte år.

dette. Alle som i det praktiske liv har vært borti disse kemnerkontorene, vet at de er regelstyrt, og at det ikke er noe lokalpolitikk som utøves der. Derfor synes jeg at det momentet ikke er spesielt sterkt. Så har jeg lyst til å si avslutningsvis at en av de oppgavene som også kemnerkontorene skulle gjøre, er arbeidsgiverkontroll. Da må jeg bemerke at det er arbeidsgiverkontroll. Da må jeg bemerke at det er satt et nasjonalt mål om at minst 5 pst. av arbeidsgiverne i hvert fylke skal være kontrollert årlig. I mitt og representanten Breiviks hjemfylke har 14 av 33 kommuner gjennomført dette, og det er ikke godt nok.

til sommeren. Min utfordring igjen til finansminister Jensen er: Kan Stortinget få det før fredag, når vi skal gi den fullmakten og videreføre et prosjekt som er kostnadsanslått til 710 mill. kr, som skatteetaten selv har sagt ikke er grundig nok utredet ifølge de standarder de pleier å ha, og som de selv har evaluert? Kan finansminister Siv Jensen opplyse Stortinget og avkrefte det skatteetaten sier, og si at dette er grundig nok evaluert, og at det ikke er noe grunnlag for at vi burde hatt en ekstern kvalitetssikring? Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1. Jeg har en anmerkning. Ved første gangs behandling skulle det vedtatte anmodningsforslaget fra Kristelig Folkeparti og Venstre vært fremmet i

kan det innvilges overgangsstønad inntil barnet fyller 18 år. Det kan gjøres unntak fra aldersgrensen i første punktum i forbindelse med forlengelser etter § 15-8 annet ledd tredje punktum, fjerde ledd og femte ledd.» Når vi stemmer over dette, vil flere partier stemme for noe som man egentlig er imot, men man gjør det for å gjøre denne voteringen praktisk, enkel og grei, å sikre at Stortingets vilje kommer fram i voteringen. Da har representanten fremmet det forslaget han refererte. Flere har ikke bedt om ordet til

Da er Stortinget klar til å gå til votering over sakene nr. 1, 2 og 3 på dagens kart. Under debatten er det satt fram ett forslag, fra Irene Johansen, på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder: «Stortinget ber regjeringen gjøre endringer i forskriften om land-for-land-rapportering som kan synliggjøre uønsket skattetilpasning, herunder forslag om utvidet land-for-land-rapportering som sikrer en sterkere kobling mellom land-for-land-rapportering og årsregnskap.» Miljøpartiet De Grønne har varslet at de støtter forslaget.

Under første gangs behandling av saken ble forslag nr. 2, fra Kristelig Folkeparti og Venstre, framsatt som et anmodningsforslag. Den foreliggende anmerkning endrer dette til et forslag i lovs form. Forslaget blir da lydende slik: «Lovvedtaket bifalles ikke. Anmerkning: Under I antas følgende bestemmelse å skulle endres slik: § 8 første ledd bokstav b skal lyde:

ledd.» Forslaget erstatter § 15-5 annet ledd i lovvedtak 103 for 2014–2015. Lovvedtaket blir, sammen med den vedtatte anmerkningen, satt opp til tredje gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Det er også 18. juni. Under debatten har representanten Stefan Heggelund satt fram et forslag på vegne av arbeids- og sosialkomiteen. Under første gangs behandling kom det som skulle vært første og tredje punktum under § 15-5 annet ledd ved en inkurie ikke med under behandlingen av saken. Den lovanmerkningen som nå foreslås, vil rette opp dette. Presidenten gjør oppmerksom på at lovanmerkningen kommer fra en samlet komité, og at det dermed forventes at voteringen blir enstemmig. Forslaget blir da lydende: «Lovvedtaket bifalles ikke. Anmerkning: Under I antas følgende bestemmelser å skulle endres slik: § 15-5 annet ledd skal lyde:
Stønad kan gis til enslig mor eller far som har barn under åtte år. For et medlem som er forhindret fra å arbeide på grunn av omsorg for barn som krever særlig tilsyn, kan det innvilges overgangsstønad inntil barnet fyller 18 år. Det kan gjøres unntak fra aldersgrensen i første punktum i forbindelse med forlengelser etter § 15-8 annet ledd tredje punktum, fjerde ledd og femte ledd.»
Forslaget erstatter § 15-5 annet ledd i lovvedtak 103 for 2014–2015. Lovvedtaket blir, sammen med den vedtatte anmerkningen, satt opp til tredje gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Det er også 18. juni. Dermed er voteringen avsluttet, og vi går videre på Stortingets dagsorden.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

Næringskomiteen ønsker å skape politikk som står seg i lang tid, en politikk som videreføres uavhengig av hvilke partier som sitter i regjeringskontorene. Det gjøres kun gjennom brede politiske forlik. Resultatet er da også noe så sjeldent som en samlet næringskomité. Jeg vil rette en stor takk til mine kolleger i komiteen. De har vist samarbeidsvilje evne til å finne gode løsninger, og de har hatt en konstruktiv tilnærming til arbeidet. Jeg blir fascinert av suksesshistorier – historier om at noen tenker nytt, at man har turt å satse, folk som har tjent både landet, lokalsamfunnet og seg selv. Jeg lar meg imponere over dem som har evne til å se nye løsninger og skape nye jobber i nye næringer. Det er historien bak et av Norges største eventyr, historien om havbruksnæringen. Ja, vi har naturgitte forutsetninger som er enestående i verden. Golfstrømmen gir oss perfekte strømmer og vanntemperaturer til å drive med havbruk. Havbruksnæringen var før en attåtnæring for noen spesielt interesserte. I dag er den en multimilliardbedrift som eksporterer verdier for over 45 mrd. kr hvert eneste år. Dette flytter havbruksnæringen helt i front sammen med olje og gass og maritim industri. Havbruksnæringen er en veldig viktig eksportnæring for Norge. I tillegg er havbruksnæringen veldig viktig for kystsamfunnene våre. Langs hele kysten finnes det oppdrettsanlegg som skaper både arbeidsplasser og inntekter for kommunene. Det er rom for en enorm vekst i havbruksnæringen. Trolig kan vi femdoble produksjonen innen 2050. Men veksten må være bærekraftig. Miljøutfordringene har vært og er fremdeles store. Rømning gjør at oppdrettslaksen truer villaksen i elvene. Mange tilfeller av lakselus både skader fisken i oppdrettsanleggene og tar livet av villfisken. I tillegg kan utslipp fra anlegg, som i dag ikke er et stort problem, bli et problem om produksjonen skal femdobles. Komiteen er helt klar på følgende: Miljøet skal sette premissene for oppdrettsnæringen, ikke omvendt. Derfor går vi inn for en nullvisjon både når det gjelder rømning, og når det gjelder resistens hos lakselus. Det skal utarbeides en strategi mot rømning og en handlingsplan mot resistens hos lakselus. Det er ingen tvil om at oppdrettsnæringen har et miljøavtrykk. Hvor stort miljøavtrykk hvert anlegg har, er det ingen som kan si. Hvor stort det samlede miljøavtrykket er i de nye produksjonsområdene, er det svak kunnskap om, men ingen stiller lenger spørsmål om hvorvidt oppdrettsnæringen har et miljøavtrykk. Det miljøavtrykket må begrenses. Derfor mener komiteen det vil være uansvarlig å legge til rette for et nytt vekstregime nå. Først må vi ha gode nok modeller for å slå fast oppdrettsanleggenes ansvar for dødelighet på villfisk. Det er viktig i et bærekraftperspektiv. Derfor ber komiteen om mer kunnskap om oppdrettsnæringens påvirkning på villfisken. Vi ønsker å være sikre på at det er miljøet som legger premissene. Da må modellene være tryggere enn i dag. Enn så lenge legger vi opp til at verdens strengeste miljøregelverk skal videreføres. Regjeringen skal kunne gi vekst, men etter svært strenge kriterier, særlig når det gjelder miljøavtrykket til næringen. Den innstillingen vi nå diskuterer, ivaretar også små og mellomstore aktører. Regjeringen ønsket at prisen aktørene måtte betale for vekst, skulle settes ved auksjon mellom aktørene. Problemet med dette var at små aktører kanskje ikke hadde like mye kapital som store, og at aktører som brukte mye kapital og ressurser på bekjempelse av lus og rømning, ikke hadde like mye kapital igjen til å vinne auksjoner. Med auksjonsprinsippet kunne man dermed risikere at det kun var de få store eller de som ikke hadde brydd seg så mye om lusebekjempelse og rømning, som til slutt fikk veksten.

Kommunene kommer også godt ut av næringskomiteens behandling. Tidligere har kommunene fått 40 pst. av prisen på nye konsesjoner og 50 pst. av prisen på vekst. Resten har gått til staten. Nå har næringskomiteen foreslått at kommuner og fylkeskommuner skal få 80 pst. av begge tildelingene. Det vil bety at kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet får Det vil bety at kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet får omtrent 400 mill. kr mer annethvert år dersom to av fem oppdrettsanlegg kvalifiserer til vekst. Man må kvalifisere til vekst, og det er det lusa som avgjør. Komiteen legger også opp til at kommuner som i dag har oppdrett, skal få midler fra havoppdrettsfondet. For meg er det viktig nok en gang å understreke at i den innstillingen vi nå har til behandling, slår vi fast at det er miljøet som skal være premissleverandør. Derfor var jeg overrasket over responsen fra to av de partiene på Stortinget som selv mener de er best på miljøet. Miljøpartiet De Grønne reagerte på at vi bremset regjeringens vekstplaner. De Grønne mente tiden var overmoden for vekst. Tydeligvis var det ikke så viktig at fagmiljøene først skulle finne fram gode modeller for næringens miljøavtrykk. Fagmiljøene er usikre på den foreslåtte modellen. Det kom tydelig fram gjennom høringene. De er uenige om den er god nok. Derfor mener næringskomiteen at det er lurt å vente med et nytt vekstregime. Modellene som skal måle miljøavtrykket, må først bli gode nok. Men tydeligvis mente Miljøpartiet De Grønne at fagmiljøene her tar feil. De mente det var mulig å vedta 6 pst. vekst annethvert år allerede nå. Jeg må si det overrasker meg, siden vi for noen måneder siden behandlet et forslag fra Miljøpartiet De Grønne der de foreslo stans i veksten i oppdrettsnæringen.

Det er ganske tung forskning om dette.» Dette er rett og slett feil. I innstillingen sier en samlet komité følgende: «Komiteen støtter at det i første omgang er lusenivået som er miljøindikator for vekst.» Videre ber komiteen om at også utslipp bør utredes som en miljøindikator, og alle, bortsett fra Fremskrittspartiet, ber om at det må utredes indikatorer for svinn og sykdom. ikke bare lakselus som skal bli indikator. Også svinn, sykdom og utslipp skal utredes som indikatorer. Det viktigste for Kristelig Folkeparti har vært at vi kan være trygge på at framtidig vekst i næringen er bærekraftig. Miljøavtrykket må være minst mulig. Jeg mener at regjeringen har fått gode verktøy i det videre arbeidet med å legge til rette for et godt vekstregime – et vekstregime som setter miljøet og det biologiske mangfoldet som premissleverandør. Med disse rammene kan oppdrettsnæringen ha en eventyrlig framtid i landet vårt. Jeg anbefaler med dette komiteens innstilling. Aller først ein takk til saksordføraren for eit godt og beskrivande innlegg. Dei aller fleste av

og at visjonane i berekraftstrategien ligg fast. Arbeidarpartiet ønskjer vekst innan havbruk, og veksten skal vera miljømessig berekraftig. Villaks, sjøaure og havbruk skal leva i sameksistens. Det er fullt mogleg å foreina berekraft for miljøet med vekst innan havbruk, og Arbeidarpartiet er nøgd med at ein samla komité peikar ut ei retning for korleis havbruksnæringa skal utvikla seg vidare. Og eg er spesielt glad for at ein samla næringskomité slår fast at visjonen frå Stoltenberg-regjeringa om ein berekraftstrategi for næringa står fast. Komiteen påpeikar også føre-var-prinsippet som ligg til grunn. Naturmangfaldlova slår fast at ein påverknad av eit økosystem skal vurderast ut frå den samla belastninga som økosystemet er eller vil verta utsett for. Såleis er inndeling i produksjonsområde eit godt verktøy. Før produksjonsområde kan etablerast, må ein innhenta meir kunnskap. Det manglar eit historisk arkiv som viser naturlege variasjonar av lakselus på villfisk i forskjellige område. For å sikra at modellen med teljing av lus på villfisk er representativ, må denne kunnskapen på plass, og dette arbeidet må starta straks. Det må seiast at det har kome fram forskjellige syn og vore usemje både i næringa og i fagmiljøa om utforming av modell og handlingsregel for vekst i havbruksnæringa. Det er sådd tvil om Havforskingsinstituttet, HI, sin modell for dødelegheit på villfisk med bakgrunn i lusenivå i oppdrettsanlegga er klar og treffsikker nok, slik som saksordføraren gjorde greie for. HI seier sjølv at modellen berre er 70 pst. sikker. Både produksjonsområde og teljing av lus på villaks er omdiskutert. Arbeidarpartiet er spesielt glad for at det før innføring av ny vekstmodell skal på plass kunnskapsbank, at fleire fagmiljø skal inn i bildet, og at dette skal skje i tett dialog med næringa sjølv. Regjeringa foreslår ein handlingsregel med ein miljøindikator, som i første omgang vert knytt opp mot lus. At det i første omgang berre er lus som er miljøindikator, meiner vi i Arbeidarpartiet er rett. Rømming kan ikkje takast inn som indikator i produksjonsområdemodellen, og ein jobbar med å få på plass indikator for utslepp. Det at det er lus som er indikator, har utløyst diskusjonar om korleis teljinga skal skje, kva metodar som skal nyttast, og ikkje minst om teljinga skal skje som i dag, i merdane eller på villfisk. Det trengst atskilleg meir kunnskap knytt til havbruksnæringa sin påverknad på villfiskbestandar, og kva påverknad enkeltanlegg har på villfisken rundt. Meir kunnskap om korleis lusenivået på villaksen vert påverka av naturlege variasjonar som snøsmelting, temperatur, vassføring osv., må på plass. Det er per i dag ikkje eit register som viser dei naturlege variasjonane i lusepåslaget som villaksen har gjennom årstidsvariasjonar og årsvariasjonar i det enkelte elveleiet. Innhenting og lagring av slike data over tid vil gje eit register med faktabaserte opplysningar om naturleg lusenivå. Ein vil også her få faktaopplysningar og kan samanlikna der det er oppdrett, og der det ikkje er oppdrett. Eit anna ankepunkt som har vore i debatten, er at talet på fisk som vert undersøkt, må vera vesentleg høgare enn i dag, og alle område må undersøkjast. Også dei metodane som vert brukte i dag, er omstridde, f.eks. å fanga laksen i bur, la han stå der og så telja lusepåslaget. Dette vil ikkje gje eit representativt bilde av naturleg lusepåslag av di lusa vil søkja til ein laks som står i ro, noko han ikkje gjer i Eg vil difor understreka at metodane som ein skal bruka framover, må gje representative resultat, og her må ein jobba saman med næringa for å finna fram til gode representative metodar. Metodane må vera anerkjente også av næringa sjølv, slik at ein slepp diskusjon om faktainnsamlingane er representative. Det må også fleire fagmiljø inn i bildet for å finna best moglege modellar. HI er både forvaltar og forskar, og, som sagt, seier sjølve at dei berre er 70 pst. sikre på sin eigen modell. Vi kan ikkje både seia at dette er Noregs framtidsnæring nr. 1, ho som skal overta etter olja, og som er i ei særklasse, og så velja ein modell som er meir usikker enn vêrvarslinga. Difor er det bra at alle parti i næringskomiteen, med unnatak av Høgre, har teke inn over seg at det er for prematurt å etablera den føreslåtte modellen som endeleg modell for produksjonsjusteringa i havbruksnæringa. Arbeidarpartiet har vore oppteke av at Mattilsynet får tilstrekkelege ressursar til at dei kan føra meir tilsyn, justera produksjonen og følgja opp pålegg på anlegg som ikkje følgjer driftskrava. Det er bra at ein samla næringskomité påpeikar dette; då er det håp om at det viser att òg i budsjettala. Forskarar har peika på at det er mogleg å seksdobla verdiskapinga i dei marine næringane fram mot 2050, og at havbruk vil stå for størstedelen av denne veksten. Arbeidarpartiet meiner næringskomiteen har funne ein god balanse mellom vekst og berekraft i arbeidet med innstillinga. Hovudutfordringa til havbruksnæringa i dag er lus og rømming. Når det gjeld rømming, er vi samde i den modellen regjeringa har laga for utfisking, men det er eit krav frå ein samla komité at dette ikkje er nok. Vi vil ha ein strategi for rømming som tek utgangspunkt i ein nullvisjon. Resistens på lus har etter kvart vorte ei utfordring. Det er difor viktig å påpeika at for strenge lusekrav fører til meir avlusing, som igjen kan føra til større fare for resistens. Det er difor viktig å bruka ikkje-medikamentelle metodar. Handlingsplan for resistens er også eit krav frå ein samla komité. Når det gjeld forskjellige metodar for å setja i verk tiltak mot lus, er det mykje spennande forsking,

Berekraftig fôr og tilgang på fôrressursar kan koma til å bestemma utviklingspotensialet og strukturen i ein global akvakultur. Knapt med marint basert fôr til oppdrettsfisk medfører at nye råvarer vert tekne i bruk. Betre utnytting av restråstoff frå både raud og kvit fisk må setjast i fokus. Men eg vil også påpeika innblanding av andre ting, som f.eks. skogavfall, etc. Havbruk er ei av dei viktigaste næringane våre, som bidreg til verdiskaping og

Arbeidarpartiet er oppteke av at leverandørindustrien får ta del i teknologiutviklinga både til sjøs og til lands, og det er viktig at næringa sjølv vel teknologiløysingane. Om vi kjem dit at det er vi politikarar som skal velja teknologi, er vi på galen veg. Det er næringa sjølv som må velja, og då må vilkåra vera like og ikkje konkurransevridande for den eine eller den andre teknologien.

og ikkje vore 100 pst. avhengig av vekst. Det var heller ikkje snakk om å auka avgiftsnivået utover dagens nivå i primærmodellen vår. Men eg vil påpeika at havbruksfondet no må etablerast raskt, slik at inntektene frå nye konsesjonar som enno ikkje er utbetalte, bør tilfalla dette fondet som ein startpott. Det er bra at det vert slutt på den uretten som gjorde at nye kommunar fekk mange millionar i eingongsutbetaling, at dei som over år hadde tilrettelagt for vekst, fekk null. Havbruksfondet som vert oppretta, fordelar inntektene. Og eg vil påpeika at av dei 80 pst. må brorparten gå til vertskommunane. Heilt til slutt vil eg seia at eg er forundra over regjeringas totalt manglande evne og vilje til å la Stortinget handsama veksten i havbruk utan å juni kunne vi lesa at fiskeriministeren vil ha fart på utviklinga av grøn oppdrettsteknologi – dette midt under handsaminga av meldinga om vekst i havbruk. Dette er i beste fall

Laks og ørret står i dag for 60 pst. av eksportverdien av all den fisken vi eksporterer. Det er altså en stor næring, og det har vært sagt at den danser på linje med olje og gass. Den skal i alle fall dit, er min mening. Vi får stadig flere eksempler på at norsk leverandørindustri også leverer innovasjon når havbruksnæringen står overfor nye utfordringer. Vi snakker altså om en komplett sjømatklynge når vi snakker om norsk sjømat. sjømat. Øyeblikksbildet er veldig bra, men det skal ikke stikkes under stol at det finnes utfordringer. Etter hvert som produksjonen vokser, vokser også den totale belastningen næringen har på omgivelsene, og i denne debatten er det stemmer som mener at denne belastningen vokser proporsjonalt med næringens vekst, mens andre mener at vi ikke har nok kunnskap om hva som er realitetene. Her er vi ved kjernen av meldingens hovedinnhold: kunnskap. Hvordan sikre kunnskap, sånn at vi vet hvilket fotavtrykk næringen setter? Hva betyr disse fotavtrykkene, og hvordan begrenser vi de eventuelt negative sidene ved de fotavtrykkene vi får ved å øke produksjonen til en såpass stor næring? Meldingen har som mål en forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst for havbruk. Det vil si at vi skal forvalte den kunnskapen vi har om hvordan næringen påvirker omgivelsene. Der er modellen med produksjonsområder et godt verktøy. Vi kan i utgangspunktet tenke oss at vi skal ha én regel langs hele kysten, men vi vet at vi har en lang kyst, og vi vet at Norge er havlandet. Omgivelsene er forskjellige alt etter hvor vi befinner oss på kysten – inne ved kysten, ytterst ved kysten eller i fjordene. Ved å etablere produksjonsområder får man en forvaltning som er mer skreddersydd til de forskjellige områdene enn det vi har i dag. det er ved å innhente og forvalte kunnskapen vi har om dette og regulere næringen i tråd med eksisterende lovverk og relevant kunnskap, vi skaper de gode rammene. Hvordan skape gode indikatorer for vekst i et lengre perspektiv? Meldingen behandler flere mulige indikatorer. Det har vært nevnt rømming, sykdom, lus og utslipp, men det er viktig å poengtere at man har valgt å se bort fra rømming, sykdom og utslipp som bærekraftindikatorer. Det er forholdet mellom de rømmingene vi har, og næringens vekst og volum. Derfor har man valgt lus som bærekraftindikator. Hvordan påvirker lakselusen villaksen? Hvordan påvirker havbruksaktivitet villaksen, også villaksen i elvene? Norges elver, kyst og havområder er viktige for villaksen.

Hvordan påvirker vi villaksen, og hvordan påvirker vi dødeligheten til villaksstammene våre? I dagens debatt kan det nesten se ut som om det bare er havbruksnæringen som skal forholde seg til den norske villaksnormen. Jeg må få skyte inn at det faktisk ikke er sånn. Villaksnormen er satt der for at all aktivitet skal være nødt til å ta hensyn til villaksen – det være seg om vi bygger ut kraftindustri, om vi skal ha et reiselivsanlegg, hvor mye vi fisker av villaksen, og hvordan landbruket påvirker villaksstammene våre i elvene. All denne aktiviteten – og havbruk – skal bruke den normen når man ser på sin aktivitet, og regulere aktiviteten i forhold til den. Meldingen har som mål å skape forutsigbar og bærekraftig vekst, og da er det et mål at vi skal få næringen til å sette inn enda flere ressurser på forskning og utvikling. Forutsigbar vekst gir bedre rammer for markedsarbeid, budsjettering og drift. Det gir også forutsigbarhet når det gjelder nyinvesteringer, innovasjon og det å ta i bruk ny teknologi. Derfor er havbruksfondet, som vi har laget en skisse til, et veldig godt verktøy. Næringen har vært gjennom en rekke tildelingsrunder tidligere som har det til felles at ingen ligner på hverandre. Når vi ba regjeringen levere på på objektive tildelingskriterier, er vi fornøyde med det som er lagt fram nå. Det gjør også at næringen kan forholde seg til vekst og framtidsplanlegging på en helt annen måte. Denne meldingen er i så måte et veldig godt verktøy. er i så måte et veldig godt verktøy. La meg få lov å takke saksordføreren for et meget godt innlegg, og ikke minst for å ha ledet denne saken på en utmerket måte i komiteen. Jeg vil også benytte anledningen til å takke de andre i komiteen for å ha vært med og bidratt til å komme fram til en veldig god

De Grønne reiser kritikk. Som det står i innstillingen fra komiteen, er dette en viktig næring. Sjømatnæringen produserer 1,25 mill. tonn matfisk til en førstehåndsverdi av over 40 mrd. kr. Det utgjør 14 millioner måltider laks hver eneste dag. Det er klart at det er en svært viktig næring for Norge, men ikke minst er det en helt avgjørende næring også internasjonalt når det gjelder å produsere mat. Det gjør man på en energimessig god måte. Man gjør det på en fôrmessig og arealmessig god måte. Det er altså en effektiv og klimavennlig matproduksjon, som Norge bidrar stort til. Det er et godt utgangspunkt. Det har vært nevnt en del om produksjonsområder. Jeg skal ikke gjenta det, men for Fremskrittspartiet har det vært viktig å få mer forskning og kunnskap inn i en eventuell framtidig, ny modell. Det har vært interessant å se på de ulike forskermiljøene, som har litt ulik tilnærming, og da er det naturlig at man bruker mer tid på å innhente nødvendig kunnskap for å kunne gjøre de rette grepene for framtiden for denne næringen. For bærekraft er et nøkkelord som går igjen, og vi ønsker, som resten av komiteen, at det skal bli en optimal arealutnyttelse av kysten – ikke minst for oppdrett, men også når det gjelder slakting og bearbeiding av råstoff. Vi i Fremskrittspartiet er veldig glade for at man har funnet en god løsning på spørsmålet rundt dette som blir betegnet som en arealavgift, og at vi nå har fått til en bred enighet om et havbruksfond, setter vi stor pris på. At alle kommuner som har oppdrett, kommer til å ha glede av dette fondet, synes vi er veldig bra. At samtlige partier står bak den modellen man har landet på, er svært bra. Det står seg over tid, det står seg forhåpentligvis også både etter skiftende regjeringer, som kanskje kommer i framtiden, og i alle fall etter de valgene som kanskje kommer i framtiden, og i alle fall etter de valgene som kommer framover, slik at det blir forutsigbarhet for disse kommunene. Så jeg er glad for at de partiene som hadde arealavgift med årlig avgift inne i merknadene, har gått bort fra det, for det man vet – bygd på historisk erfaring – er at også oppdrettsnæringen kommer til å møte vanskelige tider, der økonomien blir krevende framover, der det ikke er blå tall på bunnlinjen, men røde tall, og det er krevende å skulle betale inn en avgift når man går i minus. Så jeg er svært glad for at man har landet på denne gode løsningen. Jeg vil avslutningsvis bare si litt om

til slakteriene og de bedriftene som driver med bearbeiding av råstoff, sånn at man får en god og sikker råstofftilgang også i framtiden. Jeg vil også starte med å takke saksordføreren for den jobben som er gjort, og vil særlig trekke fram at komiteen har lagt opp til bred kunnskapsinnhenting gjennom både høring og befaringer underveis i behandlingen. Det har vært viktig, og det fortjener en så stor og viktig næring som den norske oppdrettsnæringen. Så er det det å si at utgangspunktet som vi fikk fra regjeringen, var jo ikke det beste. Det var en melding som definitivt manglet forankring i næringen. Jeg tror at skal en løse de store utfordringene som oppdrettsnæringen står foran, var det en feil strategi fra regjeringen å legge fram en melding

at departementet underveis, mens Stortinget hadde saken til behandling, avholdt informasjonsmøter i både Bergen, Trondheim og Tromsø om hvordan meldingen egentlig skulle tolkes. Så til historien: Det må ikke skapes et inntrykk av at alt i fortiden har vært kaos i oppdrettsnæringen, og at alt vil bli tydelig og helt klart i framtiden. Ser en på vekstutviklingen til oppdrettsnæringen,

og at en blir mer profesjonell og lærer underveis, er en selvfølge. Næringen må vokse innenfor miljømessige rammer. Da er hensynet til villaksen svært viktig fordi det er et selvstendig mål – det er viktig for det biologiske mangfoldet – å ta vare på villaksen. Det er ikke en så stor næring, men det er en viktig næring knyttet til villaks og opplevelser rundt villaksfiske. Det er klart at verdien av villaksfiske blir mindre laks. Til spørsmålet om produksjonsområde, som har vært en av de vanskelige tingene: Her støtter en intensjonen med en områdetenkning, men det er kun Høyre som ikke er med på å si at det er prematurt å innføre det nå. Når det gjelder rømming, har jeg erfart i at det er for slappe holdninger i næringen til spørsmålet knyttet til rømming. Det blir vist til en nullvisjon, men jeg har ofte opplevd at en skylder på menneskelige feil for at sånt skjer. Denne strategien som nå skal lages, må lages med det utgangspunktet at nullvisjonen skal være reell, og da må en ha barrierer, slik at menneskelige feil ikke gjør at rømming skjer. Der ønsker Senterpartiet å støtte en linje, en knalltøff linje, for det må en ordne opp i, det er det mulig å ordne opp i, og en har andre bransjer som har kommet langt i barrieretenkning og sikkerhetstenkning for å forebygge rømming. Så har det vært viktig for Senterpartiet å legge til rette for de små aktørene. Det gjør vi først og fremst på måten som vi har sagt at vekst og nye konsesjoner skal tildeles på. For de små aktørene vil det være viktig at en har mulighet for iallfall å få veksten som fastpris, og for Senterpartiet har det vært et mål at regjeringen skal se på en modell der en kombinerer auksjon med en årlig betaling i årene etter tildeling for å begrense beløpet en må betale for å komme inn i næringen.

og for Senterpartiet har det også vært viktig at en liten del av disse inntektene skal tilfalle fylkeskommunene, som har en viktig rolle i tilretteleggingen for oppdrettsnæringen. Så må dette fondet være på plass 1. januar 2016 – det er et definitivt krav – og at det allerede i 2016 kan genereres inntekter gjennom en 80–20-fordeling, som komiteen har pekt på.

at Miljøpartiet De Grønne er så pass hissig etter å komme i gang med veksten at de ikke vil vente på de siste utredningene. Det får vi ta senere i debatten, og jeg vil da også komme tilbake til Senterpartiets holdning til de forslagene som Miljøpartiet De Grønne og SV har lagt fram.

I dag sender vi en tydelig melding til oppdrettsnæringen om at det er en bred politisk vilje til å finne de beste rammebetingelsene og løsningene for økt verdiskaping i en av landets viktigste næringer. Samtidig slår komiteen ettertrykkelig fast at vekst i havbruksnæringen ikke kan skje uten at næringens aktører er i stand til å håndtere lusutfordringen eller Dette står helt sentralt for Venstre, slik det står helt sentralt for oss at utfordringen med rømming av fisk fra merdene må løses. Venstre er glad for at det er full enighet i komiteen om å be regjeringen legge fram en strategi mot rømming som tar utgangspunkt i en nullvisjon. Jeg mener at vi med dette balanserer oppdrettsnæringens interesser og behov knyttet til næringsutvikling, villakssektoren og miljøhensyn på en god måte. Det kan ikke være tvil om at dette er et langt steg mot en mer bærekraftig havbrukspolitikk, for uten ivaretakelse av miljøet og en løsning på miljøutfordringene knyttet til oppdrett vil det ikke bli bærekraftig vekst. I tillegg er jeg fornøyd med at en større andel av inntektene skal tilfalle de kommunene og fylkeskommunene som har oppdrettsvirksomhet. I Venstre er vi opptatt av å ivareta kommunenes økonomi, å øke sysselsettingen og bosettingen langs kysten, å ivareta næringens vekstpotensial og – ikke minst – ivareta miljøet. Skal vi få en bedre håndtering av miljøutfordringene og veksten i oppdrettsnæringen, må vi ha positive kommuner og mer lokalt forankret samarbeid mellom næringen og myndighetene. Med det nye havbruksfondet og mulighet for markant økte inntekter fra vederlag til kommunene i hånden, må kommunene også ta større ansvar for å løse lokale miljøutfordringer i samarbeid med næringen. Mange aktører har jobbet intenst både i høring, i media møtevirksomhet for å påvirke utfallet av denne saken. Det gjelder oppdrettssektoren, villakssektoren, miljøorganisasjoner og også fiskernes organisasjoner. Saken skulle være meget godt opplyst. Jeg har lånt øre til mange fordi jeg vil sikre framtidig utviklingsmulighet også for de aktørene i kystsonen som på mange måter er i konkurranse med oppdrettsnæringen om areal,

Med de ulike føringene fra komiteen og de ulike tiltakene vi nå ber regjeringen om å utføre, mener jeg at det nå er høye ambisjoner for å løse miljøutfordringene innenfor oppdrett, samtidig som oppdrettere som er i stand til å håndtere disse utfordringene, gis mulighet for vekst. Vi ber altså i dag om at regjeringen på egnet måte legger fram for Stortinget det endelige forslaget til produksjonsområder

Vi legger inn klare forutsetninger til havbruksnæringens aktører om at miljøhensyn må og skal ivaretas for at det kan bli skapt vekst. Oppdrettsnæringa er

Begge har blitt store og viktige næringar langs kysten, og begge er omstridde i møte med andre kystnæringar og miljøinteresser. Samtidig er det ein avgjerande forskjell på desse to næringane sett frå mitt perspektiv. Oljenæringa vil i eit langsiktig industrielt perspektiv vere ei avslutta næring, iallfall i løpet av dette hundreåret. Oppdrettsnæringa, derimot, dersom ho blir gjord berekraftig, kan vere forløparen til ein avgjerande modell for akvakulturell matproduksjon globalt. På mange måtar er oppdrettsnæringa framtida og oljenæringa fortida. Men det må gjerast riktig. Vi blir fleire menneske på denne jorda, og det krev meir mat. Landjorda er allereie meir enn utfordra. Ferskvatn er ei stadig større mangelvare. FN meiner at så mykje som 70 pst. av framtidig matproduksjon må kome frå havet. Mange pilar peiker difor på nettopp oppdrett og akvakultur generelt. Men skal vi kome dit, må mykje skje. Næringa må bli reelt berekraftig. Vegen til berekraft følgjer to spor: 1. Tøffe krav. Offensiv satsing på forsking og utvikling. Lat meg ta tøffe krav og berekraft først. Her vil eg gje fiskeriminister Aspaker ros. Systemet med trafikklys, som byggjer på berekraftskriterium kombinert med soner, er eit veldig godt system. Her trur eg vi er på veg mot eit system, ei innramming av akvakulturnæringa, som opnar opp for ei kunnskapsbasert forvalting av kysten vår. Eg trur også dette vil dimensjonere og definere dei politiske debattane vi har i dette rommet. Samtidig opnar regjeringa for meir vekst i ei næring som enno ikkje er berekraftig: moderat risikoprofil, 6 pst. vekst, eventuelt 6 pst. nedgang dersom ein ikkje tilfredsstiller krava. Og som ein digresjon kan vi nemne at vekst også skal danne utgangspunkt for kva kommunane skal sitje igjen med. Veksten skal rett og slett dimensjonere heile næringa. Eg er ikkje ueinig i lysa – om det er raudt eller grønt eller oransje lys – men eg er ueinig i kva som utløyser dei. Det som utløyser dei, er kriteria, og det er med utgangspunkt i det som regjeringa sjølv vurderer som mangelfulle berekraftskriterium. Alle er einige i at lakselus er eit viktig kriterium, men det er ikkje eit nøkkelkriterium. Det er ikkje eit kriterium som fortel alt. Det er mange andre forhold. Når regjeringa og eit fleirtal i komiteen vurderer det sånn at vi treng å utvikle fleire kriterium for berekraft, kan det ikkje bli forstått på nokon annan måte enn at det føreslåtte systemet ikkje er ferdig utvikla, ikkje gjev eit fullstendig bilde av økologisk avtrykk frå næringa, ikkje dannar godt nok kunnskapsbasert grunnlag for å gjere vedtak. Å forstå noko anna vil vere heilt ulogisk. Det er overraskande at ein samrøystes komité opnar for vekst med utgangspunkt i så kriterium. Da er vi tilbake til føre-var-prinsippet: Er du i rimeleg tvil, bør du ikkje gasse på. Vi bør vere meir opptatt av berekraft og langsiktig nytte enn av vekst og kortsiktig nytte «i nuet». Dette er bakgrunnen for at SV i dag ingen vekst i oppdrettsnæringa før vi har skapt eit fullverdig berekraftsregime med fleire indikatorar på både produksjonsområde og konsesjonsnivå. Det er ikkje berre for å dimensjonere veksten som skal skje, men for å regulere heile næringa. På same måte føreslår vi ei skikkeleg arealavgift, som ikkje er vekstavhengig – som det jo faktisk er fleirtal for i denne salen, men som har blitt forhandla bort for kven veit kva. Dessutan verkar det som om utfordringane knytte til villaks har blitt tilbørleg behandla. Men som fleire har påpeikt, også ulike fagmiljø, er det ein del andre marine artar i nærleiken av oppdrettsnæringa også som ikkje har fått den same kunnskapsbaserte behandlinga. Her meiner eg det ligg ei utfordring i kunnskapsgrunnlaget frå Havforskingsinstituttet, som meldinga i stor grad byggjer kriteria på. den same kunnskapsbaserte behandlinga. Her meiner eg det ligg ei utfordring i kunnskapsgrunnlaget frå Havforskingsinstituttet, som meldinga i stor grad byggjer kriteria på. Det tar i liten grad inn over seg betydninga næringa har for andre marine artar og andre kystnæringar. Difor føreslår vi ei kunnskapsinnhenting om akkurat det. Så meiner vi at tida er moden for forbod mot kitinhemmarar og ein sterk reduksjon i bruken av hydrogenperoksid. Kitinhemmarar har skal- og krepsdyr og kanskje andre marine artar, og dermed andre kystnæringar. Hydrogenperoksid er eit fantastisk og naturleg middel, men brukt i for stor grad, slik som vi ser i dag, blir det plutseleg til skade både i merdar og for fisk. Dette er ikkje ein diskusjon for eller imot oppdrettsnæringa. Eg har djup tru på oppdrettsnæringa som konsept og som leveveg i framtida. Men som ein god ven av oppdrettsnæringa tillèt eg meg også å vere djupt kritisk til den tilstanden ho er i i dag. Skal vi verkeleg klare å bli fleire menneske på denne jorda og samtidig ta vare på naturen, er ei berekraftig og effektiv akvakulturnæring ein av nøklane. Vi er ikkje der

både djupt og grunt, alltid sikker, alltid topp kvalitet – gladlaks – alltid berekraft, kjem vi ikkje utanom at både vi som offentleg myndigheit og næringa sjølv må bruke atskilleg meir på forsking, utvikling og teknologi enn vi gjer i dag. Ikkje å auke satsinga betrakteleg meiner eg både Noreg som nasjon, norsk natur og oppdrettsnæringa Sjølv om det har skjedd ein del teknologiske nyvinningar innan oppdrett, er grunnteknologiane dei same som da næringa starta på Hitra på slutten av 1960-talet. Som ein illustrasjon er det framleis open not som rammar fisken inn, og nøter som ofte må bytast ut, og som er sårbare for stadig meir usikkert vêr. Grunnteknologien er framleis den same. Kva om vi bringa saman dei verdsleiande teknologimiljøa innanfor oljenæringa for å bidra til å utvikle framtidas oppdrettsteknologiar? Kompetanse- og teknologioverføring frå f.eks. offshore er veldig spennande, og i mars tok Norsk Industri, Norsk Olje og Gass, Abelia og Tekna initiativ til Transferit, som nettopp handlar om det. SV er det einaste partiet, ser eg no,

basert på utnytting av CO2 frå f.eks. smelteverk og bruk av algar frå Barentshavet? Det ville vore ein vakker visjon, som eg tippar Senterpartiet, som er så oppteke av matvaresikkerheit, ville vore einig i. Til slutt berre nokre få ord om lokalt eigarskap og gevinst. Eg synest det er problematisk at komiteen har landa på å ha ei arealavgift – om vi kan kalle det det – som berre knyter seg til vekst. Det var eit fleirtal for ei arealavgift i denne sal. Den teknologiske utviklinga gjer at det blir færre arbeidsplassar i oppdrett. Vi ser også at det blir færre aktørar. Meir av verdiane blir faktisk henta ut av lokalsamfunna langs kysten. Da er det berre rett og rimeleg at ein del av omsetninga som skjer Eg håpar iallfall vi vil kome tilbake igjen til forslaget om arealavgift ved seinare behandlingar, og at det framleis eksisterer eit fleirtal i denne sal som er villig til å gå vidare med det. Representanten skal trolig ta opp forslag? Ja. Representanten Torgeir Knag Fylkesnes har tatt opp

Men forutsetningen for at dette i det hele tatt er tenkelig, er at denne næringen må være bærekraftig, og bærekraftig i den forstand ordet faktisk må tolkes, dvs. det må være en næring som ikke belaster miljøet rundt seg på en negativ måte. Og nylig kom det altså nok en statusrapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, og der står det: «Rømt oppdrettslaks og lakselus framstår generelt som de to ikke-stabiliserte bestandstruslene mot norsk villaks. Problemet med lakselus ser ut til å øke i utbredelse, og det er fare for at smittepress fra lakselus kan redusere lakseinnsiget i flere områder i årene som kommer.» Som kjent har lakseinnsiget i Norge blitt mer enn halvert fra 1983 til 2014, og den eneste grunnen til at vi ikke ser en direkte kollaps i villaksbestanden, er at beskatningen er kraftig redusert. Dette kan ikke være resultat av noe som helst annet enn den måten norsk oppdrettsnæring har blitt forvaltet på de siste 20, 25, 30 åra. Det er fravær av tiltak, fravær av effektiv politikk og fravær av krav som gjør at oppdrettsnæringen har fått lov til å fortsette å vokse voldsomt, selv om disse problemene altså etter helt oppdatert forskning enda en gang blir påpekt å være økende og ute av kontroll. Miljøpartiet De Grønne har flere ganger rost fiskeriministeren for å foreslå nye tiltak og nye mekanismer som er bedre og mer forpliktende og potensielt mer effektive enn sine forgjengere. Det er bra at vi omsider diskuterer et regime der belastning på ytre miljø legges til grunn for totalproduksjonen, slik at det er prinsipielt mulig å se for seg en reduksjon i produksjonen som resultat av at miljøindikatorer ikke blir overholdt. Men det forliket som Stortinget nå er blitt enige om, er dessverre noe annet. Det opprettholder nok en gang næringens hovedproblem, åpning for fortsatt vekst, som vil nulle ut miljøforbedringer. Det er den voldsomme veksten i næringen gjennom mange år som er årsaken til at diverse miljøtiltak ikke har fått den effekten på det ytre miljø som tanken var at de skulle få. For det er jo slik at selv om bare de beste anleggene, som holder lusekravene, får vokse,

Isteden har vi altså fått et forlik som åpner for en del gode muligheter, men som skal utrede, som skal utarbeide, som skal vente på planer om lusetiltak, rømningstiltak osv., og som refererer til nullvisjoner som har eksistert i årevis. Dette har vi dessverre hørt før – det er ikke det samme som konkrete tiltak. Og det er ikke bare trist for miljøet på kysten, det er også trist for oppdrettsnæringen selv at norsk politikk og norsk stortingsflertall ikke greier å gjøre den jobben som den skylder næringen, og som den skylder kystmiljøet, nemlig omsider å få tatt de tiltakene som har vært foreslått i årevis for å løse relativt enkle problemer. Miljøpartiet De Grønne legger i dag fram tre forslag, for det første Stortinget ber regjeringen inkludere rømning og svinn som indikatorer på konsesjonsnivå. Vi snakker altså i dag om et stortingsflertall som vil utarbeide en strategi mot rømning. Hva har egentlig foregått de siste 20 åra, mens millioner av laks har rømt? Å gjøre rømning til en indikator knyttet direkte til konsesjonsvilkår er et helt innlysende tiltak, som vil ha reell effekt. Så må man nesten spørre seg om det er derfor det ikke er innført. En indikator for svinn er også nødvendig. Bortimot 20 pst. av laksen i dagens produksjon dør i merdene. Det er et tall som reiser svært store spørsmål om fiskevelferden, og det viser behov for langt mer effektive virkemidler for fiskevelferd enn det oppdrettsindustrien er pålagt i dag. For det andre foreslår vi at Stortinget ber regjeringen innføre krav om individmerking av oppdrettslaks. Det er et eldgammelt forslag. Individmerking er en forutsetning for å kunne spore og gjenfange rømt laks og for å kunne gi effektive sanksjoner ved rømning. De Grønne er glad for at komiteen trekker fram positive miljøaspekter ved lukkede anlegg, og at komiteen nå fjerner kravet om vederlag for landbasert oppdrett.

ikke bare av hensyn til miljøet, men også av hensyn til en oppdrettsnæring som har behov for å få et spark der spark virker, for å bli verdensledende på teknologi. Det er ganske spesielt å notere seg at det er veldig lenge siden sist Stortinget diskuterte miljøtilstanden i den øvrige norske industrien, som har potensielt utslipp av en bråte med miljøskadelige ting. Men vi diskuterer ikke det, fordi vi for lengst har truffet tiltak som bortimot automatisk holder den industrien innenfor de miljøkravene som Stortinget har vedtatt. Men det er all grunn til å tro at vi kommer til å møtes om kort tid og igjen diskutere miljøproblemene som oppdrettsnæringen har, fordi det fortsatt ikke er vilje til å treffe de konkrete tiltakene som vi vet vil få denne næringen til å løse miljøproblemene sine. Det er ikke å gjøre næringen en tjeneste, det er ikke å gjøre miljøet en tjeneste, og det er ikke å gjøre det grønne skiftet en tjeneste. Så vi oppmuntrer regjeringen til å kjøre flere nye omdreininger på det tross alt positive som ligger i regjeringens forslag, og komme dit hen som vi vet vi må, til tiltak som faktisk gjør oppdrettsnæringen i Norge til en bærekraftig næring. Da antar presidenten … Jeg vil gjerne ta opp forslagene fra Miljøpartiet De Grønne. Da har representanten Rasmus Hansson tatt opp de forslagene han refererte til. Norsk havbruksnæring har

men forskere har slått fast at det er et potensial for å seksdoble verdiskapingen i de marine næringene fra 2010 til 2050. Den største økningen – nesten en femdobling – skal altså kunne komme fra oppdrett. Dette forutsetter imidlertid at en rekke utfordringer løses. Grepene vi foreslår i denne meldingen, vil være med på å løse noen av disse utfordringene.

uavhengig av lusesituasjonen i området. Og vi vil legge til rette for et nytt virkemiddel i form av utviklingskonsesjoner som kan realisere nye teknologier, eksempelvis offshorebasert produksjon. Jeg tror at eksporten av sunn norsk sjømat vil flerdoble seg i årene fremover, men også teknologi- og utstyrsnæringen har en meget lys fremtid foran seg.

Denne prosessen vil også involvere relevante aktører, slik at både næringen, kommunene og forvaltere kan være trygge på at vi vil finne avgrensninger mellom de ulike områdene som tar hensyn til praktiske forhold – innenfor rammen av hva som er naturvitenskapelig fornuftig. Dagens fleksibilitet med interregionalt biomassetak vil bli ivaretatt i det nye vekstsystemet. Jeg registrerer at et bredt flertall i næringskomiteen støtter regjeringen på viktige punkter, som at det skal opprettes produksjonsområder, og at grensene for disse områdene skal fastsettes på bakgrunn av naturvitenskapelige vurderinger. Videre konstaterer jeg at det er enighet om et viktig prinsipp, nemlig at aktørene innenfor et område blir ansvarlig for produksjonsområdets samlede belastning.

Fram til systemet blir tatt i bruk vil forskningsmiljøene ha optimalisert modellen, i tråd med næringskomiteens ønske. Jeg er derfor trygg på at modellen vil bli et godt verktøy for å vurdere om det er rom for vekst når vi kommer til årsskiftet 2016/2017. Det er også enighet om at rømning er mindre egnet som indikator for vekst. Men det betyr ikke at vi forlater nullvisjonen om rømning. Tvert imot: Vi tar denne utfordringen på største alvor. Gjennom «Forskrift om fellesansvar for utfisking mv. av rømt oppdrettsfisk» har regjeringen sikret en forpliktende avtale med næringen om finansiering av oppfisking av rømt oppdrettsfisk. Avtalen vil være et viktig virkemiddel for å få bedre kontroll på utfordringene knyttet til rømning, men det betyr ikke at vi er i mål. Rømning kan fortsatt skje – som ved ekstremværet sist vinter. Fiskeridirektoratets gjennomgang av de mange rømningshendelsene har vist at svikt i fortøyninger var den viktigste årsaken til at orkanen fikk så store konsekvenser. Jeg venter nå på direktoratets rapport og konklusjoner og er om nødvendig rede til å iverksette nye rømningsforebyggende tiltak. Jeg vil derfor, slik komiteen ber om, sette i gang arbeidet men en strategi mot rømning, der bl.a. erfaringene fra uværet sist vinter vil bli tatt med i arbeidet. Jeg er tilfreds med at næringskomiteen slutter seg til at det ikke bør innføres en arealavgift for havbruksnæringen. Kommune-Norge får mye igjen for å være havbruksnæringens verter. De får arbeidsplasser og skatteinntekter, og ikke bare fra For hver arbeidsplass i havbruksnæringen skapes fire arbeidsplasser i andre virksomheter. Det er regjeringens politikk at kommunene skal få store deler av vederlaget ved tildeling av vekst. Komiteen legger nå opp til at en rekordhøy andel av vederlaget, 80 pst., vil gå til kommunal sektor. Regjeringen vil, som komiteen ber om, nå starte arbeidet med opprettelsen av et havbruksfond og utvikle fordelingsnøkler for å sikre en rimelig fordeling av vederlagsinntektene, basert på kommunenes evne og vilje til å være gode tilretteleggere for havbruksnæringen. Norsk økonomi trenger flere vekstnæringer. Vi trenger som aldri før flere ben å stå på. Det er gode grunner til at havbruk bør være en av de store næringene vi skal leve av fremover. Bærekraftig matproduksjon er kanskje noe av det mest fornuftige vi kan bruke norskekysten til. Et forutsigbart system for kapasitetsjusteringer i norsk lakseoppdrett vil bidra til en lys fremtid for en næring med et stort vekstpotensial. Denne stortingsmeldingen er en klar invitt til at oppdrettsnæringen investerer mer i grønnere teknologi. kan næringen effektivt påvirke sine egne vekstmuligheter. En femdobling av oppdrettsnæringen fram mot 2050 handler både om å gjøre næringen grønnere der den er i dag, og å stimulere teknologiutvikling, slik at næringen de neste tiårene kan ta i bruk nye arealer både på land og lenger til havs. I Norge har vi verdensledende kunnskapsmiljøer og ambisiøse næringsaktører, og dermed de aller beste forutsetninger for å kunne lykkes med dette. Slik kan altså lille Norge spille en stadig større rolle når det gjelder å levere sunn mat til verden. Det blir replikkordskifte.

Korleis vil fiskeriministeren forklara dette, som må sjåast på som ein total mangel på respekt for Stortinget? Jeg kan vanskelig forstå det spørsmålet eller den anklagen som her fremsettes fra representanten Ingrid Heggø. fra representanten Ingrid Heggø. Fra mange stortingsrepresentanter, fra mange miljøer, har man etterlyst de nye verktøyene for å sikre at denne næringen skal kunne utvikle seg videre. Vi har altså sendt på høring det som skal være forslaget til et nytt verktøy, som disse forskningstillatelsene i dag ikke er i stand til å svare på, når denne næringen ønsker å utvikle seg med større teknologisprang og med mer vekt på det grønne. Jeg kan altså ikke med min beste vilje forstå noe annet enn at et samlet storting, også nå når dette er sendt på høring, burde si seg enig i at det er viktig at myndighetene legger til rette.

Mitt spørsmål er: Kan vi vera trygge på at ministeren tek det inn over seg, og kan ho garantera for at det som Stortinget har kome med av forslag til denne meldinga, vert følgt opp? Jeg mener at jeg ikke ville gjort jobben min som statsråd dersom jeg ikke var maksimalt opptatt av å legge til rette for en næring som

ikkje hadde handsama dette før fiskeriministeren sende det ut på høyring. Det er, uansett korleis vi vrir og vender på det, oppsiktsvekkjande at ein ikkje hadde tid til å venta på stortingshandsaminga, men fann ut at ein måtte ta det midt imellom. Så eg spør igjen: Kan fiskeriministeren garantera at dei forslaga som ein samla komité fremjar her i dag, vil

Og jeg kan da fortsatt ikke forstå annet enn at det er min jobb, min plikt, å bidra til å tilrettelegge for næringen. Og jeg konstaterer at samtlige næringsorganisasjoner og en rekke enkeltaktører har vært ute og sagt: Ja, dette er den type nye virkemidler vi trenger hvis norsk havbruksnæring skal kunne utvikle seg videre, og hvis leverandørindustrien skal kunne utvikle seg videre. Og det er særlig viktig i en tid hvor vi ser at det butter imot i andre sektorer, og hvor den kompetansen som fins på teknologi- og ingeniørsida, kan tas over og komme havbruksnæringen til gode.

var vel litt mer usikker når det gjaldt forskning og utvikling i denne sektoren. Komiteen har vært på befaring to steder, bl.a. i Florø. Der møtte vi Karstensens Fiskeoppdrett og Marø Havbruk. Vi så på luseskjørtet, vi så på lakselus, vi så på produksjon av leppefisk, og vi hørte om brønnbåtbestillingen som noen

Det er fortsatt viktig at myndighetene gjør det vi kan, men det er også viktig at næringen nå ser, ut fra denne meldingen, at med den innretningen som det fremtidige vekstsystemet får, vil enhver krone mer som de investerer i utvikling av ny teknologi og mer bærekraftige driftsformer, med på å gi dem selv større sannsynlighet for vekst i det nye systemet. Sånn sett mener jeg at det skjer mye spennende. Det er veldig gode relasjoner nå mellom kunnskaps- og kompetansemiljøene og forskningsinstituttene på dette området. Regjeringen legger også til rette med Arena-programmet, NCE og GCE. Det gjøres mye, men næringen kan absolutt gjøre enda mer

der den kommunale andelen er henholdsvis 50 pst. og 60 pst. enten det gjelder vekst på eksisterende konsesjoner eller nye konsesjoner. Nå skal dette gå opp til 80 pst. Det er også svært bra at dette går via et fond og blir fordelt både til dem som har oppdrett fra før, og til nye.

Jeg har fått det jeg oppfatter som en klar marsjordre fra Stortinget, og jeg signaliserte i mitt innlegg at vi omgående vil starte arbeidet med å utvikle det nye systemet, opprette dette fondet, og også lage forslag til disse fordelingsnøklene. Dette tror jeg det er ganske viktig å tenke igjennom sånn at vi får noen incentiver som gjør at vi får til den gode tilretteleggingen fremover. For skal denne næringen kunne vokse seg større,

representanten Hjemdal når det gjeld synet på FoU-satsinga i næringa. Eg har òg kome fram til at her treng ein verkeleg ei høgare satsing, og eg vil håpe at ministeren kviskrar dette i øyret til partifellane sine. SV har eit forslag inne i salen i dag, som nettopp skal ha som mål å auke FoU-andelen både hos offentlege myndigheiter og i privat sektor. Det eg ønskjer å stille spørsmål om, er lakselus. Eg er heilt einig i at lakselus er ein veldig viktig indikator, men det er jo ikkje den einaste indikatoren som er viktig. I meldinga og i komitéinnstillinga peikar ein på at her må det fleire indikatorar til for å gje eit reelt bilete av påkjenninga dette er. Korleis vil regjeringa jobbe vidare med dette, og vil det kome indikatorar på f.eks. utslepp, som er ein god indikator på

dynamisk, så her er det mulig å legge til indikatorer og justere på indikatorer. Vi har også pekt på at størrelsen på næringen i dag ikke tilsier at vi her og nå trenger utslipp som indikator, men skal næringen vokse og bli fem ganger så stor, må vi ta høyde for det. Derfor skal vi allerede nå starte arbeidet med å utvikle en sånn utslippsindikator.

det har vært levert vekst også tidligere. Det er jeg helt enig i. Men når det har vært viktig for oss å markere at det skal være forutsigbar vekst, og at det skal være objektive kriterier, har det sin bakgrunn i bl.a. at de to tildelingsrundene som var under det rød-grønne styret, ennå ikke er kommet ut av

replikken fra representanten Ingrid Heggø. Den må jeg si jeg har store problemer med i det hele tatt å forstå. I innstillingen sier komiteen – og det er altså en enstemmig komité, og jeg kan ikke minnes at Arbeiderpartiet i det hele tatt hadde noen reservasjoner når det gjaldt dette: «Komiteen deler regjeringens oppfatning om at det er nødvendig å øke både den offentlige Komiteen merker seg videre at regjeringen i større grad enn for dagens forskningstillatelser åpner for tildeling til utviklingsformål. Komiteen støtter dette. Komiteen mener at flere tildelinger av FoU-konsesjoner må bidra til teknologiløftene i næringen, og at disse bør få et tidsperspektiv som bedre kan forsvare store investeringer.» Dette sier komiteen enstemmig i innstillingen. Så er det sendt ut på høring en forskriftsendring som oppfyller dette. Det er ganske merkelig at Arbeiderpartiet kan mene at dette er å gå imot Stortinget, og at timingen er dårlig. Timingen kan da ikke være bedre, hvis det ikke er slik at Arbeiderpartiet mener at dette må man vente med – all positiv utvikling skal man vente med. Det er den eneste motivasjonen jeg kan finne for noe slikt. Vi har jobbet mye for å finne ut hva slags vei replikkene kunne komme. Denne skjøt de slik at jeg nesten satt forstyrret igjen. Her

Eg er uroleg over manglande svar frå statsråden. Eg er uroleg når ein ikkje kan gje den garantien eg bad om tre gonger, om at Stortingets vilje skal verta gjennomført. Eg har enno ikkje fått noko svar på det. det. La meg starte med å si til representanten Ingrid Heggø at i mitt siste svar til henne viste jeg til at jeg har lest innstillingen nøye, jeg har merket meg alle de henstillinger som er kommet fra komiteen, jeg har merket meg forslagene som ligger der, og det er selvsagt regjeringens oppgave å følge opp det som er komiteens og Stortingets vilje Men det er altså ikke mange uker siden jeg fikk et skarpt spørsmål fra representanten Trond Giske om hvor det ble av mulighetene til å realisere f.eks. denne offshore havmerden som SalMar har på tegnebrettet, og hvor NTNU og fagmiljøene i Trondheim er tungt inne. Så

men jeg mener fortsatt at det er min jobb å legge til rette for at vi kan bruke de virkemidlene vi har på FoU-området. Vi er i en situasjon hvor dynamikken i havbruksnæringen har vært sånn at den har vokst forbi og ut av de virkemiddelporteføljene vi hadde for å ta de store teknologiskrittene. Det å gjøre dette i en tid hvor olje- og gassnæringen sliter, hvor vi har ledige ingeniører, hvor vi har ledige teknologer – timingen kunne vel antagelig ikke ha vært bedre. Dette er virkelig å ta grep for å få til omstilling og for å posisjonere norsk havbruksnæring og norsk leverandørindustri i fremste rekke, slik at også andre land sier ønsker å lære av oss, få til teknologioverføring og kjøpe det vi kan greie å produsere, og det bidrar til at vi kan utvikle oppdrettsnæringen i en grønnere retning. Så igjen må jeg bare si: Jeg stiller meg undrende til den kritikken jeg her får, men jeg merker meg at representanten Heggø er en enslig svale, og at alle andre som har kommentert forslaget, faktisk har tatt det imot og nærmest gitt det applaus. Jeg synes det er ganske bemerkelsesverdig at en næring med sånn vekstkraft – og i og for seg også med noen utfordringer – har gått gjennom Stortinget med så stor enighet som dette, og at Arbeiderpartiet velger å bruke tre replikker på en ren formalisme og kanskje egentlig, som statsråden sa, ønsket å være avsender på disse tingene selv. Til Pollestad, som sa at å være avsender på disse tingene selv. Til Pollestad, som sa at det ikke var en altfor god melding: Jeg synes det er mye som tyder på at det er en strålende melding. Statsråden har store ambisjoner, også når det gjelder miljøet. Det tror jeg næringen skal være veldig glad for, for det er klart at er det én ting som kan være en utfordring for oppdrettsnæringen, er det miljøproblematikken. At statsråden har større ambisjoner enn flertallet på Stortinget, tror jeg man skal være veldig godt fornøyd med. Jeg synes egentlig replikkordskiftet her viste akkurat det vi har hatt en følelse av: at Arbeiderpartiet egentlig har veldig lyst til å være forslagsstiller og å være pådriveren bak mye av dette og jobber intenst for å legge litt hindringer i veien for en statsråd som har meget store ambisjoner på vegne av næringen. Det tror jeg kysten skal være meget glad for.

som opprinnelig lå i meldingen, ville være et opplegg som ville føre til nedgang på kort sikt. At reaksjonene har vært sterke, framkom både på befaringene komiteen har hatt, på høringen og i det offentlige ordskiftet. Men så mener jeg at komiteen, og også Høyre og har bidratt konstruktivt i de samtalene vi har hatt, sånn at vi nå har fått en melding og en innstilling som næringen har funnet grunnlag for å gi ros til. Det er bra, og det var mitt poeng i mitt første innlegg. Representanten Ingrid Heggø

Heggø har hatt ordet to ganger tidligere i debatten og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. For siste gong i dag iallfall: Det er ikkje sjølve forslaget Arbeidarpartiet er imot – det trur eg eg har poengtert veldig mange gonger – men det er sjølve prosessen eg set eit stort spørsmålsteikn ved. Ein minister må faktisk halda seg til Stortinget og

villaks. Der er jeg veldig fornøyd med at komiteen er ganske klar. Denne sammenhengen ser man, og i den grad det sås tvil om det, sier man at føre-var-prinsippet skal gjelde, så der treffer meldingen veldig godt. Det kan ikke skapes et inntrykk av at det kom en melding fra statsråden som hele næringen var imot. Store deler av de sterke stemmene mener at den sammenhengen ikke finnes. Det kan godt hende at vi en eller annen gang finner ut at det stemmer, men den vi en eller annen gang finner ut at det stemmer, men den kunnskapen har vi ikke nå. Derfor har meldingen truffet i forhold til kunnskapsinnhentingen og modellene. Takk for denne debatten. Jeg synes vi inntil et visst tidspunkt har klart å løfte fokus og ha de riktige riktige visjonene og vyene for denne næringen. Det er riktig at vi i næringskomiteen gjennom denne innstillingen har funnet et balansepunkt, og det er det det dreier seg om, å finne et balansepunkt som er fremtidsrettet for havbruksnæringen. Vi har funnet balansepunktet der villfiskens venner er fornøyd, og der de som driver egen næring, er fornøyd, og så gir vi noen utfordringer til forskningen for å bli enda bedre der vi ikke har nok kunnskap. Komiteen legger til grunn et føre-var-prinsipp. Vi legger til grunn at det må være bærekraftig vekst, og da må næringen ha kontroll på lus, kontroll på rømning osv. Vi har en naturgitt forutsetning i landet vårt gjennom Golfstrømmen, og den sier komiteen at vi skal bruke.

å gi mer midler til kommuner og fylkeskommuner, og vi har funnet et bedre balansepunkt for denne næringen, der vi vekter miljøet framfor noe. Jeg har lyst til å takke komiteen for stort engasjement i denne saken. Dette er en kolossalt viktig næring, og jeg synes det engasjementet som komiteen har vist, også reflekterer hvor viktig næringen er. Jeg tror det var representanten Knag Fylkesnes som sa at for en del av disse kystsamfunnene som i dag lever av oppdrettsnæringen, hadde alternativet kanskje vært at det hadde vært få igjen, og den siste kom til å slukke lyset. Så næringens betydning for kysten og Norge kan det ikke herske noen tvil om. Så har jeg også lyst til å si at det er helt rett at det har vært kritiske røster fra næringen. Men det er altså et politisk ansvar å tenke helhet, og naturmangfoldloven pålegger oss å tenke helhet. Vi kan ikke bare se på en og en bedrift, ett og ett selskap, men jeg skjønner at næringsaktørene gjerne kan se ting fra et sånt perspektiv. Men det er vårt ansvar å ta det helhetlige ansvaret, og det mener jeg at komiteen har gjort på en veldig god måte, og jeg mener vi har fått tilslutning til det som er hovedgrepene i meldingen. Så har vi en vei å gå nå i den videre prosessen, hvor vi skal foredle, hvor vi skal få på plass modeller, hvor vi skal innhente kunnskap fra flere fagmiljøer, og hvor vi skal sikre oss at det systemet vi ender opp med, blir et godt og fremtidsrettet system for Men jeg minner om at da vi gjorde det forrige store grepet i norsk havbruksnæring, i 2005, da vi innførte MTB-regimet, var næringen den gangen svært skeptisk til det. I dag omfavner man det systemet, og ingen vil tilbake til fôrkvoter og det som på en måte var regimet før det. På samme måte tenker jeg at ja, det er en utfordring og en overgang nå, men jeg mener at så viktig som denne næringen er, og når vi ser den i et 35-årsperspektiv fram til 2050, legger vi nå på plass et system som er levedyktig i møte med det som er ambisjonen, at vi skal kunne femdoble produksjonen innenfor norsk havbruksnæring. Jeg vil også våge den påstand at ingen regjering har, før denne lagt fram en melding med så sterke incentiver til næringen selv om å utvikle ny teknologi og om å utvikle nye driftsformer som skal bidra til at vi blir best i verden også i fremtiden på produksjon av mat gjennom akvakulturnæringen. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4. Etter ønske fra næringskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlem av

på inntil 3 minutter. – Det anses vedtatt. Første taler er representanten Sverre Myrli, som nå fungerer som ordfører for saken. E18 er

den grensen har man en desimeringssone, eller en sone der man skal fiske opp så mye som mulig. På mange måter er forvaltningen av kongekrabben en suksesshistorie. Man er bekymret når en ny art blir introdusert, dette med hensyn til hvordan den skal påvirke områdene, biologien og hvordan man skal holde den under kontroll. I den kommersielle sonen har man jobbet i 15 år med et I den kommersielle sonen har man jobbet i 15 år med et merkevareprosjekt der det har vært dyktige fiskere og kjøpere som har funnet ut at de skal selge kongekrabben – norsk kongekrabbe – eksklusivt, under merkevaren Varanger. Det har gjort at de har skapt betydelige verdier, og det har gjort at man har kunnet bygge opp en flåte med markedskompetanse når det gjelder dette fisket. Tidligere fisket man krabbe, fryste den og solgte «cluster», altså klør. Nå har man kommet så langt at man

og leverer den levende tilbake til Moskva for litt over 450 kr per kilo. Det må kalles god butikk midt i det som egentlig er en litt trist historie om en introdusert art som ikke skal være der. I meldingen viderefører man for en stor del prinsippene i forvaltningen som har vært. Man beholder de to områdene, men for å profesjonalisere fisket litt mer og oppfylle det som har vært intensjonen både i den forrige kongekrabbemeldingen og i denne, skal fisket og verdiene gå til dem som har mistet andre fiskerier da krabben kom. Man stiller en del krav. For det første stiller man krav til størrelse på båt. Man stiller også krav til aktivitet i annet fiskeri for å få tildelt kvote i kongekrabbefisket. Alle disse er godt mottatt i stort sett alle fiskerimiljøene, og det er det er grep som er med på å fremme et mer profesjonelt og bedre fiske. Man endrer også kvoteåret slik at man kan strekke sesongen og ha tilgjengelig krabbe hele året. Det øker verdien hos forbruker, og det gjør at man øker verdiskapingen. Man har i denne saken konsultert Sametinget, og i de konsultasjonene har man oppnådd stor enighet på de aller fleste felt.

for små båter. Det er stort sett enighet om alt i komiteen. Det er et mindretallsforslag når det gjelder en litt spesiell sak. Det har gjennom noen år vært drøftet om fiskerne i Måsøy kommune kan få en egen kvote. Måsøy er en grensekommune til Porsanger, der grensen går. utenfor det kommersielle området, og det har vært diskutert om Måsøy-fiskerne kan få en kvote i det kommersielle området. For fire-fem år siden var dette høyaktuelt, for da var verdien av det kommersielle fisket såpass stor at det faktisk betydde en god del for en fisker som ville delta. Måsøy kommune opplevde bl.a. at folk flyttet østover fra kommunen, tok båtene med seg og etablerte seg i stedet i Øst-Finnmark for å få delta i dette fisket. I dag har ting endret seg. For det I dag har ting endret seg. For det første foregår et mye større desimeringsfiske i vest. For det andre har man nå et kjøp som gjør at man tjener like mye på den krabben man fisker i vest, som man tjener på den man fisker i øst. Den store økonomiske fordelen med å ha en kvote i det kommersielle området er altså ikke der lenger, og regjeringen innstiller derfor på at man skal ha sonene og inndelingen som de har vært. Det er også en begrunnelse med hensyn til kontroll og forvaltning av sonen som gjør det enklere hvis man er helt sikker på at man har en grense. Derfor har man i meldingen sagt nei til det, flertallet i komiteen sier også nei. Som saksordføraren gjorde greie for, er det

Arbeidarpartiet er òg einig i å innføra krav til aktivitet om omsetning i andre fiskeri for å få tildelt kvote i kongekrabbefisket, som ordføraren òg gjorde greie for. Arbeidarpartiet vil i denne samanhengen òg peika på at enkelte tradisjonelle fiskeri er vanskeleggjorde på grunn av kongekrabben – f.eks. fjordfisket etter rognkjeks og flyndre – slik at ein til ein viss grad vil kunna vera negativt påverka av om ein ikkje har levert fangst. Vi viser òg til at skiljet mellom fiskarar på blad A og B med høvesvis halv og heil kvote er slutt. Derfor ber vi om at øvre og nedre grense i den føreslegne modellen vert nøye overvaka og evaluert etter ei tid. Vi har vore opptekne av at det er viktig med miljøovervaking, og vi peikar også på at tilskotsordninga framleis er eit viktig tiltak for å avgrensa spreiinga av kongekrabbe. usemje i komiteen på to felt. Den eine handlar om dei med båtar under seks meter skal få delta i krabbefiske, den andre om fiskarane i Måsøy kommune skal få delta. Først om båtar under seks meter: Hovudgrunnen for å gje kvotar til kongekrabbefangst var at dei som var mest plaga av at kongekrabben kom inn, og som av den grunn mista tilgang til fiske, var dei som skulle få kvotar. Dette vil òg gjelde dei med Med aktivitetskrav og kvotefordelingtabell vil kvoten som går til fartøy under seks meter, vera svært avgrensa. Det bør ikkje utløysa dei store ekstra kontrolltiltaka. Dessutan er det eit tvilsamt argument regjeringa legg til grunn når alle skal straffast på grunn av at nokre Vi vil påpeika at det må stillast strenge krav også til dei med båtar under seks meter som sikrar god dyrevelferd ved at fartøya har dekksplass for krabben om bord, og som bidreg til å vareta sikkerheita og gjennomføringa av fisket. Når vi ikkje fremjar eige forslag om dette, har det ein klar samanheng med at det i komiteen berre er Arbeidarpartiet og Senterpartiet som deler dette synet. Heile komiteen er oppteken av og Heile komiteen er oppteken av og kjend med at fiskarane frå Måsøy kommune har etterlyst moglegheit til å kunna delta i det kommersielle fisket. Måsøy er ein grensekommune, og også kommunen har påpeikt det dilemmaet at ein med garn og linefiskeri får problem med at kongekrabbefisket opptek gamle fiskefelt og på den måten er til hinder for det tradisjonelle fisket. Ein kan sjølvsagt argumentera med at det alltid vil finnast ein grensekommune, men hovudprinsippet for å få krabbekvote har vore og er at dei som er mest plaga av at kongekrabben har kome inn, er dei som bør ha kvote. Det at krabben har kome inn, vedkjem fiskarane frå Måsøy både ved at krabben kan vera til hinder for tradisjonelt fiske og indirekte gjennom grenseproblematikk mot det kommersielle fangstområdet. Det bør vera mogleg å laga ei ordning der dei som ønskjer det, kan søkja om å få kvote i det kommersielle men at dei då vert avskorne frå å driva desimeringsfiske i den perioden dei driv det kommersielle fisket – dette for å koma i møte kontrollaspektet. Ein båt som søkjer om å få delta i det kommersielle fisket, må gje opp perioden det skal fiskast, f.eks. januar eller februar. Når kvoten i det kommersielle fisket er teken opp, kan ein igjen fiska i desimeringsområdet. Det må på same måten vera lov for båtar som har kvote, og om ein er busett aust for Nordkapp – grensa for det kommersielle området å få driva med desimeringsfiske etter at den kommersielle kvoten er teken opp. Det er ønskjeleg at flest mogleg av fiskarane i Måsøy skal driva med desimeringsfiske. Ved å gje dei tilgang til det kommersielle fisket vil dei få ei sikrare inntekt slik at dei kan investera i utstyr for krabbefiske. Arbeidarpartiet er opptekne av at ein også i desimeringsfisket må ta med eit forpliktande og konkret utforma aktivitetskrav, f.eks. i form av levert

Jeg vil rette oppmerksomheten inn mot spørsmålet om Måsøy-fiskernes deltakelse i det kommersielle fisket. Det er rett at desimeringsfiske, eller frifiske, har fått et betydelig omfang, men jeg får også signal fra vår ordfører i Måsøy om at det er viktig for bosettingen i Måsøy at en også får mulighet til å delta i det kommersielle fisket. Det gir mer forutsigbare og stabile inntekter enn deltakelse i frifiske. Jeg har også registrert – jeg kan ikke dokumentere det – at saksordføreren, Bakke-Jensen, i valgkampen hadde et litt annet syn på saken da han besøkte Måsøy, enn det som kommer til uttrykk i innstillingen i dag. Jeg vil understreke at forslaget som Arbeiderpartiet og Senterpartiet har lagt fram,

og vurdere om Måsøy-fiskerne skal få en mulighet til å delta i det kommersielle fisket. Og det er viktig å understreke at når det gjelder grensen, er ikke den foreslått flyttet. Den ønsker vi skal gå der den går i dag. Det er kun et spørsmål om også noen få fiskere fra Måsøy skal kunne delta i det kommersielle fisket. Det vil styrke

Det har vært en intensjon at kongekrabbefisket i det kvoteregulerte området i Øst-Finnmark skal forbeholdes dem som er mest berørt av bifangstproblemer med kongekrabbe i andre fiskerier, altså dem som har fått til dels ødelagt sitt tradisjonelle fiskeri og tapte inntekter etter kongekrabbens inntreden. Samtidig har det vært et mål å begrense spredningen vestover. Derfor har vi hatt et fritt fiske og en tilskuddsordning vest for det kvoteregulerte området. Denne forvaltningsmodellen fikk Stortingets tilslutning i 2008, og denne stortingsmeldingen gjennomgår erfaringene med det reguleringsregimet. Men vi løfter også blikket og ser fremover. Den todelte forvaltningen videreføres, men vi ønsker å legge til rette for at høstingen av bestanden i Øst-Finnmark kan gi enda høyere Vi har klart å begrense spredningen av kongekrabbe videre vestover i norske farvann, samtidig som vi har opprettholdt og forvaltet bestanden i et kvoteregulert område. Dette gir grunnlag for inntekt til de fiskere som har fått reduserte inntektsmuligheter i tradisjonelle fiskerier etter kongekrabbens inntreden.

noe bl.a. Sametinget har vært meget opptatt av. Men det viktigste med modellen er at de som er mest negativt berørt av kongekrabbe som bifangst i andre fiskerier, også blir de som får størst kongekrabbekvote. Denne modellen ekskluderer ingen fra å fiske kongekrabbe. Man kan fiske 10 pst. av en hel kongekrabbekvote uten omsetning fra annet fiskeri, dersom man ellers fyller vilkårene for å delta i fisket.

med stor etterspørsel og svært gode priser. Dette har vært medvirkende til økt verdiskaping og er et ytterligere argument for å dyrke fram mer profesjonelle aktører. Det er gledelig at komiteens flertall støtter regjeringen også på dette punktet. Måsøy kommune ligger tett opp til det kvoteregulerte området, men vestgrensen går lenger øst, omtrent midt i Nordkapp kommune, så Måsøy er ikke en direkte grensekommune til det kvoteregulerte området. Det kan argumenteres for at også fartøy fra Måsøy har mistet tradisjonelle fiskeplasser etter kongekrabbens inntreden, men det må likevel kunne sies at fartøy hjemmehørende i Måsøy kommune ikke er like direkte berørt som fiskerne i Øst-Finnmark. Vest for Nordkapp har vi et fritt kongekrabbefiske og en tilskuddsordning som flere fartøy fra Måsøy kommune har gode inntekter fra. Dette må kunne betraktes som en kompensasjon for de ulempene kongekrabben medfører i dette området. Jeg vil til slutt nevne at kongekrabben også har blitt en del av opplevelsesturismen i Finnmark. Kongekrabben kan slik bidra til verdiskaping også utenfor selve Vi tar sikte på en forenkling av prosessen rundt tildeling av turistfisketillatelser til reiselivsbedrifter, slik at vi også innenfor denne næringen kan utnytte kongekrabben på en best mulig måte. Det åpnes for replikkordskifte. Saksordfører Frank Bakke-Jensen sa at forvaltningen er

Hvorfor vil ikke regjeringen rette opp denne urimeligheten, eller gjør det kanskje ikke noe at Måsøy-fiskerne forlater Måsøy og flytter østover? Det er selvsagt synd hvis en kommune i Finnmark, som Måsøy, mister innbyggere, og at folk flytter på seg. Hvis vi går til fangststatistikk det utviklet seg sånn at de som driver og fisker utenfor det kvoteregulerte området, kan få større inntekter gjennom desimeringsfiske enn det man har i det kvoteregulerte området. Det skyldes at det er blitt så mange der at det har gått utover kvotestørrelse. Da tenker jeg at man er i en situasjon hvor man må gjøre noen valg. valg. Vi er opptatt av at vi skal ha et fiske som det skal være interessant å drive i det kvoteregulerte området, og derfor har vi kommet til den konklusjonen at det per i dag, slik som det har utviklet seg, faktisk også er til gunst for de som driver og fisker i det området som er uregulert, og som har desimeringsfiske. Mener statsråden at det ikke er at det ikke er urimelige forskjeller mellom Måsøy-fiskerne og de som har kvote i dette kvotebelagte området? Jeg ønsker et svar, et helt klart svar på om statsråden mener det er urimelig, eller om hun mener det er rimelig. Vi har lyttet til de rådene som vi har fått. Vi har sett på fangststatistikk. Vi har sett på verdien av den fangsten av krabbe som fiskere tar på land, når man sammenlikner det som skjer i det kvoteregulerte området, og det som skjer i desimeringsfiske. Vi ser nå at de som deltar i desimeringsfisket, sånn som Måsøy-fiskere kan gjøre, sitter igjen med større verdier på grunn av at det er så mange som fisker i det kvoteregulerte området at kvotene er blitt små per fisker. så mange som fisker i det kvoteregulerte området at kvotene er blitt små per fisker. Vi har som sagt lyttet til de råd vi har fått. Vi bygger videre på det todelte forvaltningssystemet fra 2008, og vi har konkludert med at av hensyn til at det skal være attraktivt å drive i det kvoteregulerte området, er det ikke tilrådelig at flere skal få komme inn i det området.

flere. Jeg er opptatt av å lytte til hva bl.a. Sametinget har sagt i denne sammenhengen, hvor man har vært opptatt av ikke å bidra til å uthule kvotesystemet i det kvoteregulerte området på en sånn måte at vi faktisk kanskje sparker beina under alle. Jeg registrerer at det i beregningene en har gjort i meldingen, er lagt opp til en voldsomt stor deltagelse fra Måsøy-fiskerne hvis det blir åpnet for det, og så er konsekvensen av det vurdert. Det er jeg enig i, og derfor har Senterpartiet og Arbeiderpartiet i sitt forslag brukt begrepet «begrenset omfang». Men mitt spørsmål tilbake igjen, og som jeg ikke fikk svar på i den første replikken, er: Når statsråden bruker uttrykket «per i dag», kan det da åpnes for at vurderingene som blir gjort senere, blir annerledes? Man kan aldri utelukke at forutsetningene kan endre seg, som gjør at man på et senere tidspunkt kan komme til en annen konklusjon. Men som jeg sier: Per i dag, med den kvotestørrelsen vi har innenfor det kommersielle området, er det ikke tilrådelig og bærekraftig å slippe inn flere for å fiske på de kvotene.

dagens ordning? Vi følger nøye med på hvordan krabben krabber, og om det desimeringsfisket som er, er effektivt nok til at vi greier å stoppe den på den grensen som er satt. Vi er opptatt av at dette er en introdusert art, og det er ikke ønskelig at den skal spre seg ytterligere. Det går klart fram av meldingen at det må gjøres et forskningsmessig arbeid for å kontrollere og sørge for at vi hele tida tar inn over oss konsekvensene av at kongekrabben er kommet. Så må man se om det er behov for å iverksette ytterligere tiltak hvis det skulle oppdages at den sprer seg videre, og at desimeringsfisket ikke er tilstrekkelig sånn som det organiseres i dag.

Hvis man var bosatt på Nordkapp da grensene ble trukket, fikk man den verdifulle kongekrabbekvoten. Men bodde man på naboøya Måsøy, eller i Måsøy kommune, fikk man kun krabbeplagene. Dette er en tilfeldighet – en tilfeldig grense som er satt, og det rammer Måsøy-samfunnet. Og for å vise enda et eksempel på hvor urimelig dette er, Så de kommer f.eks. fra Nordland, passerer forbi Måsøy og kan gå og hente sin verdifulle kvote i Øst-Finnmark. Dette er et urimelig system. Nå har vi hatt en gyllen anledning til å gjøre noe med dette urimelige og urettferdige systemet, og det og urettferdige systemet, og det er en gåte at regjeringspartiene ikke vil gjøre noe med det. Og som finnmarksrepresentant må jeg også innom Sametingets konsultasjoner, og jeg er meget skuffet over det punktet som står der, hvor jeg opplever at de aktivt motarbeider Måsøy-fiskerne. Men det er flere som motarbeider. Sakens ordfører, Frank Bakke-Jensen, lovte i media, frekt og freidig, at hvis Høyre kom i posisjon ved siste stortingsvalg, skulle han fikse tilgang for Måsøy-fiskerne. Det skulle han attpåtil gjøre lett. Nå kan vi lese hva saksordfører Frank Bakke-Jensen sier: støtter likevel regjeringens syn der Måsøy-fiskerne ikke tillates kvote i den kommersielle sonen med begrunnelsen at eventuelt inntektstap kompenseres med krabbefisket i fri sone At Frank Bakke-Jensen går fra sine lovnader i media, er for øvrig ikke første gang, men at han til og med antyder at det er Måsøy-fiskerne som vil utløse kontrollproblemer, som det står i merknaden i innstillingen, er intet mindre enn frekt. jukset foregår i det kvoteregulerte fisket, og her må man sette inn kontrolltiltak. Den dobbeltkommunikasjonen som saksordfører Frank Bakke-Jensen har bedrevet på sin vei fra Finnmark til Stortinget, er nesten på Fremskrittsparti-nivå, men jeg mener at det faktisk kvalifiserer til å be om unnskyldning for overfor Måsøy-fiskerne, for det var lovet at dette skulle ordnes opp i hvis de kom i regjering.

Jeg må be representanten Olsen om å dokumentere fra media at jeg lovde den kvoten til Måsøy-fiskerne. Dette er en sak vi har jobbet med i ganske mange år, og som jeg innledet med i innlegget mitt. For seks år siden så bildet litt annerledes ut. Det kommersielle fisket var så mye mer verdt enn det man klarte å tjene på desimeringsfiske. Da satt representanten Olsen i Stortinget med eget parti i regjering. Det ble sendt skriftlig spørsmål fra undertegnede til fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen om hun kunne vurdere situasjonen til Måsøy-fiskerne. Arbeiderpartiet redegjorde ganske greit da for at man ikke så noen grunn til at Måsøy-fiskerne skulle få del i den kommersielle kvoten. Vi lovde at vi skulle ta det opp, og vi har tatt det opp. Arbeiderpartiet leverte ingen ny kongekrabbeforvaltning – det har denne regjeringen vurdert. Vi har et eget kapittel der vi situasjonen til Måsøy-fiskerne. Det er også slik at man kan ikke bare snakke om Måsøy-fiskerne. Det er flere grensekommuner. Fiskerne i Kvalsund må også få rett på en slik kvote hvis man skal endre den forvaltningen som er i dag. Til slutt: Det desimeringsfisket som foregår i dag, er mye mer verdifullt enn det var for seks år siden. Jeg skal gjenta hva som er begrunnelsen for det. For det første er det mer krabbe tilgjengelig. For det andre har man nå et kjøp i på lik linje med det man har i Øst-Finnmark. Man kjøper levende kongekrabber og flyr det nå også ut fra Vest-Finnmark, slik at fiskerne som deltar i desimeringsfisket, utfører et like verdifullt arbeid som de gjør østpå. Så til eksemplet: I desimeringsfisket i dag opplever vi at man kommer opp med dagfangster på opp mot På en dag fisker man altså akkurat like mye i vest som det man kan få på en hel kvote i det kommersielle fisket. Det mener jeg er et godt bilde på at den store forskjellen på inntjening som det var for seks år siden, den er faktisk ikke der i dag. Da er det viktig at man har en forvaltning som er rett. Når det gjelder kontrolljuks, har ikke jeg sagt at det vil øke hvis Måsøy-fiskerne deltar i dette. Men jeg har sagt at en trafikk til og fra og over grensen har vært et problem når det gjelder juks tidligere. Det vil også bli et problem hvis man skal ha et sånt regime i vest.

om at det skulle komme en kongekrabbemelding, hvor hun også pekte på at situasjonen for Måsøy skulle tas opp. Forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet som foreligger her i dag, at Måsøy-fiskerne kan få delta «i et begrenset omfang», er et skritt i riktig retning for å rette opp ulempene for Måsøy-fiskerne. Jeg mener at dette viser at det har vært jobbet godt i Arbeiderpartiet med denne problematikken. Når det gjelder juks og hvor man på en måte sier noe om hvor jukset er, står det i innstillingen at begrunnelsen for at man sier nei til Måsøy, er at «eventuelt inntektstap kompenseres med krabbefisket i fri sone, og at det ville bli store problemer med kontrollen om et grenseoverskridende fiske skulle tillates». Det må være rimelig å anta at dette problemet ville bli større hvis Måsøy-båtene kom inn. Det er meget lett å tolke det som at det er juks som bestrides av Måsøy-båter, og det synes jeg er svært urimelig. Jeg vil gjerne at Frank Bakke-Jensen, som ordfører for saken, avklarer om han har lovt at Høyre – hvis de kom i regjering – skulle endre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

Denne posisjonen må Norge tilstrebe å ha også i framtiden, og god ressurskontroll er et viktig element i dette. Det er grunn til å framheve Norges arbeid i det internasjonale kontrollsamarbeidet, et samarbeid hvor mange, både tjenestemenn og folk i næringen, arbeider sammen mot ulovlig og urapportert fiskeri. For min del gir jeg gjerne honnør til fiskeriministeren for måten det blir jobbet på. Et annet eksempel på hvordan Norge gjør et godt arbeid, er Havforskningsinstituttets deltakelse i Det internasjonale råd for havforskning, hvor Havforskningsinstituttet bidrar med både bestandsvurderinger og rådgivning. Norge har betydelige vitenskapelige fortrinn og kompetanse, noe som bidrar til en bedre utnyttelse av ressursene – noe som igjen er til fordel både for Norge er til fordel både for Norge og for de land Norge samarbeider med gjennom ulike typer fiskeriavtaler. Samtidig som det er viktig med omforente avtaler på bestander vi deler med andre land, er det særdeles viktig å være hard i klypa for å ivareta norske interesser, og komiteen legger til grunn at hovedfokus er de norske interessene. Forholdet til Russland er på ulike områder utfordrende for tiden, og da er det særdeles positivt at det er framforhandlet gode, tosidige fiskeriavtaler med Russland både i 2014 og nå i 2015. Når det gjelder EU, har komiteen pekt på at Norge må videreføre samarbeidet med EU, med sikte på best mulig forvaltning av fellesbestandene. Til slutt understreker en samlet næringskomité at det fortsatt er nødvendig og viktig å prioritere bestandsforskning høyt. Ved en slik prioritering vil Norge få et mer presist grunnlag for å fastsette kvoter og bedre ressursutnyttelse. Økt bestandsforskning vil også i framtiden kunne skape vekst og verdiskaping for næringen. Jeg vil derfor også framheve at det i statsbudsjettet for 2015 ble satt av 10 mill. kr ekstra til Havforskningsinstituttet for å styrke bestandsforskningen. En samlet komité sier at det er nødvendig med høyere prioritering til bestandsforskningen. For øvrig vises det til innstillingen. La meg starte med å si at jeg er

Spesielt innmeldingsordningen, som foregår elektronisk, er en moderne løsning og ett av flere verktøy som skal ivareta behovet for god ressurskontroll i årene framover. Komiteen trekker fram det internasjonale kontrollsamarbeidet, hvor vi også oppnår resultater. Norge og Russland er enige om å videreføre sitt kontrollsamarbeid, bl.a. om en felles analysegruppe, men også med tiltak for å redusere utkast av fisk samt prosjekter som skal bidra til felles retningslinjer for gjennomføring av inspeksjoner. Den internasjonale konferansen om fiskerikriminalitet som vi arrangerte i Tromsø i fjor høst, har fått svært gode tilbakemeldinger, også fra internasjonale deltakere, og er noe vi planlegger å gjenta. Gjøremålene som jeg nevner her, medvirker alle på sitt vis til at vi klarer å nå ett av de andre av våre overordnede mål: det å sikre tilfredsstillende kontroll og håndheving i fiskeriene. Arbeidet som pågår i regionale fiskeriorganisasjoner og i FN, har betydning for vår fiskeriforvaltning her hjemme. Jeg støtter derfor komiteens syn om viktigheten av at Norge deltar i dette arbeidet.

Havforskningsinstituttet er i gang med å vurdere framtidig behov for marin datainnhentingsinfrastruktur, det vil si fartøy, bøyer etc. Selv er jeg i gang med en masterplan for marin forskning. Der vil vi videreutvikle den marine forskningspolitikken og angi de marine forskningsprioriteringene. Begge disse arbeidene vil bli

sikt. Det gjenstår også noen utfordringer i forhandlingene om kolmule og sildeavtaler, hvor våre forhandlere arbeider utrettelig for å komme i mål. Det har i de senere årene vært en prosess for å endre rammeverket for Skagerrak-avtalen slik at den blir mer i tråd med moderne havrett. Det har nå resultert i en ny avtale om norsk, dansk og svensk fiske i Skagerrak, som ble undertegnet 15. januar i år. år. For første gang er det nå enighet med russerne om å innføre kvotefleksibilitet på torsk og hyse. Samtidig har vi for første gang kommet til enighet med Russland om felles totalkvote og fordeling av uer i Barentshavet. Begge deler er viktige milepæler i vårt langvarige samarbeid med Russland. Det må ikke herske noen som helst tvil om at det er viktig for oss å inngå omforente avtaler. Samtidig er det sånn at vi ikke kan inngå avtaler for enhver pris i tillegg til å være gode avtaler for Norge som fiskerinasjon skal de også være bærekraftige. Flere har ikke bedt om ordet til sak

Sosialistisk Venstreparti 5 minutter, Miljøpartiet De Grønne 5 minutter og regjeringen 5 minutter. Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg fra partienes hovedtalerne og inntil seks replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen innenfor den fordelte taletid. Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. – Dette anses vedtatt.

Forbedret framkommelighet bidrar til økt verdiskaping og knytter fylker og landsdeler sammen på en ny måte. God kvalitet og godt vedlikehold av veiene er avgjørende for både næringsliv og befolkning i hele landet. Komiteen er derfor opptatt av at det må satses på flere, bedre og tryggere veier både i distriktene og mellom regioner og byer. Det er interessant å minne om at da handlingsregelen ble innført i 2001, ble det forutsatt at det økte handlingsrommet oljeinntektene ga, skulle benyttes til å styrke den langsiktige vekstevnen i norsk økonomi, bl.a. gjennom investeringer i infrastruktur. For en samlet komité er det viktig å understreke at det trengs større forutsigbarhet for utbyggingsprosjekter som går over tid. Avbrudd er lite effektivt. Komiteens flertall, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, mener at en veireform slik regjeringen foreslår i meldingen, vil bidra til en mer helhetlig veiutbygging med forutsigbar finansiering. Det samme flertallet er tilfreds med at det nå innføres et finansieringssystem hvor planlagte og påbegynte prosjekter kan gjennomføres i sammenheng. Nye finansieringsmuligheter og alternative organiseringsformer skaper større forutsigbarhet samtidig som investeringstakten øker. Til sammen vil et nyopprettet veiselskap, forutsigbar finansiering og bruk av OPS være sentrale elementer i fornyelsen av norsk veipolitikk. For det er en fornyelse av norsk veipolitikk vi nå ser, takket være et nytt og offensivt politisk flertall. Også de rød-grønne partiene erkjenner behov for endringer. Men jeg er forundret over at landets største opposisjonsparti ikke har noen nye ideer å legge fram for framtidig organisering av denne sektoren.

Flertallet i komiteen, de fire samarbeidspartiene, understreker at gjennom etableringen av veiselskapet legger man til rette for en kostnadseffektiv og rask utbygging. Man oppnår en mer helhetlig og sammenhengende utbygging av hovedveinettet i Norge, man reduserer planleggingstid, legger til grunn en forutsigbar finansiering og etablerer et veiselskap med en spisset profil for å rigge en mer effektiv europaveiutbygging i Norge. De nye strategiske grepene bidrar til å styrke verdiskaping i vårt land og gir innbyggerne bedre framkommelighet og tryggere veier. Etableringen av det nye veiselskapet gir derfor en merverdi utover bygging i tradisjonell forstand. Selskapets portefølje tar utgangspunkt i prosjekter som ble prioritert i NTP 2014–2023, med tillegg av For å oppnå en mer helhetlig og sammenhengende utbygging mener flertallet det er riktig å inkludere de mellomliggende veistrekningene allerede ved oppstart av selskapet. Det forutsettes at porteføljen gradvis utvides, og at selskapet kan gis kraftigere økonomiske muskler, slik at selskapet etter hvert kan gis ansvaret for flere prosjekter. Det er viktig å understreke at det må være samsvar mellom de oppgaver selskapet har fått ansvaret for, og de økonomiske ressursene som stilles til disposisjon for selskapet. De veiprosjektene som inngår i oppstartsporteføljen, er valgt ut på faglige premisser, og er samtidig et tydelig uttrykk for at man tar målsettingen om sammenheng og helhet på alvor. For å få til en effektiv og målrettet utbygging støtter flertallet at selskapet gis en forventet sluttdato for oppstartsporteføljen på 20 år etter at selskapet er etablert. Utbyggingen vil finansieres gjennom statlige midler og bompenger. Selskapet skal også ha ansvar for drift og vedlikehold av vei det har bygd. Flertallet merker seg at regjeringen vil arbeide videre med et samlet opplegg for selskapets ansvar for drift og vedlikehold, herunder finansiering. Jeg registrerer at mindretallet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, frykter for faglig oppsplitting gjennom etablering av veiselskaper og mener at løsningen heller burde være en egen prosjektorganisasjon innenfor Vegvesenet, med forpliktelser over flere år for et utvalg av prosjekter. Vel, dette må de nesten selv gå nærmere inn på. Flertallet, de fire samarbeidspartiene, gir klart uttrykk for at Statens vegvesen fortsatt skal være navet i norsk veiutbygging, med ansvar for utbygging av de fleste veier som skal bygges i framtiden. Veiselskapet og Statens vegvesen vil være to likeverdige parter som får ansvar for ulike oppgaver av veiutbygging. Det er viktig at en finner gode grenseoppganger, slik at de samlede ressursene utnyttes best mulig. Flertallet er opptatt av at en gjennom etablering av det nye veiselskapet får til en god håndtering av de personalmessige forhold, som kan sikre god kompetanse både i det nye selskapet og i Statens vegvesen. Offentlig–privat samarbeid, OPS, har vist seg å være en svært nyttig utbyggingsform med hensyn til å få til en kortere utbyggingsperiode sammenlignet med den vanlige måten. Kritikken mot OPS har vært måten utbyggere har måttet finansiere prosjektene på.

som har som mål å redusere antallet bompengeselskaper. Videre skal utstederrollen skilles ut rent organisatorisk, og regjeringen foreslår at det etableres en rentekompensasjonsordning. En samlet komité mener det er et uutnyttet potensial for effektivisering av bompengesektoren, og er opptatt av at en får til ordninger som gjør at minst mulig av bilistenes innbetalinger går til innkrevingskostnader og mest mulig til vei. Også Riksrevisjonen har påpekt at det er stordriftsfordeler som ikke er utnyttet godt nok i den etablerte bompengeforvaltningen. Komiteen støtter at det igangsettes et arbeid for å få til en ordning med færre bompengeselskaper, en omorganisering som kan bidra til økt profesjonalitet med hensyn til innkreving og forvaltning. Komiteen viser til Riksrevisjonens påpekning av at manglende bruk av bompengebrikker har ført til betydelige kostnader, noe som etter Riksrevisjonens anbefaling burde tilsi at flere trafikanter bruker brikke. Komiteens flertall, Høyre, Fremskrittspartiet og Komiteens flertall, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, er av den oppfatning at bompengebrikke bør være valgfritt, men understreker likevel at det er administrative forenklinger ved bruk av bompengebrikke, noe som burde avstedkomme ulike incentiver for å få flere bilister til å ta det i bruk. Flertallet mener likevel at kravet om obligatorisk bompengebrikke vil kunne være til ulempe for mange. Mindretallet, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, mener at innføring av obligatorisk bompengebrikke for alle kjøretøy over 3,5 tonn er et skritt i riktig retning, og mener at dette også bør innføres for lettere kjøretøy for å sikre at mest mulig bompenger kan gå til vei. Flertallet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Venstre, er også opptatt av å gi brikken utvidet bruksområde, noe som kunne være et incentiv for å få flere til å ta den i bruk. Det samme flertallet støtter at utstederrollen skilles fra bompengeselskapene for å bidra til en mer effektiv drift og lavere kostnader. Komiteen har merket seg at regjeringen foreslår en rentekompensasjonsordning for bompengelån for etablerte og nye bompengeprosjekter som inngår i et av de nye bompengeselskapene. Det gjelder bompengeprosjekter på riksvei, fylkesvei og kommunal vei. Kompensasjonen er tenkt som en ordning som utformes som årlige tilskudd til de aktuelle prosjektene i inntil 15 år. Komiteen viser til statsrådens svar, hvor det framgår at det er usikkerhet knyttet til beregning av størrelsen på det årlige beløpet til denne ordningen. Et grovt anslag for riksveinettet tilsier et beløp for 2016 på ca. 600 mill. kr. Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet er glade for at regjeringen legger opp til en bompengereform som kan bidra til en mer effektiv Disse ser på rentekompensasjonsordningen som en stimulans for å få etablerte bompengeselskaper til å gå inn i de nye selskapene. Medlemmene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet er skeptiske til rentekompensasjonsordningen, da den ikke vil bidra til mer utbygd vei. Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti og Venstre tar ikke prinsipiell stilling til en eventuell rentekompensasjonsordning, da bevilgningene til dette formålet må vurderes i forbindelse med de årlige Vei skal bygges raskere og bedre. Et nytt politisk flertall omsetter velgernes vilje til konkret handling. Nå tas nye grep i samferdselspolitikken. Jeg er glad for at det nye stortingsflertallet har et helt annet ambisjonsnivå for samferdselssektoren, slik at vi nå kan få til en omfattende fornyelse av sektoren. Nå endres de politiske rammebetingelsene for bygging av vei i Norge. Det er på tide. Uten betydelige reformer skaper vi ikke et moderne og trafikksikkert veinett. I 1962 la samferdselsminister Bratteli fram motorveiplanen, en plan for bygging av ca. 800 kilometer firefeltsvei, motorvei, i Sør-Norge innen 1980. I Sverige ble tilsvarende planer presentert samtidig. I Sverige bygde de fire felt, i Norge bygde vi to felt. Sikre og effektive veier bidrar til vekst som trygger framtidens velferd. Det er investering i trygghet og framtidig verdiskaping. Det blir replikkordskifte.
sto

og en del tiltak for å effektivisere bompengeinnkrevingen. Mange av dem er omtalt allerede i den vedtatte Nasjonal transportplan, som saksordføreren redegjorde godt for. Under behandlingen av Nasjonal transportplan i 2013 sto Høyre og Kristelig Folkeparti bak et forslag om å omdanne hele Statens vegvesen Nå er det ett veiselskap på siden av Statens vegvesen flertallet går inn for, og mitt spørsmål til representanten Grøvan er: Ønsker man en oppsplitting av de fagmiljøene på vei som finnes, og tror man dette fører til mer eller mindre byråkrati? Vi tror at gjennom etablering av et veiselskap så lager vi et selskap med en veldig spisset profil inn mot utbygging av stamveinettet som vi har savnet i vårt land. I tillegg gir vi dette selskapet noen andre muskler enn det vi har gitt tidligere gjennom den type utbygging, ved å garantere for en forutsigbar økonomi over flere år. Hvis vi ser hvordan de har klart veiutbyggingen i utlandet, ikke minst i Østerrike, ser vi at forutsigbarheten når det gjelder økonomi, i tillegg til sammenhengende utbygging, har vært noe av drivkraften som har gjort at de har fått til forholdsvis mye mer veiutbygging enn i Norge. Vi tror at det er oppskriften også når det gjelder en satsing på vei i vårt eget land. Derfor tror vi den type spissing gir bedre resultater og på den måten også bidrar til

og tror representanten Grøvan det blir mer administrasjon med den nye modellen, eller tror han det blir mindre administrasjon med den nye modellen? Når vi har gått inn for dette, er det nettopp fordi vi tror at dette blir en mer effektiv utbyggingsform, og – som jeg nevnte – vi har eksempler fra utlandet på at en har lyktes med dette på en god måte. Statens vegvesen vil fortsatt være en viktig aktør. I denne

vil være en positiv tilvekst når det gjelder å få mer fart på veiutbyggingen. Det synes jeg virkelig vi har behov for. Jeg registrerte at representanten Grøvan ikke var veldig lysten på å snakke om byråkrati. Det

når han blir utfordret på om ikke dette øker byråkratiet, for det ligger jo an til en dobbeltetablering og at man splitter opp miljøer som allerede ikke har altfor mange konkurrenter, for å si det sånn, når det gjelder arbeidstakere – enten det er ingeniører eller planleggere. Tror ikke representanten at dette går ut over satsingen på vei, og at man får splittet opp et miljø, noe som betyr mer byråkrati?

framover. Her synes jeg vi har veldig gode eksempler og erfaringer fra flere andre land i Europa, der et eget selskap håndterer én type veiutbygging, nemlig stamveinettet. Jeg viser igjen til Østerrike. Jeg tror at byråkratiet her vil vise seg å være på akkurat riktig nivå. Man har ikke tenkt å legge opp til et selskap med med mange parallelle funksjoner. Vi har et godt miljø i Statens vegvesen. Her ønsker vi å etablere et utbyggingsselskap som skal håndtere utbyggingskontrakter og en del detaljplanlegging. Her tror jeg vi kan låne av hverandre – Statens vegvesen og det nye selskapet – og jeg tror resultatet klart vil vise at her får vi mer bygd vei og ikke først og fremst mer byråkrati.

Vi ønsker nye og smarte modeller for å bygge vei, sånn at vi får mer effektiv veibygging. Vi ser derfor med litt forundring på grepet med å etablere et nytt statlig veiselskap. Forslaget fra Høyre og Kristelig Folkeparti i behandlingen av Nasjonal transportplan var å omdanne hele Statens vegvesen til et aksjeselskap. Nå skal det etableres et selskap til på siden, som skal gjøre akkurat det samme som Statens vegvesen allerede gjør, men på et begrenset utvalg av strekninger. I tillegg får de ikke de tunge myndighetsoppgavene som Statens vegvesen utfører, og de skal heller ikke borti storbyproblemene, som det står i meldingen. Det gir økt administrasjon og binder opp flere ressurser, ressurser som i stedet kunne blitt brukt til å bygge mer vei. Vi kan ikke se at det er noen fordeler med å splitte opp ansvaret for riksvei mellom to aktører, og vi kan heller ikke se at det legges fram gode, faglige argumenter for dette i stortingsmeldingen. Arbeiderpartiet mener at det er behov for å gjennomføre utbygging, drift og vedlikehold av riksveinettet enda mer effektivt, men her Arbeiderpartiet mener at det er behov for å gjennomføre utbygging, drift og vedlikehold av riksveinettet enda mer effektivt, men her er det viktig å treffe med riktig analyse før man gjør endringene. Regjeringen skriver selv i meldingen at Statens vegvesen er en effektiv gjennomførerorganisasjon. Arbeiderpartiet vil derfor i motsetning til regjeringen heller styrke Statens vegvesen, som allerede innehar kompetanse og erfaring med å gjennomføre storstilte veiutbygginger. Arbeiderpartiet vil derfor sørge for at Statens vegvesen kan porteføljestyre utbygging av riksveiprosjekter på samme måte som det foreslåtte veiselskapet, slik at man slipper å etablere et nytt, dupliserende selskap, splitte opp fagmiljø og konkurrere om begrenset veikompetanse, ingeniører og planleggere. Vi mener det er gode argumenter for en mer porteføljestyrt framdrift på store prosjekter, som f.eks. på ferjefri E39, det aller største og sammenhengende veiprosjektet i vår tid. Et annet element i regjeringens veireform er større satsing på offentlig–privat samarbeid, omtalt som OPS, når det gjelder veiutbygging. Tradisjonelt har OPS-kontrakter vært sånn at staten over 20–30 år betaler private firma for å finansiere, bygge og vedlikeholde offentlige veier eller bygg. Det har blitt beskrevet som «høl i hue» av en tidligere statssekretær, så stortingsrepresentant igjen. Arbeiderpartiet ønsker selvsagt velkommen nye og smartere modeller for å bygge og vedlikeholde vei, sånn at vi får mer effektiv utbygging, men vi er skeptiske til tradisjonell OPS-utbygging og mener at OPS-prosjekter ikke er en framtidsrettet, moderne måte å finansiere samferdselsprosjekter på. Arbeiderpartiet mener at privat lånefinansiering av vei er dårlig forvaltning av fellesskapets penger, at privat finansiering av offentlige veianlegg gir større finanskostnader, som til syvende og sist må betales av fellesskapet. Vi ønsker nye kontraktsformer som gjør det mer mulig med innovative løsninger og et bedre samspill mellom staten som byggherre og entreprenørene, som får oppdragene med å utføre investeringene. Det tredje elementet i regjeringens veireform er en såkalt bompengereform. Arbeiderpartiet støtter bruk av bompenger, ikke fordi vi ønsker å plage folk, men fordi det er et spleiselag mellom dem som bruker veien, og myndighetene, som gjør at fellesskapet kan få bygge ut flere veier raskere. Arbeiderpartiet er opptatt av at det skal være mest mulig effektivt når vi krever inn bompenger, slik at bilistene får mest mulig vei igjen for hver krone de betaler når de passerer bomstasjonene. Vi er derfor positive til at regjeringen er opptatt av tiltak for å effektivisere og forbedre bompengesektoren, og at Høyre og Fremskrittspartiet i regjering følger opp vedtakene om dette fra Nasjonal transportplan. Her er de sentrale elementene for effektivisering av denne sektoren å slå sammen bompengeselskaper og å samordne takst- og rabattsystemer, noe som vil gi reduserte administrasjonskostnader og en mer effektiv drift. Det er veldig bra. Men Arbeiderpartiet mener at her kunne regjeringen ha gått enda lenger i å effektivisere bompengeinnkrevingen. Obligatorisk bompengebrikke er det tiltaket som i seg selv gir størst reduksjon i innkrevingskostnadene.

Arbeiderpartiet er veldig skeptisk til regjeringens forslag til rentekompensasjonsordning. Det er dessverre bare en annen og langt mer byråkratisk metode for å bevilge penger til vei. Men det vil ikke bli bygget noe mer vei for de midlene regjeringen bevilger til denne innebærer rentekompensasjonsordningen at det vil bli mindre midler totalt til bygging av nye og viktige veier for fellesskapet, iallfall hvis regjeringen skal holde seg innenfor handlingsregelen, som de bedyrer i meldingen. Oppsummert: Arbeiderpartiet har mange tanker om å forbedre veisektoren, men ikke slik saksordføreren beskriver Arbeiderpartiets tanker om det som skjer på veiene våre. Vi vil organisere veisektoren på en slik måte at fellesskapet får mest mulig vei for pengene. Vi sier nei til løsninger som fordyrer og skaper mer administrasjon. Arbeiderpartiet sier ja til nye og smartere modeller for å bygge vei, sånn at vi får mer effektiv veibygging og mer vei for pengene. Vi sier nei til OPS i Arbeiderpartiet vil styrke Statens vegvesen, som allerede innehar kompetanse og erfaring med å gjennomføre storstilte veiutbygginger, og vi vil sørge for at Statens vegvesen kan porteføljestyre utbygging av riksveiprosjekter gjennom særskilt prioriterte prosjekter, f.eks., hvis det videreføres som en budsjettmulighet i framtiden. Vi sier nei til å etablere et veiselskap, til delt ansvar, nye grenser og økt administrasjon. Arbeiderpartiet vil ha en mest mulig effektiv innkreving av bompenger, sånn at bilistene får mest mulig vei igjen for hver krone. Vi sier derfor også nei til regjeringens rentekompensasjonsordning, som innebærer at det blir mindre penger til bygging av ny vei, og ikke det vi ønsker: veier over det ganske land, som binder byene våre sammen, landsdelene sammen, og som kobler oss til nabolandene.

Dette synest òg å vere ei ålmenn oppfatning, og i BT sin leiar den 16. april stod det: «Et nytt selskap kan løse noen av de store utfordringene i norsk veibygging». Og samferdselsministeren viser sterk vilje til å reformere ein nokså stivna og gamaldags sektor. Kan representanten Kjerkol dele oppfatninga om reformbehovet – ei systemreform for ein overmoden vegsektor? vegsektor? Den rød-grønne regjeringen gjorde veldig mye på vei. Det gjorde det behagelig for et nytt regime å komme inn og ta over stafettpinnen og å være like ambisiøs som det foregående, da de sa at de ønsket å oppfylle den NTP-en som Stortinget vedtok i juni 2013. Det ble også lagt på plass en del nye måter å finansiere infrastrukturprosjekter på, veiprosjekter og jernbaneprosjekter, gjennom bl.a. ordninger med prioriterte prosjekter som gir forutsigbar finansiering, i den forstand at Stortinget gjør egne vedtak, det er egne organisasjoner, og man har sånn sett en større forutsigbarhet og binder på et visst nivå Stortinget opp til å gjenta bevilgningen året etterpå. Dette er jo måter å finansiere på som regjeringen har lagt inn i sin reform også nå, så det er litt underlig for meg at representanten Eidsheim karakteriserer det som fattige tanker og lite nyskaping. Veiselskapet følger samme logikk som for prioriterte prosjekter. Representanten Kjerkol nevnte flere ganger at hun ønsket mest mulig vei for pengene. Det ble i 2006 bygd 10,7 km motorvei i Norge. I 2013, på tross av at den rød-grønne regjeringen økte bevilgningene til veiformål, ble det kun bygd 10,6 km motorvei. Noe av årsaken til dette er at kostnadene har skutt i været, og vi har hørt fra entreprenører at så mye som ⅓ av kostnadene ved veiprosjektene har bestått i montering, rigging og demontering av utstyr, fordi de ikke har hatt lange nok strekninger eller forutsigbar finansiering. Arbeiderpartiet tror åpenbart at hvis medisinen ikke virker, må man bare øke doseringen. Økte bevilgninger og å fortsette som før er svaret, og de nekter å se på organiseringen. Hvordan vil Arbeiderpartiet få ned kostnadene ved veibyggingen ved å fortsette i samme spor, som sørger for mer enn en dobling av kostnadene? Kostnadene til veiprosjekter har økt, og de vil nok også øke i tiden som kommer. Staten Norge er en veldig forutsigbar kunde på dette markedet. Vi planlegger for ti år av gangen, og det er veldig godt kjent i markedet hva som skal gjennomføres – hvis man da forutsetter at regjeringen holder det den lover. Den forrige regjeringen var veldig tydelig på et par ting. Vi bygge mer sammenhengende, og vi skulle planlegge mer sammenhengende. Blant annet i mitt hjemfylke utredet man vei og bane mellom Trondheim og Steinkjer sammenhengende, riktig nok med forskjellig finansiering på vei og bane, men en helhetlig utbygging. Det som nå skjer med regjeringens etablering av det statlige veiselskapet, er at den veistrekningen stykkes opp. Deler av den overlates til veiselskapet, mens Statens vegvesen får i oppgave å bygge ut det som ikke er prioritert, og sånn sett blir det mindre helhetlig og mer stykkevis og Jeg sliter litt med å få tak i hva slags fornyelse av samferdselssektoren når det gjelder veiutbygging, Arbeiderpartiet her gjør seg til talspersoner for. Forrige periode, i forbindelse med NTP, ble begrepet «særskilt prioriterte prosjekter» introdusert. Det begrepet ser jeg er brukt også i merknadene denne gangen. gangen. Det som det gikk ut på, var at de ble ført opp med en egen post i budsjettet, og så ble det kalt prosjektfinansiering – ingen andre virkemidler, en er fortsatt avhengig av årlige budsjettvedtak. Er det dette som representanten Kjerkol mener er den fornyelsen som Arbeiderpartiet ønsker å bidra til når det gjelder utviklingen av

i likhet med flertallet, sympati for den måten å drive fram prosjektene på. Vi tror at hvis Statens vegvesen kunne ha forhandlet med regjering og storting om f.eks. framdriften på E39, kunne det ha optimalisert måtene vi både rigger investeringene på og også drifter og vedlikeholder dem. Replikkordskiftet er dermed over.

for å redusere planleggingstida og bygge mer vei raskere. Ser vi på utviklinga i norsk veibygging, kan vi slå fast følgende: Vi har for lang planleggingstid. Det tar i gjennomsnitt ca. ti år å planlegge et veiprosjekt. For det andre: Vi har manglede forutsigbarhet. Prosjektene blir bygd ut stykkevis og delt heller enn sammenhengende og helhetlig, og det mangler forutsigbarhet i finansieringa. Det er ikke en effektiv måte å planlegge og bygge vei på. For det tredje: Vi har et forsømt vedlikehold. Vedlikeholdsetterslepet på veinettet er formidabelt, og det har økt hvert år helt fram til nå. Jeg tror det er relativt stor enighet om at dette er sentrale utfordringer i norsk veibygging. Også opposisjonen, som fram til oktober 2013 hadde regjeringsansvaret, ser i sine merknader ut til å erkjenne at dette er utfordringer og «er åpne for, og ønsker velkommen, nye og smartere modeller for å bygge Men der stopper den konstruktive tilnærminga. Heller enn å komme med konkrete forslag til hvordan vi kan bygge vei raskere, er Arbeiderpartiet og Senterpartiet kun opptatt av å kritisere de løsningene regjeringa foreslår. De er altså enig i diagnosen, men mangler egne løsninger. Økt satsing på vei ender ofte opp i en diskusjon om hvor mye penger vi bruker på forskjellige formål. Det er viktig. Uten tilstrekkelige bevilgninger blir det heller ikke bygd nok vei. Regjeringa har i sine budsjett for 2014 og 2015 løftet satsinga både på vei og på bane. Denne opptrappinga gjør at vi er foran skjemaet til å overoppfylle NTP, både i kroner og i antall prosjekt. I tillegg har vi løftet satsinga på vedlikehold, som gjør at vi for første gang på flere tiår reduserer vedlikeholdsetterslepet, både på riksvei og jernbane. Der forfallet økte under det rød-grønne styret og vi faktisk hadde en reell nedgang i midlene tilgjengelig for vedlikehold, ser vi nå en positiv utvikling og et redusert etterslep. Økte bevilgninger er likevel ikke nok. Vi må også sørge for å få mest mulig igjen for pengene ved å redusere planleggingstida – en halvering er målet – og bygge raskere og smartere. Og det er det denne meldinga i hovedsak handler om. Hvordan kan vi bruke de midlene vi setter av til samferdselsformål, på en best mulig måte? Den forrige regjeringa skrøt av at det var brukt mer penger enn de lovte, på å bygge mindre vei enn de lovte. Denne regjeringa skal måles på hvor mye vei vi bygger, ikke bare på hvor mye midler vi bruker. Meldinga definerer tre hovedgrep – for det første etablering av et utbyggingsselskap for vei, for det andre økt bruk av offentlig–privat samarbeid, OPS, og for det tredje en bompengereform.

Utbyggingsselskapet vil ha en oppstartsportefølje som i hovedsak omfatter viktige transportkorridorer i og mellom de mest befolkningstette områdene våre og der det i hovedsak er grunnlag for firefelts vei. Det betyr viktige strekninger både på E18, E39 og E6. Porteføljen er på ca. 130 mrd. kr målt i dagens kroneverdi og skal bygges ut innenfor et 20-årsperspektiv, eller gjerne raskere. Prioriteringer av hvilke strekninger som skal tilføres selskapet, vil skje i NTP-prosessen. Dermed vil veiselskapet bli sett i sammenheng med den samlede prioriteringa i Nasjonal transportplan, og vi sikrer en god balanse, til beste for hele landet. Siden selskapet vil få ansvaret for lengre og sammenhengende strekninger, vil det være opp til selskapet selv å definere utbyggingsrekkefølgen. Politikken skal handle om de overordnede prioriteringene, fagfolkene bygger vei. Det er Det er også viktig at selskapet har et totalansvar. Det vil stimulere til smarte valg av løsninger, som gir god økonomi i et livsløpsperspektiv. Jeg registrerer at opposisjonen er bekymret for at etablering av et veiselskap vil føre til en oppsplitting av fagmiljøene. Det mener jeg det ikke er noen grunn til. Vi vil få to kvalitativt gode fagmiljø på bygging av vei som vil utfordre hverandre på en positiv måte og stimulere til Og så er det viktig at disse fagmiljøene også samarbeider der det er naturlig. Opposisjonen er også bekymret for at dette skal gi økt byråkrati. Men hvorfor skulle det det? Antall medarbeidere må jo dimensjoneres etter de oppgavene som skal løses, og den porteføljen selskapet til enhver tid har, samtidig som valg av kontraktsform også vil ha betydning for hvor mange ansatte selskapet vil ha behov for. Det skal heller ikke være parallelle organisasjoner. Når Vegvesenet gir fra seg ansvaret for en strekning, trenger de heller ikke å ha noen som jobber med det. Når selskapet får ansvaret for helhetlige og sammenhengende strekninger, vil det være enklere å disponere egne ressurser effektivt sammenlignet med den stykkevis-og-delt-tankegangen som de rød-grønne har vært eksponent for i mange år. Offentlig–privat samarbeid, eller OPS, har vist seg å være en effektiv gjennomføringsstrategi. Å se planlegging, gjennomføring og drift og vedlikehold i sammenheng over en

og staten vil ha en forutsigbar standard på veien i kontraktsperioden. Det betyr også at selskapet vil ha sterke incentiv for å gjennomføre prosjektet så raskt som mulig. Jeg registrerer igjen at opposisjonen fremdeles viser til ulempene ved at private finansierer veiutbygginga, og at staten betaler ned over f.eks. 25 år. Så enten har representantene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke lest stortingsmeldinga, eller så vil de ikke forstå det. Den modellen som regjeringa nå legger opp til, rendyrker OPS som en gjennomføringsstrategi ved at hovedtyngden av kontraktsbeløpet vil bli utbetalt tidlig i kontraktsperioden, etter at veien er ferdigbygd. På den måten reduseres ulempen ved at private finansierer dyrere enn staten, samtidig som vi kan ta ut alle fordelene ved OPS som en effektiv gjennomføringsstrategi – altså det beste fra to verdener.

er det bare rett og rimelig at vi også legger til rette slik at bilistene opplever ordninga som rettferdig og enkel å forholde seg til. Et viktig grep for å få til det er utskilling av utstederrollen fra bompengeselskapet og tilrettelegging for mer kommersielle utstedere. Her kan det finnes et utall av løsninger som vil gjøre hverdagen enklere for bilistene. Regjeringa har også en ambisjon om å etablere en rentekompensasjonsordning for bompengelån. Det er et virkemiddel for å redusere takster eller redusere nedbetalingstida til beste for bilistene. Det vil også være et viktig element for å stimulere til sammenslåing av bompengeselskap, siden det er en betingelse for å få tilgang til ordninga. Jeg registrerer at vi ikke fikk avklart alle de prinsipielle sidene av det nå, men vi kommer til å ta det igjen i forbindelse med statsbudsjettet for 2016. Til slutt er det unaturlig å snakke om en veireform uten å komme inn på navet i norsk veibygging. Statens vegvesen er navet i veibygginga i dag og vil være det også i framtida. Selv om vi etablerer et veiselskap, vil hovedtyngden av prosjektene i NTP fremdeles bli gjennomført av Statens vegvesen. Derfor er det viktig å presisere at dette betyr at vi fortsatt skal ha et sterkt Statens vegvesen. Istedenfor å ha ett fagmiljø som er opptatt av veibygging, vil vi nå ha to fagmiljø, som utfyller og utfordrer hverandre, og som skal samarbeide der det er formålstjenlig. Summen av de grepene som blir presentert i denne meldinga, sammen med det gode fagmiljøet vi har i Statens vegvesen, vil i årene framover bidra til at vi bruker samferdselspengene våre smartere. Dette er ikke en trylleformel for mer penger, men det er gode grep for å bygge mer vei mer effektivt enn vi gjør i dag, og det er ikke en dag for tidlig. Det blir replikkordskifte. I denne saken ligger det flere ting, og det ene er OPS. Representanten var inne på det i sitt innlegg, og var litt overgitt over at Arbeiderpartiet ikke har fått med seg hva man egentlig mener. Da skal representanten få anledning til å utdype det, slik at vi kan forstå det litt bedre. Vi kjenner i hvert fall veldig godt til både Fremskrittspartiets og Høyres tidligere syn på OPS, som har vært vidt forskjellige. I denne saken står det at man ønsker å benytte OPS som en gjennomføringsstrategi, men så skriver man videre i samme merknad: «Flertallet mener at det er viktig å ta i bruk virkemidler for å redusere OPS-selskapenes finansieringskostnader.» Og så blir det sagt at man skal ta grep så det blir kortere perioder hvor man låner. Jeg er fortsatt i tvil. Er det sånn at man ønsker å OPS med eller uten finansiering? Jeg tenker at det som står i stortingsmeldinga, er den politikken vi legger til grunn for framtidige OPS-prosjekt. Det som er viktig for oss å poengtere og lage en modell for nå i denne prosessen, er at OPS skal være en gjennomføringsstrategi. OPS har mange positive sider som gjør at en får lavere kostnader og forutsigbart vedlikehold, og en oppnår faktisk å realisere mange prosjekt raskere. Å få disse elementene innbakt i norsk samferdselspolitikk synes jeg er en god måte å jobbe på. Og så er det spørsmålet knyttet til finansiering. Måten vi legger det opp på i denne stortingsmeldinga og i framtidige OPS-prosjekt, innebærer at størsteparten av oppgjøret knyttet til investeringer vil komme relativt raskt etter ferdigstilling av prosjektet, ergo vil det heller ikke være et stort lånebehov i 25 år, f.eks., slik det var ved tidligere OPS-prosjekt. Den modellen som nå blir lagt til grunn, reduserer den finansieringsulempen som måtte ligge der. Da har vi for så vidt oppfattet det riktig, at dere skal ha en modell med finansiering, men med kortere finansieringstid, så da har Fremskrittspartiet også beveget seg i denne saken – vi konstaterer det. Spørsmålet er er da hvis man ikke ønsker en finansieringsmodell: Det er under utprøving nå en såkalt utviklingskontrakt som ble underskrevet i forrige uke på Helgeland, der man har tatt ut finansieringsbiten, slik som for så vidt Fremskrittspartiet mente tidligere, og som vi mener i denne saken også – og da lurer jeg på hva som er den store forskjellen på en utviklingskontrakt og den

og den private aktøren vil ta på seg risiko. Det vi ser i veldig mange sammenhenger, er at det faktisk er et gode også for staten. Vedkommende selskap vil ta på seg risiko både for utbygging, drift og vedlikehold f.eks. i en 25-årsperiode. Den risikooverføringa gjør at vedkommende entreprenør, aktør, vil ha store incentiv både for å realisere prosjekt raskere og for å sørge for smartere løsninger. Jeg tror at den viktigste forskjellen mellom disse to modellene vil nok være den risikooverføringa vi ser ved at private tar på seg risiko for

miljøer. Jeg ønsker å spørre representanten Orten direkte: Hvor mange ansatte skal dette selskapet ha? Er det rett, som man sier, at man spekulerer i 200–300 ansatte og mer, eller er det ikke rett? Hadde jeg visst svaret på det, hadde jeg søkt på stillinger og kanskje prøvd å skaffe meg en annen jobb, men det skal jeg ikke jeg ikke gjøre. Det som er viktig å ta med seg her, er at når vi lager et veiselskap, er det fordi vi ønsker å bygge mer effektivt, og vi legger til rette for å bygge mer effektivt. Vi skaper større forutsigbarhet både økonomisk og også ved at vi tenker lengre sammenhengende strekninger og skaper større forutsigbarhet innenfor en større utbyggingsportefølje.

satsingen? Det er jo det som må være det interessante, og ikke bare at man kan skryte av at man har brukt mer penger. Det er som å komme hjem etter handel i butikken og skryte av at man har brukt opp alle pengene, men ikke har fått med seg alle varene hjem. Det synes jeg ikke er noe særlig å skryte av. I årsrapportene til Statens vegvesen kan man finne mye, og i 2006 kan vi lese at det ble åpnet 10,7 Med en nesten dobling av bevilgningene til veiformål ble det likevel ikke åpnet mer enn 10,6 km firefelts motorvei i 2013. Dette burde fått varsellampene til de rød-grønne til å blinke, men det har tydeligvis ikke bekymret dem. I 2006 kostet det 125 000 kr per løpemeter firefelts motorvei, mens det i 2014 kostet 275 000 kr per løpemeter firefelts motorvei. Dette er bl.a. et resultat av at veibygging i Norge har lang planleggingstid, at entreprenørene må forholde seg til årlige bevilgninger, og at de fleste veistrekningene deles opp i små deler. Det er åpenbart at endringer er nødvendig, og vi kan ikke løse alt bare ved å sørge for økte bevilgninger. Vi må også gripe tak i hvordan vi organiserer oss. Vi må tenke nytt når det kommer til planlegging, når det kommer til prosjektering, og når det kommer til gjennomføring. Et utbyggingsselskap for vei med et mer forutsigbart, tilstrekkelig og langsiktig finansieringsgrunnlag vil sørge for at vi får mer vei for hver krone som blir investert. I utbyggingsselskapets oppstartsportefølje har regjeringen lagt opp til raskere utbygging for flere av prosjektene enn det som var forutsatt i NTP 2014–2023, og vi har samtidig løftet inn flere prosjekter som ikke var i NTP, men som henger naturlig sammen. Bedre veier sørger for at elektrikere, tømmermenn, varer og pendlere kommer raskere noe som både er samfunnsøkonomisk lønnsomt og også bedre for klimaet. I et klimaperspektiv handler det nemlig ikke om å la være å bygge vei, det handler først og fremst om hva som kjører oppå veien, og om hvordan veien er utformet. Vi skal ikke slutte å bygge veier. Tvert imot – vi skal bygge mer, bedre og smartere. Neste generasjon kjøretøy kommer til å være tilnærmet utslippsfri, og da er det meningsløst ikke å investere mer i infrastruktur. Gjennomsnittsbilen på norske veier er i dag en 2004-modell, som slipper ut 180 gram CO2 per km.

Før har det viktigste vært å få på plass en ny bro eller tunnel eller å oppgradere noen kilometer av motorveien fra tofelts til kanskje trefelts, for så å lede hovedveien inn igjen i tettsteder og byer, hvor veien alltid har gått. Vi er opptatt av å lede de tunge kjøretøyene og gjennomgangstrafikken utenom lokaltrafikken, bort fra lekeplasser, barnehager og skoler, og ut på hovedveier uten rundkjøringer og masse køkjøring. Dette vil sørge for bedre trafikkflyt og lavere lokale utslipp. Skal vi få til det, må vi imidlertid begynne å tenke nytt, ta nye grep og planlegge å bygge større og mer helhetlig. Et annet viktig punkt vi skal vedta i dag, er en bompengereform. 90 nye bomstasjoner og 97 mrd. kr i bompenger – det er hva den rød-grønne regjeringen vedtok i Nasjonal transportplan sommeren 2013, rett før den gikk av. Enkelte av de bomprosjektene ville hatt driftskostnader på over 10 kr per passering. De siste fire årene under rød-grønt styre ble bompengegjelden doblet til over 35 mrd. kr. Det sier litt om en bompengebruk ute av kontroll. I regjering har Fremskrittspartiet allerede fått gjennomslag for å fjerne en del bomprosjekter, vi har redusert satsene i om lag 20, og med dagens vedtak står flere for tur. Et resultat av vår kamp for å redusere bompengesatser kommer ekstra godt til syne på E18 i Vestfold, hvor det i utgangspunktet var tenkt en takst på 112 kr, mens den nå er nede i 57 kr per passering. Fremskrittspartiet gikk til valg på å kutte bompenger. Med dagens stortingsflertall, hvor man ikke får flertall for å fjerne alle bompengene, må vi forhandle og kompromisse. Og i den situasjonen klarer vi å redusere bompengesatser og kutte driftsutgifter. Det er meningsløst å ha 50–60 bomselskaper, når deres eneste oppgave er å kreve inn bompenger. bompenger. Vi vil med dagens vedtak stimulere til en kraftig reduksjon i antall bomselskaper, slik at drifts-, administrasjons- og finansieringskostnader vil bli redusert. Denne reduksjonen vil komme bilistene til gode, enten i form av mindre bompenger, kortere nedbetalingstid eller høyere rabatt for dem som velger å bruke bombrikke. Jeg registrerer at Arbeiderpartiet og Senterpartiet påpeker at de også ønsker en bompengereform, og at de har tatt til orde for dette i NTP. Det stemmer, men forskjellene er betydelige. også ønsker en bompengereform, og at de har tatt til orde for dette i NTP. Det stemmer, men forskjellene er betydelige. De ønsket en fylkesreform, med 19 bomselskaper, samtidig som de ikke har kommet med en eneste løsning som skal sikre at selskapene faktisk ønsker å ta del i bompengereformen. De har ikke fremmet ett eneste forslag som skal stimulere bomselskapene til frivillig å bli med i bompengereformen, mens vi har foreslått en rentekompensasjonsordning. Vi ønsker med den å gi et incentiv til bomselskapene ved at staten kan betale en del av For mange selskaper kan dette bli en enorm besparelse. VG kunne tidligere i år vise til at man kan få opptil 30 pst. rabatt på enkelte prosjekter med regjeringens forslag. Rogfast, et tunnelprosjekt i Rogaland og en del av ferjefri E39, ville med rød-grønne forutsetninger fått en bomtakst på nærmere 350 kr. Med bompengereformen og full rentekompensasjonsordning kan taksten krype under 200

Vi tar den fram som en del av kommende Nasjonal transportplan, og veiselskapet blir et viktig virkemiddel for oss i arbeidet med å nå målsettingen om et effektivt høyhastighets motorveinett for Norge. Med Fremskrittspartiet i regjering får vi nå på plass et utbyggingsselskap for vei, som skal sikre mer helhetlig planlegging og utbygging av store veiprosjekter og mer effektiv bruk av skattebetalernes penger, og vi vil se at bompengebelastningen går sakte, men sikkert i en bedre retning.

vegbygging. Mitt spørsmål til representanten vert då: Det nye vegselskapet skal ha 20 år på seg til å få bygd desse prosjekta, og bompengane vil då måtta vara til år 2050. Kva tid meiner Framstegspartiet at det skal verta slutt på bompengar her i landet – eller landevegsrøveriet, som dei òg har kalla det? Fremskrittspartiet har vært veldig offensive når det gjelder å bygge mer vei, og det er vel ingen hemmelighet at hadde Fremskrittspartiet styrt dette landet Så er det sånn at vi sitter og forhandler og blir enige med tre andre partier, og da har vi fått til en langt større samferdselssatsing enn de rød-grønne, og vi har fått en bompengeandel som er lavere enn den de rød-grønne la opp til. Med dagens sak, med veiselskap og bompengereform, skal vi bygge mer vei enn det de rød-grønne planla, og vi skal ha en lavere bompengeandel. Da synes jeg det er bedre å sitte i posisjon og være med og påvirke ting i rett retning framfor å sitte i opposisjon – som Fremskrittspartiet gjorde i 40 år – uten å få gjennomslag i et eneste bompengeprosjekt og bare se at bompengeutgiftene for norske bilister vokste himmelhøyt under den forrige regjering. Eg har ikkje førebudd eit ekstra spørsmål, fordi eg rekna med at eg kunne stilla det første spørsmålet ein gong til, for eg trudde ikkje eg kom til å få svar. Så eg spør igjen: Kva tid meiner Framstegspartiet at me skal få slutt på bompengar her i landet? Det er ingen tvil om at vi i Fremskrittspartiet mener at bompenger er en lite effektiv måte å finansiere våre infrastruktursatsinger på. Men vi konstaterer at det er en løsning som et overveldende stortingsflertall vil ha. Da er det, synes jeg, i hvert fall gledelig at vi kan være i posisjon, og at vi gjennom den stortingsmeldingen som er fremmet i dag, har en rekke tiltak, som rentekompensasjonsordning, som bompengereform, som nytt veiselskap, som sørger for at bompengeandelen i veiprosjekter vil bli redusert. Mer penger vil gå til vei, og så vil vi selvfølgelig drive valgkamp på ny i 2017 med at vi vil redusere bompengeandelen. Som jeg nevnte i mitt innlegg, sa VG at vi kunne få opp til 30 pst. reduksjon i bompenger med denne ordningen. Hvis Fremskrittspartiet med 16,3 pst. i oppslutning klarer å få 30 pst. reduksjon i bompenger, er det bare fantasien som setter grenser for hva vi kan klare ved neste valg hvis vi blir større. Jeg registrerer at Fremskrittspartiet har gitt opp kampen mot bompenger. Nå handler det

av bompenger. Vi er veldig opptatt av det, for vi mener det handler om respekt for skattebetalernes penger. Med dagens regjering er bevilgningene til vei rekordhøye. Vi har satset mer på samferdsel, og vi har redusert bompenger. I 2013 vedtok stortingsflertallet en NTP som legger opp til en økning på 97 mrd. kr i bompenger for de neste ti årene – en så stor økning at Senterpartiet var nødt til å stille spørsmål om hvor mye bompenger de egentlig hadde vedtatt for de neste ti årene, for de hadde ikke kontroll. Med Fremskrittspartiet i regjering får vi ikke fjernet alle bompenger i denne perioden, men vi får utgjort en forskjell. Vi får redusert bompengegjelden til norske bilister. Replikkordskiftet er omme. Senterpartiet vil utvikle et moderne og framtidsrettet transportsystem der trafikkavviklingen blir enklere, raskere og tryggere. Det vil bidra til

Industri, fiskeri, havbruk, matproduksjon, reiseliv, bergverk og petroleum er alle næringer som er lokalisert landet rundt, og mange har lang vei til markeder. Disse næringene er viktige for Norges økonomi, og skaper lokale arbeidsplasser. Ved å investere i et transportsystem som får vareflyten til å henge bedre sammen, et system som får mer gods over på kjøl og bane, bidrar vi til næringsutvikling, trafikksikkerhet og god klimapolitikk. Senterpartiet er opptatt av at veisektoren skal organiseres på en slik måte at fellesskapet får mest mulig vei for pengene, og med minst mulig byråkrati. Som Nasjonal transportplan 2014–2023 la opp til, ønsker Senterpartiet nye og smartere modeller for å bygge vei, slik at vi får en effektiv utbygging. Flere av de tiltakene regjeringen nå kaller reformer av ulike slag, er løsninger som vi la fram i Nasjonal transportplan for 2014–2023: effektivisere planprosessene, bompengeinnkrevingen og etatene sikre forutsigbar finansiering og gjennomføring av store infrastrukturprosjekter ved å etablere en ordning for særskilt prioriterte prosjekter redusere antall bompengeselskap få en mer sammenhengende utbygging av lengre strekninger, slik at man får en bedre ressursutnyttelse effektivisere gjennom samordning, som igjen vil medføre mer effektiv bruk av ressursene gjennom samlet planlegging og gjennomføring av tiltak Den store forskjellen er at de blå-blå splitter opp og etablerer selskap, mens vi mener at dette kunne vært løst gjennom eksisterende selskap. Her smaker det av keiserens nye klær! Vi ser med forundring på løsningen regjeringen har valgt. Lanseringen var et nasjonalt veiselskap, men er et veiselskap for noen få deler av landet og for TEN-T-nettet. Det bygger på svake faglige vurderinger som vil duplisere mange av oppgavene til Statens vegvesen, gi økt byråkrati og binde opp ressurser som i stedet burde vært brukt til å bygge mer vei. Det er kritikkverdig at regjeringen ikke kan gjøre rede for hvor mange ansatte det nye utbyggingsselskapet skal ha, og hvilke administrative kostnader dette selskapet fører med seg knyttet til etablering, lønn og drift. Senterpartiet minner om at riksvei i dag finansieres med bevilgninger over statsbudsjettet, bompenger og lån. Regjeringens veireform endrer ikke på det, men slår fast at

Senterpartiet og den rød-grønne regjeringen vedtok ordningen med særskilt prioriterte veiprosjekter i gjeldende Nasjonal transportplan, med egne romertallsvedtak, egne prosjektorganisasjoner og forpliktelser over flere år. Det mener Senterpartiet ville gitt god forutsigbarhet når det gjelder veiutbygging. Senterpartiet mener det er uklart hvordan drift og vedlikehold skal gjennomføres, og at det er fare for at dette stykkes opp og blir utført mindre Senterpartiet forutsetter at prosjektene som ligger inne i Nasjonal transportplan, får bevilgninger i tråd med planen, og at bevilgninger til nye prosjekter utenom NTP kommer som et tillegg. Vi viser igjen til at dette ikke er et nasjonalt veiselskap – til det er den geografiske skjevheten i veiselskapets portefølje for stor og har heller ikke vært igjennom normal demokratisk behandling. Senterpartiet mener at staten skal ha det overordnede ansvaret for utbygging av vei i Norge.

Mitt spørsmål til Senterpartiet er: Er Senterpartiet fornøyd med denne utviklingen siden de kun kritiserer det vi foreslår, og har de egne forslag til løsninger? Den siste nasjonale transportplanen la jo opp til en forenkling av planprosessene gjennom flere grep, etter et utvalg som ble satt ned av daværende samferdselsminister Meltveit Kleppa. Det var stor enighet om at det var behov for å gjøre det, og det ble fulgt opp gjennom vedtak ved behandlingen av transportplanen i 2013. Vi mente også at det var behov for å effektivisere utbyggingen, ønsket å se på lengre strekninger og la opp til nye kontraktsformer og også ordninger med særskilt prioriterte prosjekter. Så jeg mener at de tiltakene vi la inn i Nasjonal transportplan, var gode og burde ha blitt fulgt opp videre.

så Senterpartiet for seg da de satt i regjeringskontorene – og som kanskje fremdeles ligger der i skuffen? Hvilke store grep så de for seg skulle bidra til å løfte samferdselssektoren over i en helt annen – kall det – divisjon, eller få til et skikkelig taktskifte? Jeg har litt problemer med å få øye på det, men jeg tar gjerne imot et godt svar. Det kan jo hende at man leser det man vil lese. For jeg mener at det som ligger inne i Nasjonal transportplan, er ganske store grep, som man ønsket å forbedre sektoren med, bl.a. å få ned planleggingstiden og å få en mer helhetlig utbygging. Vi fremmet særskilt det prosjektet som ett grep, nye kontraktsformer som et annet grep, og det er flere typer tiltak som vi mente var de rette tiltakene å komme med – i tillegg til at vi to nasjonale transportplaner, som var et krav fra mange. Man hadde en jevn opptrapping, som entreprenørene ønsket at vi skulle ha, og det har ført til at vi nå ser at det skjer mye rundt omkring i landet, både på veisektoren, på jernbanesektoren, når det gjelder havner og

Jeg registrerer Statens vegvesens synspunkt når det gjelder å bygge opp og bygge ned, at en av grunnene til det var nettopp at man ikke visste om man fikk penger på budsjettet neste år for å kunne fortsette. Senterpartiet satt ved makten i departementet i åtte år. Fremskrittspartiet har hele tiden vært for langsiktig budsjettering nettopp for å unngå at en bygger opp og bygger ned og bygger opp og bygger ned, klattvis, 2 kilometer osv. Er nå Senterpartiet på rett vei med også å tenke langsiktig budsjettering, for nettopp å kunne bygge mer helhetlig, slik som representanten sa her i forrige

over flere år. Det foreslo Senterpartiet, men hadde ikke flertall for det. Vi ser imidlertid at det veiselskapet som etableres med portefølje, ikke er et nasjonalt veiselskap. Det er heller ikke faset inn penger på en slik måte at man får en hensiktsmessig finansiering av prosjektene som ligger inne i porteføljen. Replikkordskiftet er over. Jeg vil innledningsvis takke saksordføreren for godt og grundig arbeid med innstillingen og for at vi

Vi får flere verktøy i kassen når vi skal bygge ut infrastruktur. Det er positivt. Det er også svært positivt at vi får flere fagmiljøer, slik at vi kan øke innovasjonsgraden når det gjelder teknologi, planlegging og gjennomføring av veiprosjekter. Det vil lønne seg økonomisk. Det vil også lønne seg faglig, antar jeg, fordi flere fagmiljøer tenker bedre enn Sist vi var i regjering, startet samferdselsminister Torild Skogsholm arbeidet med å modernisere og organisere veiutbygging i Norge, slik at vi kunne få mer vei for pengene. Venstre har, sammen med de tre andre borgerlige partiene, siden 2005 arbeidet med å følge dette videre og finne nye løsninger for finansiering, planlegging og utbygging av vei. Én av løsningene er offentlig–privat samarbeid. OPS kan være en klok måte å bygge, drifte og vedlikeholde vei på. Vi tror vi kan få mer vei for pengene på den måten. OPS-strategien er et viktig element i veireformen. En av de andre løsningene er å etablere et veiselskap som skal stå for utbygging av enkelte riksveistrekninger. Vi tror det er et riktig grep for å bygge raskere, smartere og rimeligere. Samtidig får vi som nevnt et nytt fagmiljø. Det er helt nødvendig for å øke kreativiteten og konkurransen i veisektoren. Det er også positivt at det blir gitt flerårig finansiering til veiselskapet. Det blir også gitt til infrastrukturselskap som vi oppretter i forbindelse med jernbanereformen. Jeg har også behov for å understreke at reformen vi gjør i veisektoren, ikke er ment å forskyve forholdet mellom investeringer og offentlig pengebruk mellom kollektivtrafikk og jernbane på den ene siden og vei på den andre siden. Dette forholdet må avgjøres i Nasjonal transportplan, og flertallet i Stortinget ønsker at klimamål skal være førende for dette arbeidet. Samtidig vil jeg understreke at det er viktig at vi bygger vei. Det er særlig viktig for verdiskapingen i hele landet. Veireformen er med på å støtte opp om dette. Jeg har også behov for å gå i detaljer i en sak, og det gjelder det at deler av komiteen ønsker at det blir obligatorisk obligatorisk bompengebrikke på kjøretøy under 3 500 kg. Vi er skeptiske til dette og er med i flertallet som ønsker at dette skal være valgfritt. Det finnes mange som ikke reiser særlig ofte gjennom en bom, og i tillegg kan det stilles spørsmål rundt personvern og overvåking. Vi er enig i at obligatorisk bombrikke vil medføre lavere innkrevingskostnader, men er kommet til at andre hensyn i dag er viktigere.

noe skeptisk til rentekompensasjonsordningen. Vi ønsker at pengene skal brukes direkte på å bygge ut infrastruktur, ikke gjennom en ordning der staten må betale for dyre lån. Venstre tar imidlertid på nåværende tidspunkt ikke prinsipiell stilling til dette. Vi mener dette må gjøres i forbindelse med konkrete forhandlinger om statsbudsjettet. Til slutt: Venstre er glad for at vi fornyer og forbedrer veisektoren. Vi er med på å ta ansvar for å bruke pengene bedre og organisere sektoren smartere. Det er det grunn til å være stolt av. Det blir replikkordskifte. Vi hører Høyres og Fremskrittspartiets talere snakke om hvor mye ny motorveg som nå skal bygges – endelig skal det

Spørsmålet mitt til representanten Raja er: Hvordan er de nye vegprosjektene, som vi nå hører skal bygges raskere enn tidligere, vurdert opp mot klimaforliket? I en ideell verden skulle vi hatt høyhastighetsbaner i Norge som gikk på kryss og tvers over landet, slik at behovet for bruk av bil redusert. Men, dessverre, det er det jo ikke noe politisk flertall for å få til. Komiteen var på reise i Japan, hvor vi så at man hadde denne høyhastighetsbanen – og hadde hatt det i 40–50 år. Man blir jo litt misunnelig på andre land, som har gode løsninger. Men folk er avhengig av bil også, og det er bra at vi bygger trygge veier. Nye, trygge veier reduserer også dødelighet på veiene. Vi må samtidig jobbe på mange andre måter for å få ned klimagassutslippene. En annen måte å gjøre det på er fortsatt å er fortsatt å tilrettelegge for at bilparken i stadig større grad blir fornybar. Her har Venstre gått foran. Vi startet dette da vi selv hadde ministeren i Samferdselsdepartementet. Jeg er glad for at stortingsflertallet fortsatt ønsker at vi framover skal beholde den satsingen som vi har hatt på nullutslipp.

Hva hadde sett annerledes ut i saken vi nå har til behandling, uten Venstres medvirkning i prosessen? Den andre replikken her fra representanten Myrli virker som en sånn innøvd greie, at man tenkte at uansett hva representanten på den andre siden svarer, er det dette jeg har tenkt å si – uansett. Det var ikke noe svar. Jeg forsøkte – nå er det faktisk min tur. Er det det, president? Raja, president? Raja, vær så god. Så vidt jeg har notert spørsmålet, var det om hvordan man tenker seg å nå klimamålene og reduksjonen i klimagassutslipp. Jeg mener jeg adresserte det spørsmålet på en ganske all right måte innenfor det ene minuttet som jeg hadde anledning til å gjøre det. Når det gjelder det andre spørsmålet, hva Venstre har bidratt til: Alt dette er noe vi står samlet bak. Det går ikke an å løsrive én enkelt ting og si at dette er vår greie, når vi står samlet bak dette. Jeg har ikke noe problem med å stå bak stå bak det flertallet som vi utgjør. Vi er veldig stolte av det vi leverer her. Dette vil være en smartere, raskere og rimeligere måte å bygge vei på. Jeg ser hva Arbeiderpartiet selv gjorde da de satt i regjering – man har ikke hatt noen særlig grunn til å være stolt av det. Så er det veldig lett å stå på den andre siden og harselere over at denne regjeringen og samarbeidspartiene forsøker å gjennomføre nye ideer og nye løsninger. Jeg har et litt åpent spørsmål til representanten Abid Raja, og det er

gjennom avgifter og økte driftskreditter til selskapet – en klar prioritering der man løfter en god del samferdselsprosjekter vekk fra politikerne og sier at dette skal være prosjekter der dette investeringsselskapet, det nye veiselskapet, selv skal få prioritere ut fra hva som er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Sammenligner vi med jernbanepakken, er det i mye mindre grad en ambisiøs satsing. Det er en annen form for omorganisering. Vi skal ikke ta den debatten nå.

Alle undersøkelser som er gjort på dette, viser at bygger man ut motorveien, vil det bare bidra til at vi får mer trafikkvekst. Det vil ikke redusere køene. Det som er viktig å ha med i det helhetlige regnestykket som representanten Eidsvoll Holmås bringer inn, er at vi gjennom de siste budsjettene har bidratt til å redusere etterslepet på jernbanen, som økte under den rød-grønne regjeringen med ca. 1 mrd. kr i året. For første gang går dette ned. ned. Det er riktig at omorganisering i jernbanesektoren i seg selv ikke umiddelbart kommer til å bringe med seg friske penger, slik det ligger i disse prosjektene. Men denne omorganiseringen er ment på den måten at man bruker pengene effektivt. Som jeg sa i mitt innlegg, det som ligger som en fast nøkkel mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene, er at man her skal ha en noenlunde lik fordeling, slik at når man øker satsingen på vei, skal det også komme en tilsvarende økning i jernbanesektoren.

Om man har landet på det magiske tallet med det framlegget som ligger her, er ikke jeg den rette til å si – jeg kan ikke si at det er verken rett eller galt – men jeg mener det er positivt å gjennomføre en bompengereform. Jeg er derimot negativ til den rentekompensasjonsordningen som ligger i opplegget. Jeg tror at det vil føre til ytterligere sentralisering, fordi det vil gjøre det enda billigere å investere i veier der det er mange mennesker som er i stand til å betale, og jeg tror også at for lokalpolitikere som skal velge – skal vi satse på vei, eller skal vi satse på mer kollektivtransport – vil dette være en ekstra gulrot for å velge vei framfor kollektivtransport. Det registrerer jeg at Det registrerer jeg at både Kristelig Folkeparti og Venstre er komfortable med. Vanligvis har de hatt en annen inngang til akkurat det spørsmålet. Det andre er at jeg er glad for at man i pakken blir avskåret fra å finansiere offentlig–privat samarbeid gjennom privat kapitalbelåning. synes det er bra at det er avskåret. Jeg synes det er positivt at disse kontraktene, OPS-avtalene som inngås, bærer mer preg av å være utviklingskontrakter som kan bidra til innovasjon opp mot næringslivet, sånn som næringslivet har bedt om, og at det er veldig tydelig avgrenset at disse pengene som kommer inn på denne måten – altså de som ligger her, både i OPS-avtaler og i andre former for avtaler – føres opp mot handlingsregelen på lik linje med andre ting. det tredje som jeg vil komme inn på, og nå begynner jeg på hovedkritikken av det som ligger i reformen: Jeg oppfatter at dette er en byråkratiserende reform, og jeg vil be statsråden i sitt innlegg redegjøre for hvorfor han mener det ikke er det. Det man gjør, er at man oppretter et statlig veiselskap, med mye folk fra Statens vegvesen, som skal gjøre akkurat det samme som deler av Statens vegvesen gjør i dag, akkurat det samme som det de gjør, drive fram prosjekter og gjennomføre akkurat det samme som det de gjør, drive fram prosjekter og gjennomføre dem. Det å opprette to Statens vegvesen i et land med 4,5 millioner mennesker på denne måten, kan ikke jeg forstå er fornuftig bruk av samfunnets ressurser, og jeg krever at statsråden i de årlige budsjettene kommer tilbake igjen til Stortinget og gir klar beskjed om utviklingen av byråkrati og kostnadene til byråkrati, enten de er lempet over på private selskaper eller ligger i veiselskapet eller i Statens vegvesen – at dette klart framkommer, for dette er jeg bekymret for. Jeg er helt enig med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som sier tydelig at mye av det positive som man ønsker å oppnå gjennom veiselskapet, ville man kunne oppnådd dersom man hadde gjennomført romertallsvedtak hatt egne prosjektplanorganisasjoner som gjennomførte veiprosjektene. Det er jeg enig i. Det fjerde punktet er det som jeg oppfatter som en forakt for demokratiske beslutninger, som kom fram da veiplanen ble presentert, der man sier veldig tydelig at man skal fjerne en del prosjekter fra politisk innflytelse, og så skal man styre etter hva som er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vel, folk som er naive, tror kanskje at samfunnsøkonomisk lønnsomhet er en eksakt vitenskap. Med all respekt, det er det virkelig ikke. Alle vet at et prosjekt kan gå fra å være lønnsomt til å bli ulønnsomt og omvendt gjennom bare å endre på noen små forutsetninger. Derfor er det så viktig at samfunnsøkonomiske analyser er til politiske beslutningsprosesser og ikke opphøyes til en religion som nærmest av seg selv skal avgjøre om et prosjekt er fornuftig eller ikke. Jeg synes det er fascinerende at Fremskrittspartiet, som har brukt hele sitt partis levetid på å kritisere skredderøkonomer i Finansdepartementet, nå opphøyer samfunnsøkonomisk analyse nærmest til en religion som skal styre hva slags prosjekter vi skal gjennomføre eller ikke. Den andre delen av grunnen til at jeg er bekymret for akkurat dette, er at de stedene og de prosjektene som er mest samfunnsøkonomisk lønnsomme, ofte er de stedene der det er mest folk, der det er mest penger å spare – men det er også de stedene rundt byene der vi er interessert i å satse kollektivt istedenfor. Den muligheten mister vi med det opplegget som er lagt fram. Det blir replikkordskifte. Jeg prøvde å lytte til innlegget til representanten Eidsvoll Holmås og

representanten Eidsvoll Holmås 1 minutt ekstra taletid til å forklare: Hva er SVs politikk for en mer effektiv organisering av bygging av vei, i den grad de i det hele tatt er interessert i å bygge vei? Vi er interessert i å bygge vei, men vi er interessert i å prioritere kollektivtransport der det er fornuftig. Det opplegget som ligger nå, der man putter alle veiprosjekter inn i en egen organisasjon og sier at de som er mest samfunnsøkonomisk lønnsomme, skal et eget veiselskap gjennomføre, uten noen videre politisk behandling og prioritering opp mot andre ting, mener vi er en dårlig idé. Dessuten er det hyggelig å svaret på det spørsmålet han stilte. Han stiller spørsmålet: Hvordan ønsker SV å gjennomføre veiprosjekter raskere? Jeg må si at jeg er enig med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i at en god måte å gjøre dette på er gjennom romertallsvedtak, med tydelig mulighet for prioritering av budsjettmidler utover selve årets budsjett. Prosjektorganisering er prøvd ut f.eks. i Bjørvikatunnelen i Oslo, det prøves ut på jernbanestrekninger og andre steder, og jeg mener det er en fornuftig måte å gjøre dette på. Bare en kort oppfølging av det: Svaret på spørsmålet er at representanten egentlig ikke har noen nye ideer eller nye tanker om å endre på organisering eller endre på måten vi jobber med veisektoren på. Representanten vil bare fortsette som før. Er det Representanten vil bare fortsette som før. Er det riktig oppfattet? Det var en fryktelig defensiv måte å tenke på. Det handler om hvordan man velger å på vei, men det handler også om hvor mange av denne typen prosjekter man ønsker å putte inn og ha som romertallsvedtak å gjennomføre den form for prosjektorganisering på. En av de tingene som er et tankekors ved disse politiske beslutningene, enten det går på jernbane, eller det går på vei,

Jeg tror at en helhetlig planlegging – det å sikre at når man satser på noe, gjennomfører man prosjektene og gir tilstrekkelig budsjettrom for det – er en god måte å prioritere på, en god måte, der vi også har en fordel av å disiplinere oss SV har mange ganger vært skeptiske til å bygge firefelts veier. Firefelts og møtefrie veier reduserer antall dødsulykker med 80 pst. En rapport fra SINTEF viser at man ved å erstatte en sterkt trafikkert tofelts vei med en firefelts, kan redusere CO2-utslipp med 26 pst., til tross for forventet økt trafikk. I store deler av Norge er man avhengig av personbilen, og behovet vil bare øke i framtiden. Når vi vet at bedre veier reduserer antall dødsulykker og bidrar til bedre trafikkflyt og lavere utslipp, lurer jeg på hvorfor SV ikke vil ta nødvendige grep som sikrer raskere utbygging, sånn at vi får lavere utslipp og sikrere veier for dem som ikke har et alternativ til å kjøre bil. Her var det mange påstander. Men hvis jeg tar fatt i det som var hovedpoenget til representanten, nemlig at firefelts

de stedene der Fremskrittspartiet pusher mest på for motorveier, er de stedene der man er avhengig av bil. I distriktene bygges det ikke mange motorveier. Det er særlig rundt de største byene man får de store motorveiprosjektene, og der mener jeg at de store pengene istedenfor burde brukt på jernbane og andre kollektive løsninger, som f.eks. på E18, som vi skal diskutere senere her i dag. Og så hadde det vært flott om man også hadde vært med på å støtte gjennomsnittsfartsmålinger, som også har beviselig effekt på antall dødsfall. Replikkordskiftet er omme. Dette er en god dag. Vi

men fra folk som jobber i veisektoren, og fra folk som jobber i jernbanesektoren. I Aftenposten – både før og etter stortingsvalget – var det mange nyhetssaker der folk som jobbet i veisektoren, var ute og påpekte at det tar unødvendig lang tid å planlegge ting. Når vi har kjørt E6, E10, E18 og sågar E105, har vi møtt mange folk som jobber i Vegvesenet. De har stort sett hatt den samme historien: Ting blir stykkevis og delt, og det er manglende forutsigbarhet. Det var ikke kritikk mot egen organisasjon, men kritikk mot måten vi som politikere har organisert dem på. Derfor har det vært viktig å gjøre endringer. Jeg registrerer at en del av de rød-grønne politikerne her i dag mener at ting egentlig var ganske bra. Det er da litt interessant å lese f.eks. Aftenposten fra november i fjor, da representanten Rommetveit fra Arbeiderpartiet innrømte at jo, det hadde gått for trått under den forrige regjeringen. De hadde ikke vært tøffe nok, de hadde ikke tatt skikkelige grep. Da er det litt rart at vi i salen i dag får høre: Nei, det ble egentlig gjort de grepene som trengtes. Prosjektfinansiering var visst løsningen. Når vi vet at den løsningen betyr at hvert veiprosjekt får sin egen post i budsjettet, og at en, hvis en skal gjøre en eneste endring, må tilbake til Stortinget for å flytte penger fra en post til en annen, sier det seg selv at det ikke gir økt framdrift i prosjekter. Andre forslag til alternativ har det ikke vært. Vi har altså en veireform uten et eneste alternativt forslag til stortingsmeldingen. Jeg tar det egentlig som et godt tegn når en er misfornøyd med at ting skjer, men ikke helt klarer å sette fingeren på hvordan en mener ting burde vært gjort annerledes. Det å lage gode veier, det å ha god infrastruktur, det å bygge god jernbane og gode sykkel- og gangstier er med på å gi oss mobilitet i hverdagen.

Dette har vært noen av de viktige tingene som vi har lagt vekt på når vi har sett på hvordan vi kan endre måten vi bygger og vedlikeholder vei på i dette landet. En del grep er allerede gjort: I statsbudsjettet for 2015 har vi, sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti, sørget for at vedlikeholdsetterslepet på vei reduseres for første gang på mange tiår. Det å vedlikeholde det vi allerede har, er en veldig viktig faktor for oss. For når vi reiser rundt i landet og møter folk,

men med dagens flertall er det en kultur som nå er under endring. Så spør vi oss selv samtidig: Når vi skal bygge nye veier – fordi det gir oss enten bedre trafikksikkerhet, raskere framkommelighet eller en blanding av begge deler – hvordan skal vi sørge for at det skjer på en bedre måte? For et par år siden kunne en i Teknisk Ukeblad se at det ofte tar ti år å planlegge nye veiprosjekter. Folk i Vegvesenet mener at dette kan halveres ved måten man organiserer det på.

nesten et halvt år før tiden – i tide til sommerferien. Det var også et viktig trafikksikkhetsprosjekt, for i løpet av anleggsperioden var det over 100 ambulanseutrykninger til den veistrekningen, og det hadde vært tre dødsfall. Ved å bli tidligere ferdig, og ikke minst før den store sommertrafikken kom, fikk en gjort noe med det. Vi har vært på E18 og snakket med prosjektledere der om hvordan veistrekningene ble stykket opp i åtte–ni parseller, om hvordan en satt med masseoverskudd på den ene parsellen og visste det ville være nødvendig å ha det på neste parsell, men de hadde ikke fullmakt til å ta det i bruk. Det er litt av de problemene vi har ønsket å løse. Det er litt av de tingene som gjør at vi ser at når vi har årlige bevilgninger i statsbudsjettet til Vegvesenet, når Stortinget sitter og vedtar hvor mye penger som skal gå til planlegging, hvor mye som skal gå til vedlikehold, hvor mye som skal gå til investeringer, og vi må tilbake til Stortinget når vi skal gjøre endringer på dette,

Vi tror at de endringene vi gjør, er fornuftige, naturlig nok. Noen sier at her blir det byråkrati, for en vil komme til å ha parallelle organisasjoner i Vegvesenet og i veiselskapet. Nei, selvsagt vil en ikke ha parallelle organisasjoner. Når en flytter ansvaret for E18 til veiselskapet, sitter ikke Vegvesenet og har sin egen organisasjon som skal følge med på hva veiselskapet gjør. Da har en flyttet oppgavene og ansvaret, og da flytter en også behovet for folk. Det betyr at det er færre folk i Vegvesenet til den oppgaven, og så har en folk i veiselskapet i stedet. Så er det en del folk som gir inntrykk av at dette veiselskapet vil ha mange hundre ansatte – 500 ansatte, hører jeg fra noen. Ja, hvis det ble tilfellet med den porteføljen, ville jeg også vært litt bekymret. Men jeg merker meg at det er primært rød-grønne politikere som ser for seg mange lokale arbeidsplasser. Det veiselskapet som deres stortingsrepresentanter er imot, håper de rød-grønne politikerne allikevel å få på plass lokalt.

måten vi krever inn bompenger på. Ja, jeg vet det er mange her som er ute etter å ta Fremskrittspartiet, og som FrP-er skulle jeg mer enn gjerne blitt kvitt bompengene, men der er ikke Stortinget per i dag. Da handler det om å få til det nest beste, og det er å sørge for at takstene går ned så mye som mulig, fordi vi driver bomselskapene mer effektivt og får ned finansieringskostnadene. Det er ikke første gang en snakker om en bomreform. Den rød-grønne regjeringen snakket om det i 2013, og de snakket også om det i 2009, men det materialiserte seg aldri. Nå, etter 20 måneder, er den framlagt for Stortinget, klar til vedtak. Men det oppsiktsvekkende er jo at da er Arbeiderpartiet og Senterpartiet imot det viktigste virkemiddelet som vil gi lavere takster. På onsdag får jeg besøk av en tidligere fylkesordfører fra Arbeiderpartiet, Tom Tvedt fra Rogaland. Han har ett krav når han møter meg, og det er lavere takst på Rogfast. Forresten, han har to krav: Han skal også ha lavere takst på E39. Nei, forresten, han skal visst også ha lavere takst på Nord-Jærenpakken. Han skal ha lavere men hans stortingsrepresentanter uttrykker seg i dag negativt om en reform som gir lavere bompengetakster. Det bør være en sammenheng mellom det partiene lover lokalt, og det de lover nasjonalt – det mangler nå fra den rød-grønne siden. Det har vært diskusjon om OPS. OPS er en gjennomføringsstrategi, og den blir tatt i bruk. Det er ingen ny gjennomføringsstrategi, som en del politikere gir inntrykk av i denne debatten. den blir tatt i bruk. Det er ingen ny gjennomføringsstrategi, som en del politikere gir inntrykk av i denne debatten. Det er en strategi som har vært brukt mange ganger over hele verden. Det er kanskje nytt for noen partier at det diskuteres igjen, men det er faktisk en strategi som har vært brukt mange steder, og stort sett med god erfaring. Så har det vært en diskusjon om det er fornuftig at vi låner penger til et prosjekt når staten har så mye kapital allerede. I den OPS-strategien som Men jeg synes det er litt rart når enkelte gir inntrykk av at når et OPS-prosjekt låner penger fra staten, blir det dyrt for staten. Men den samme gjennomføringsstrategien velger de samme partiene når en har andre bompengeprosjekter og bilistene skal betale hele regningen. Da gjør det plutselig ikke noe at det er en kostbar måte å finansiere på. Da er det helt greit. Når andre tar regningen, er det ikke noe problem, men når staten får regningen, er det et kjempeproblem. Her er det ingen logikk. Og jeg registrerer at Arbeiderpartiet sier de er imot å lånefinansiere vei, men de har altså etablert 60–70 bomselskaper, nettopp for å lånefinansiere vei. Nå gjør vi en endring på det. Vi samler dette i få selskaper, vi gjør endringer i måten det er organisert på, vi får ned kostnadene ved måten det er finansiert på, og dermed kan vi også få lavere takster. Det blir replikkordskifte.

I debatten i media – og også så sent som i dag, fra talerstolen – hevder statsråden at vi som mener at Statens vegvesen kunne gjort det samme, tar feil. Derfor har jeg lyst til å spørre statsråden: Hvorfor kan ikke Statens vegvesen få samme rammebetingelser som veiselskapet, sånn at de kunne ha gjort jobben og man hadde sluppet å etablere et nytt selskap, med den grad av administrasjon det fører med seg?

kongeriket. Da synes jeg at Arbeiderpartiet burde bestemme seg: Er dette fæle greier og puslete greier, eller er dette fæle greier og svære greier? Det er ingen sammenheng mellom det. Vegvesenet er en etat som er avhengig av årlige budsjetter. Veiselskapet er et aksjeselskap med et styre, der vi inngår en langsiktig avtale med langsiktig finansiering. Jeg skulle mer enn gjerne sett at vi kunne utviklet flere etater til å ha en langsiktig tilnærming, men jeg konstaterer at med måten vi i dag har satt opp starten og budsjettene på, vil det være vanskelig. Jeg er opptatt av at vi skal vise resultater, at vi skal komme i gang, og da har jeg valgt denne tilnærmingen som den beste. Svaret er altså at statsråden har valgt denne tilnærmingen som den beste. Så er det flott å bli dosert i hva som er etater, og hva som er selskaper – det kler statsråden når han får lov til å gjøre det, så det tar vi til oss. Men jeg synes ikke statsråden svarer på hva som er barrierene for å gi Statens vegvesen de samme fullmakter til å utøve den fleksibiliteten statsråden snakker varmt for at selskapet skal få, en fleksibilitet som – jeg tror han har hele Stortinget bak seg – man ønsker å gi til dem som har ansvaret for å bygge ut vei i dette landet. Det er også et poeng til som statsråden hadde, og det er poenget om Tom Tvedt og Rogaland. Tom Tvedt og Rogaland må jo selv få bestemme hva de ønsker å bruke effektiviseringsgevinsten av bompengereformen til. Statsråden har sagt at det skal kun gå til reduserte satser. Der er forskjellen mellom oss. Men jeg etterlyser igjen svar på hva som må til for at Statens vegvesen skal få samme fullmakter som selskapet. Dette handler bl.a. om debatten om flerårige Det har Fremskrittspartiet i opposisjon vært veldig ivrig for, det har vi gått til valg på. Men det er altså ikke et flertall i denne salen for å ha flerårige budsjetter. Jeg synes det er veldig interessant når Arbeiderpartiet nå gir inntrykk av at de vil støtte opp om alt som handler om dette, men Arbeiderpartiet har altså sagt nei til flerårige budsjetter. Da har vi sagt at den måten vi kan løse dette med å ha en langsiktig tilnærming på, er å ha et selskap der vi inngår en kontrakt mellom stat og selskap for å få langsiktig finansiering av dette – hvis vi hadde gjort om på hvis vi hadde gjort om på Stortingets budsjettsystem for å ha flerårige budsjetter, mer enn gjerne. Det andre som er viktig her, er at man får en organisasjon som blir målrettet og skreddersydd for en type veiprosjekter – europaveiprosjekter, stort sett fire felt, stort sett i områder der det ikke er politisk komplisert, i den forstand at det ikke er mye annen offentlig infrastruktur. Mye blir på jomfruelige områder, men det gjør at man får en effektiv organisasjon som kan gjennomføre på en god og fin Det er ikke min intensjon å trøtte verken statsråden eller forsamlingen, men vi har i Norge i dag både statlige etater og egne forvaltningsnivåer som rammestyres, og som har stor frihet i hvordan de utfører oppgavene sine.

og hvis det er veldig viktig at selskapet får disse fullmaktene for å lykkes med utbyggingen effektivt, slik statsråden beskriver, hvorfor er det da ikke viktig at Statens vegvesen får de samme fullmaktene? Hvis det Arbeiderpartiet signaliserer, er en vilje til å gjøre om på måten Stortinget budsjetterer penger på, til å ha langsiktige eller flerårige budsjetter, synes jeg det er et veldig interessant innspill som Arbeiderpartiet kommer med nå. Derimot, som en del av veidebatten, blir jeg litt undrende til hva Arbeiderpartiet egentlig vil. Vi har lagt fram et forslag, vi har synliggjort at en får en langsiktighet i det som gjøres, en samler ansvaret for en finansiering ved at vi sier at de skal få en gitt sum i året – i tillegg til en mulighet til å låne penger, i tillegg til at de vil få bompenger, så lenge bompenger brukes. Så vil de selv kunne gjøre mange flere prioriteringer av hvordan pengene brukes. Når bruker en penger til planlegging, når bruker en penger til investering, når bruker en penger til vedlikehold? Den friheten har ikke Vegvesenet i dag. Hvis en ville, kunne vi godt gjort om alt til en sekkepost, flerårige budsjetter. Hvis Arbeiderpartiet mener at vi skal begynne å budsjettere sånn i Stortinget, med flerårige budsjetter, ser jeg med glede fram til det. Men akkurat nå føler jeg at Arbeiderpartiet mer er på det sporet der en person sier én ting, en annen person sier noe annet, og så er det egentlig bare for å være kritisk. Da

det. Poenget måtte jo være at når man etablerte et selskap, skulle man fase inn penger i tråd med framdriften av prosjektene. Flere av dem som var inne på høring, mente at det ikke ville kunne gjøres, slik som det var lagt opp til nå. Hvorfor har man ikke lagt opp til en ordning som faser inn penger i tråd med framdriften på prosjektene? Selskapet vil ha en forutsigbarhet som er langt større enn det Vegvesenet har i dag. dag. Det er ikke sånn i dag at Vegvesenet automatisk får penger hvis de bygger mer vei enn det som var planlagt, snarere tvert imot. Når de rød-grønne partiene her inne snakker om at de overoppfylte Nasjonal transportplan, skylder de å si at rundt 20 veiprosjekter på en eller annen måte var forsinket i løpet av den samme nasjonale transportplanen. Mange av disse forsinkelsene skyldtes rett og slett at det ikke var penger. Senterpartiet prøver å gi et inntrykk av at det automatisk kom penger, noe som ikke er tilfellet. Vi har sagt at vi skal prioritere mer penger til veisektoren enn det som er planlagt i Nasjonal transportplan, men vi har også sagt at vi må bruke pengene mer effektivt. Suksess innenfor infrastrukturbygging handler ikke om hvor mye penger man bruker, men om hvor mye man får bygd. Det er her dette veiselskapet vil få en del fullmakter og muligheter til å bruke pengene og prioritere prosjekter ut fra en faglig begrunnelse – i stedet for en oppstykket utvikling. Vegvesenet har selv sagt til oss at i de fleste veiprosjektene de har, kunne de spart mellom 5 og 20 pst. ved å organisere prosjektene mer helhetlig, slik som vi nå gjør. Jeg registrerte at statsråden ikke ville svare på det jeg spurte om. Poenget var jo at hvis man først etablerte et veiselskap, måtte man sørge for at bevilgningene ble faset inn på en sånn måte at man fulgte opptrappingen av prosjektet. Hvorfor valgte man ikke en sånn modell? Selskapet får en portefølje. Vi har et kostnadsanslag over porteføljen – vi sier hvor mye penger de vil få hvert år. De har mulighet til å låne penger, og de har mulighet til bompengelån i tillegg. Det betyr at selskapet vil ha stor innflytelse på hvordan de gjennomfører prosjektene. Selv om vi har sagt at det er en 20-årsperiode på gjennomføringen, må de for min del mer enn gjerne gjennomføre det raskere enn det. Men det er viktig for oss at det er en forutsigbarhet her, og spesielt med tanke på at alle partiene her i Stortinget, kanskje med unntak av Fremskrittspartiet, mener at handlingsregelen er Guds gave til Stortinget, burde man være opptatt av forutsigbarhet nettopp når det gjelder pengebruken. Fremskrittspartiet som parti har sagt at man ønsker å investere mer av oljeformuen i veisektoren, men vi ser at de andre partiene sier at handlingsregelen her skal styre og holde igjen. De fire partiene som legger fram denne reformen, har funnet en god balanse, noe som gjør at vi har en forutsigbarhet når det gjelder pengebruken, samtidig som selskapet får en dynamikk i hvordan de gjennomfører prosjektene, og det er en god måte. Men jeg er ikke overrasket over at Senterpartiet er kritisk, for Senterpartiet mener at dette setter norsk veibygging ti år tilbake i tid, ifølge Geir Pollestad. Da er vi bare

hvis du har mer penger, får du mer vei. Har du mer penger, får du mer vei, og da har du muligheten til eventuelt å fullføre veiprosjekter raskere. Derfor vil jeg stille følgende spørsmål: I valget mellom å igangsette flere veiprosjekter – og dermed kunne komme i en situasjon der veiselskapet kan komme til å måtte stille spørsmål til samferdselsministeren og Stortinget om man kan få mer penger bevilget enn det man egentlig har fått tildelt kan få mer penger bevilget enn det man egentlig har fått tildelt – vil samferdselsministerens klare beskjed da være at man skal sette i gang så få prosjekter at man er helt sikker på at man ikke sprenger budsjettrammene og det handlingsrommet som er gitt? Vi er veldig opptatt av å få mer vei for pengene, ikke bare diskutere hvordan vi skal bevilge mer penger til vei. Én av de tingene som har bekymret ikke bare meg, men også veldig mange av dem som er opptatt av god samfunnsøkonomi og ikke minst god infrastrukturbygging, er den enorme kostnadsveksten som har vært.

Men det ligger ingen fullmakter der om at jeg som statsråd skal kunne begynne å legge inn ekstra penger i dette selskapet. Det er jo det som gjør at vi tror at vi klarer å finne balansen ved det å være offensiv og bygge mye mer vei enn det som de rød-grønne planla, samtidig som det ligger en tilnærming her fra selskapet om å bruke pengene slik at de får mest mulig vei for de bevilgingene de får. Replikkordskiftet er omme. Eg vil også takka saksordføraren for framlegginga hans og for at han har losa komiteen gjennom denne litt krunglete, smale vegen fram til i dag. Me er

Den vedtekne nasjonale transportplanen for inneverande periode, åra 2014–2023, er ein svært ambisiøs plan, ikkje minst innan området veg. Den sitjande regjeringa har heldigvis stadfesta at denne vedtekne planen skal følgjast, også innanfor vegområdet. Så langt er me ikkje berre på god veg, men også «På rett vei», som er meldinga. Når det gjeld resten av meldingstittelen, Reformer i vegsektoren, så er mykje av det som vert lansert, også ei direkte oppfølging og iverksetjing av det som vart lagt fram i NTP-en, og som altså også er raud-grøn politikk. Når statsråden i innlegget sitt gjer meg den ære å sitera noko eg skal ha sagt til Aftenposten i fjor, om at ting gjekk noko seint, så kan jo det ha noko å gjera med det at med dei nye grepa som kom i den nasjonale transportplanen som vart vedteken i slutten av juni – men der regjeringa måtte gå av og vart skifta ut med ei ny kort tid etterpå – så låg det ein god del arbeid, både i NTP og i det som var gjort i departementet, som var

når det gjeld strukturreformer innan sektoren. Eit nytt utbyggingsselskap for veg, utanfor Statens vegvesen, verkar unødvendig byråkratiserande. Her kunne det same vorte oppnådd innanfor rammene av det eksisterande vegvesenet. Og sjølv om dei prosjekta som er varsla i meldinga, vert kalla oppstartsportefølje, så er den geografiske fordelinga slik at det i alle fall så langt er vanskeleg å kalla dette for eit nasjonalt vegselskap. Eg fann det då heller ikkje så rart at Hordaland fylkeskommune, under komitéhøyringa, leverte inn ei fråsegn der dei ville ha både E39-prosjektet Hordfast og fellesprosjektet med veg og bane på E16 mellom Arna og Voss inn i det nye